gi et likeverdig tilbud til alle barna, uavhengig av hvor de bor. Vi frykter at mer ansvar til noen kommuner vil gå på bekostning av bistand til andre kommuner. I proposisjonens kapittel 4 skriver statsråden at vi har hatt en vekst i antallet barn i barnevernet på 77 pst. de siste

skrev akkurat dette i sin rapport til departementet, hvor man oppsummerte hele organiseringen og hvordan dette ser ut, og så pekte man på at vi trenger en prinsipiell debatt om barnevernet. Hvordan ser statsråden på den formidable utfordringen vi står overfor? La meg starte med å si at jeg er veldig glad for at vår kultur har forandret seg, slik jeg beskrev det i mitt innlegg. Nå bryr vi oss om barn som lider – også når de lider i familien. Vi vet nå at det å lide i familien er verre enn å lide på utsida av familien, for å si det slik. Det skader barna mer når de som skulle vært omsorgspersoner, ikke er det, og noen er til og med direkte farlige for barna. Det aller viktigste vi kan gjøre framover, er å la det fortsette: Vi må bry oss mer, vi må melde fra når vi er bekymret, og vi må sikre at barnevernet blir rustet – lokalt og sentralt – til å jobbe for disse barnas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

Vi har forskning som viser at så mange som 8 pst. av alle barn utsettes for grov vold fra én av eller begge foreldrene. Volden kan være fysisk eller psykisk. Det kan dreie seg om seksuelle overgrep, omsorgssvikt, at barn er vitne til vold i hjemmet, eller at de utsettes for bruk av fysisk og psykisk ydmykende straff i oppdragelsen. Hjemmet og familien er den arenaen Samtidig er hjemmet den plassen hvor vold mot barn foregår i det skjulte og over lang tid, uten at det oppdages. Spedbarn og små barn er mest utsatt. Barns mulighet for trygg utvikling, læring og god helse rammes hardt. For å innfri barns rett til en trygg oppvekst må vi fortsette å styrke innsatsen mot utsatte barn spesielt.

og det er viktig at politiet i sin statistikk innfører flere kategorier, sånn at man får et best mulig bilde av de ulike formene for vold mot barn. Vold mot barn skal registreres i en egen kategori i politiets eksisterende statistikk. I dag styrker vi barns medvirkning i alle saker som angår dem, gjennom at det innføres en overordnet bestemmelse i barnevernloven som understreker En sånn overordnet bestemmelse om medvirkning vil bidra til bevisstgjøring og reell styrking av barns deltakelse. «Barnets beste» er det overordnede prinsippet i barnevernloven og det grunnleggende prinsippet. Det er også viktig at barnets mening tillegges til dels stor vekt, avhengig av barnets alder og modenhet. Det er viktig for å styrke beskyttelsen av barn mot vold og overgrep, og for at man skal kunne foreta omsorgsovertakelse når det er til barnets beste.

000, som i dag. Jeg tror vi må være så ærlige å si at selv om vi i Kristelig Folkeparti hvert eneste år foreslår økte midler til barnevernet i våre alternative statsbudsjett, er det ingen partier som i sine alternative statsbudsjett har en politikk og et budsjettforslag som kan fange opp den enorme veksten er også vel kjent for dem som har fulgt med, at jeg og Kristelig Folkeparti i hele denne perioden har vært en sterk pådriver for å snakke om kapasitet, og for å snakke om full dekning i barnevernet. Det er ingen tvil om at den utviklingen vi nå ser, og den veksten vi har sett over disse årene, forteller oss at vi skal snakke om kapasitet, og at vi bør snakke om full dekning, men de utfordringene barnevernet står overfor, er også veldig mye mer enn et kapasitetsspørsmål. Ett av de svarene som kommer opp veldig raskt, er en bredere tilnærming, der vi ikke bare diskuterer barnevern, men ser utsatte barn og unges utfordringer i sammenheng, og ser de tjenestene de møter, i sammenheng. Det gjelder ikke minst familievernet, som igjen nevnes som en potensiell partner som skal få nye oppgaver fra barnevernet, selv om vi vet at det er inntaksstopp på enkelte av kontorene rundt omkring i landet fordi man sultefôres på ressurser. Det gjelder ikke minst psykisk helsevern, det gjelder Nav, det gjelder helsestasjoner osv. Det er mange tjenester som fanger opp utsatte barn og unge, og vi må se disse tilbudene i sammenheng. Det framgår også av proposisjonen at utfordringer knyttes til utrygge familieforhold, rus og psykiatri. Der ligger hoveddelen av utfordringene i barnevernet. Da må politikken også fange opp det, at det er her utfordringene er, at det er her vi kan sette inn forebyggende innsats. Det helhetsblikket trenger vi atskillig mye mer av. Vi trenger flere statsråder og flere komiteer som sammen diskuterer den

og det var svært mye av både vold og overgrep mot barn, men det ble aldri anmeldt; det ble aldri tatt opp. Så tallene kan nok ikke tydes helt slik som representanten sier, at det bare er en økning hele veien. Så er han opptatt av trygge familier. Det er jeg også, men jeg advarer litt mot å snakke om dette som om det er et problem som bare gjelder familier som har andre typer problemer og trenger hjelp fra hjelpeapparatet. Det er det ikke. Dette er et alvorlig problem som også foregår i de beste familier – og der kanskje enda mer skjult enn ellers. Men det er jo sånn at også disse barna er i kontakt med barnehagen, med skolen og med helsesøster osv., så det er uhyre viktig hva som skjer der. Det er også viktig at barnehusene fungerer over hele landet, for her er det foreldre som har økonomi til å betale advokater for til og med å bruke dem mot sine egne barn. Til slutt: Jeg

viser at man har behov for det barnevernet som også er spesialisert, og at man i hvert fall ikke kan fjerne penger fra det før man i så fall har bygd opp noe alternativt i kommunene. Det er ikke ansvarlig å gjøre det. Så de utredningene som ligger til grunn for dette, sier nå klart og tydelig at vi trenger begge deler. deler. Da er det selvfølgelig også behov for en økning i det kommunale barnevernet framover. Det mener jeg, og det ser jeg, men det er også behov for å understreke det alvorlige ansvaret norske kommuner og norske politikere fra alle partier som sitter rundt i kommunestyrene, har for å styrke barnevernet. For det må gjøres, akkurat som på de andre sosialpolitiske områdene. Disse problemene går som svarte, vonde tråder gjennom generasjoner av vonde liv, og Disse problemene går som svarte, vonde tråder gjennom generasjoner av vonde liv, og da må man finne en løsning når det gjelder årsakene. Debatten går mot slutten, og det er har lyst til å kommentere litt. For det fyrste blei det sagt tidlegare frå representanten Hofstad Helleland og Høgre at det er lite offensivt det regjeringa har gjort på barnevernsområdet. Det vil eg på det sterkaste tilbakevise. Eg vil understreke det statsråden òg sa i sitt innlegg, at det har betydeleg barnevernsløft. Det er òg, som representanten Karin Andersen seier, ofte det som er forskjellen på Høgre og regjeringspartia i barnevernsprioriteringane, akkurat kor ein flyttar pengane. Me har styrkt det kommunale barnevernet i tillegg til å styrkje det statlege barnevernet. Så blir det litt for mange gonger påstått at den raud-grøne regjeringa har privat allergi. No er det kanskje mest pollenallergi som rår i stortingsgruppa om dagen, men eg har lyst til å opplyse om at me i det statlege barnevernet faktisk bruker så mykje som opptil 50 pst. private aktørar i samband med institusjonstiltaka. Me brukar dei tilboda me meiner fagleg sett er best for ungane. Så blir det òg innimellom antyda at det er veldig mange små og lite robuste kommunar i dette landet. er òg eit bilete som må nyanserast. I 2008 hadde me 83 kommunar i Noreg som inngjekk interkommunalt samarbeid. I 2012 har me 183. Det er ein kraftig auke i bruken av interkommunalt samarbeid, og 60 pst. av dei kommunane som ikkje har det, har blitt spurt, og dei seier at dei har planar om det dei nærmaste åra. Så det er ei veldig positiv utvikling når det gjeld å få til betre Så til representanten Håbrekke: Han nemnde at det er viktig å sjå på dette med eit heilskapleg blikk. Eg meiner at både meldinga og proposisjonen tek opp i seg det heilskaplege, både Representanten nemner psykisk helsevern og Nav. Eg kan vel ikkje vente at opposisjonen skal gjere greie for alle gode tiltak i meldinga, så derfor gjer eg det sjølv. Blant anna er det tiltak om å utarbeide klare retningslinjer for samarbeid mellom barnevernet og psykisk helsevern for barn og unge – det meiner eg det er kjempeviktig å få sagt – og ein gjer det same mellom barnevernet og Arbeids- og Så her er det mange gode tiltak, som eg verkeleg meiner er viktige, og som vil bidra til å utvikle eit betre barnevern. Men det skal også vere sagt at det regjeringa – og me – gjer i dag, på ingen måte er ei ferdigstilling av barnevernet. Det er framleis store utfordringar, og der har regjeringspartia og Kristeleg Folkeparti ein del like oppfatningar om kva ein må gjere. Det er ingen tvil om at ein må

søkelys på det barnevernet gjør, for barnevernet har også mye makt. Det krever etisk refleksjon, og det krever ydmykhet i møte med familiene. Det er veldig viktig for meg at vi jobber videre for den aller yngste gruppa – allerede fra svangerskapet av, som jeg nevnte i en replikkveksling i stad. Gruppa med 0–6-åringer er kjempeviktig – som sagt allerede fra svangerskapet da må vi jobbe tverretatlig og tverrfaglig. Vi må jobbe helhetlig, og vi må jobbe langsiktig. Det at vi har et såpass godt utbygd helsestasjonstilbud som vi har i Norge, er et veldig viktig potensial. Mange satser etter hvert på familiehus, som samler ulike tjenester på tvers. tvers. Vi har nå nesten alle barn i barnehage i Norge. Det er også et kjempegodt utgangspunkt for å kunne oppdage og hjelpe flere barn før det har gått så langt at barna får ødelagt sin framtid. Vi skal utvikle et felles kunnskapsgrunnlag for alle dem som skal jobbe med de minste barna. Det blir et viktig satsingsområde for oss framover. nytt prinsipp, og også ser at kombinasjonen av det biologiske prinsipp og det mildeste effektive inngreps prinsipp har virket uheldig for en del unger. Det betyr ikke at vi skroter det biologiske prinsipp – selvfølgelig ikke. Vi skal passe på familiene, og vi skal ha respekt for privatlivets fred. Men det er behov for å se på hva slags tilknytnings- og relasjonskvalitet det er mellom barn og deres omsorgspersoner, for det er ikke sånn at biologiske foreldre er de beste for alle barn. Det er ikke alle biologiske foreldre som er de beste for sine barn, dessverre. Jeg skulle ønske at det var sånn. Dette prinsippet skal selvfølgelig også virke etter plassering. Det betyr at vi har et stort ansvar for hvordan vi legger til rette for tilknytning i barnevernet. barnevernet. Der har vi en vei å gå. Vi må rekruttere flere fosterhjem, ikke minst fra slekt/familie og nettverk som barnet har fra før. Det går ikke alltid, men jeg ønsker at vi skal gjøre mer av det, bl.a. gjennom bruk av familieråd, som har vist seg å være veldig vellykket, og som er en «empowerment»-tankegang – en nedenfra-og-opp-strategi. Vi må også se på turnusordningene i institusjonene og sørge for et differensiert tilbud. Vi er ikke avhengig av å ha enda flere private løsninger for å ha et mangfold i barnevernet. Det er også mulig å legge til rette for et mangfold gjennom at det offentlige tar mye. De ideelle er også viktige for oss. Representanten Øyvind Håbrekke har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg skal ikke dra denne debatten ut, men på bakgrunn av representanten Vågslids innlegg vil jeg bare presisere at jeg har lest alt som står om tverrsektorielt samarbeid i proposisjonen. Men jeg vil presisere at jeg mener at for å mobilisere et samfunn som kan møte og forebygge den veksten som det ser ut til at vi kan stå foran i årene framover, trenger vi et samarbeid mellom tjenestene, der vi spør oss hvordan vi i fellesskap kan forebygge at unger og familier får den typen problemer som vi her snakker om, og kommer under barnevernets omsorg. Det er en litt annen tilnærming enn det samarbeidet proposisjonen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

Våren 2008 vedtok vi felles ekteskapslov, og i dag vedtar vi altså fullt diskrimineringsvern. Loven vil gi et vern mot diskriminering på grunn av seksuell orientering på alle samfunnsområder, både når det gjelder offentlig og privat tjenesteyting, helse- og omsorgstjenester, utesteder, organisasjoner m.m. Vi vet at fremdeles i dag er diskriminering og trakassering av homofile, lesbiske og bifile et stort problem på mange samfunnsområder. Det er dessverre dokumentert i flere undersøkelser at homofile, også i Norge i 2013, utsettes for vold og trusler i det offentlige rom. Det er ikke noe som bare skjer i Øst-Europa. Loven foreslår også at kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk skal bli egne diskrimineringsgrunnlag. Et uttrykkelig diskrimineringsvern vil ikke bare gjøre dagens lovtekst klarere og mer informativ, men vil også gi et signal om likeverd for Arbeiderpartiet mener det er viktig, ikke minst for å motvirke negative og fordomsfulle holdninger til transpersoner. Disse er særlig sårbare og utsatt for vold, trakassering og forskjellsbehandling som reduserer livskvaliteten og muligheten deres til å delta i samfunnet. Komiteen har møtt sterke reaksjoner fra Harry Benjamin Ressurssenter på bruken av begrepet transpersoner. Deres pasientgruppe har gjennomgått kjønnsbekreftende behandling, og de ønsker ikke å gå inn under samlebetegnelsen transpersoner. Bakgrunnen for dette er at mange i Bakgrunnen for dette er at mange i deres gruppe ikke definerer seg som transperson. Vi har stor respekt for disse synspunktene, men samtidig vil jeg understreke at noe av intensjonen med å inkludere kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i loven, nettopp er å bidra til å endre samfunnets holdninger og motvirke negative og Diskrimineringslovutvalgets mandat var å utrede en felles lov. Regjeringspartiene er av den oppfatning at det avgjørende ikke er at diskrimineringsvernet samles i en lov, men at diskrimineringsvernet reelt styrkes. Det gjør det i dette forslaget. Regjeringspartiene mener at en egen lov om kjønnslikestilling gir de beste rammene for arbeidet for likestilling mellom menn og kvinner. På samme måte mener vi at egne lover vil gi de beste rammene for likestillingsarbeidet med hensyn til etnisitet, religion og nedsatt funksjonsevne. I en felles diskrimineringslov vil ikke de enkelte diskrimineringsgrunnlagene kunne framheves på samme måte som i særlovene. Likestillingsloven gjelder for både kvinner og menn, men da loven ble vedtatt, erkjente lovgiver at kvinner på mange områder i samfunnet utsettes for diskriminering i større grad enn menn. Dette synliggjøres bl.a. i lovens formålsbestemmelse om at loven «tar særlig sikte på å bedre kvinners stilling». Det er fortsatt slik at kvinner i mange tilfeller utsettes for diskriminering i større grad enn menn. Det viser f.eks. likestillings- og diskrimineringsombudets statistikk over saker. Regjeringens forslag om graviditetsvern har møtt kritikk. Regjeringen foreslår at det tas inn en presisering i lovens diskrimineringsforbud som sier at diskriminering på grunn av graviditet og permisjon ved fødsel eller adopsjon regnes som kjønnsdiskriminering. Jeg vil sterkt framheve at de lovtekniske endringene dette medfører i nåværende likestillingslov, viderefører gjeldende rett med hensyn til diskrimineringsvernet når det gjelder graviditet, fødsel og foreldrepermisjon. Lovteksten bringes mer i samsvar med dagens praksis, som innebærer at både mor og far under hele foreldrepermisjonen har et særlig sterkt vern, og i mange Flere aktører, bl.a. Likestillings- og diskrimineringsombudet, har vært bekymret for at denne justeringen i praksis vil svekke graviditetsvernet. Lovgivers intensjon er heller det motsatte. Å lovhjemle praksis vil sikre et fortsatt sterkt graviditetsvern. Gjennom lovendringene gir vi hele perioden med foreldrepermisjon et sterkt vern, og ikke som i dag, kun de ukene som er øremerket mor og far. Dette er en merkedag. I morgen vedtar Dumaen i Russland begrensninger i homofiles rettigheter, i sterk kontrast til det som vi i dag vedtar i Det norske storting, hvor vi nå forbyr enhver form for diskriminering av homofile, lesbiske, bifile og transpersoner. Fremskrittspartiet er imot enhver form for diskriminering basert på rase, religion og kjønn. La det være helt klart. Så

lover. Det sier i grunnen regjeringen selv også i sin innstilling. Ikke minst sier også Diskrimineringslovutvalget det. Regjeringen låser definisjonen av diskrimineringsgrunnlaget ved ikke å bruke samlekategorien «liknende vesentlige forhold ved en person» som diskrimineringsgrunnlag, og tar sånn sett ikke inn over seg dynamikken med hensyn til hvordan diskriminering kan oppstå. Også det støtter Fremskrittspartiet. Det blir også støttet av Diskrimineringslovutvalget. Fremskrittspartiet mener også det er uheldig å trekke fram kvinner spesifikt i Fremskrittspartiet. Det blir også støttet av Diskrimineringslovutvalget. Fremskrittspartiet mener også det er uheldig å trekke fram kvinner spesifikt i det lovarbeidet som ligger der, da diskrimineringsgrunnlaget her skal være kjønn. Særbehandling, eller positiv diskriminering, kvotering, mener Fremskrittspartiet også er diskriminering. Derfor mener vi at det stigmatiserer, og at det er diskriminering i seg selv. Regjeringen påpeker selv i proposisjonen at forslaget viderefører gjeldende regler. regler. Det bør derfor være et mål å samordne og forenkle lovverket framfor å lage egne og flere lover. Så vil Fremskrittspartiet – som sikkert også Kristelig Folkeparti vil – komme inn på et eget forslag med tanke på at vi ser at trosfriheten ikke tas med i lovteksten, selv om det er åpenbart at denne skal ivaretas. Det som har vært viktig for Fremskrittspartiet i denne saken – det har vært mange gode merknader som vi støtter – er at vi har et diskrimineringsvern. Men Fremskrittspartiet kommer ikke til å støtte lovforslaget på grunn av at vi mener det er unødvendig å ha en ny lov. Vi synes det heller burde vært lagt fram én lov – at man samlet alt i én lov, istedenfor å ha så mange lover. Da ønsker kanskje representanten å ta opp de forslagene som er inntatt i innstillingen? Ja, jeg tar opp mindretallsforslagene. Representanten Solveig Horne har tatt

lik tilgjengelighet og tilrettelegging der det trengs – kort sagt, likestilling i alt hva det begrepet måtte innebære. God og klar lovgivning er selvsagt, først og fremst med tanke på dem loven skal beskytte, men ikke minst også som et signal på hva vårt samfunn representerer. Det at vi Det at vi har tydelig lovgivning, forteller om et samfunn som bygges på de verdiene som handler om at diskriminering i enhver sammenheng og fordomsfullhet – som gjerne følger det – er spøkelser som kan ligge skjult lenge, og som plutselig kan vise seg når gitte situasjoner oppstår. Ikke minst gjelder dette holdninger knyttet til etnisitet eller religion. Det er av stor og selvstendig verdi at et samlet politisk miljø i Norge har så entydig holdning til dette. Bygging av et tolerant samfunn gjøres ikke med lovene alene, men handler også om de debattene som skjer i det offentlige rom – samtalene på arbeidsplassene, i familien, i skolen, kort sagt alle fellesskap som utgjør vårt samfunn. De foreslåtte lovendringene er, slik Høyre ser det, i all vesentlighet skritt i riktig retning. Høyre støtter således intensjonene og den oppryddingen som er gjort, selv om vi i utgangspunktet hadde ønsket oss et annet hovedgrep om denne lovgivningen. Vi støtter selvsagt de fremskrittene som nå gjøres med tanke på diskriminering basert på legning, og vi er kjempeglad for at dette nå kommer på plass. Men vi merker oss også at de organisasjonene som er involvert, like gjerne hadde sett en felles generell, overordnet lovgivning. Med Høyres øyne skal ingen form for diskriminering tolereres. Det ene diskrimineringsgrunnlaget er slik sett ikke viktigere enn det andre. Det at noen grunnlag, eksempelvis diskriminering på grunnlag av kjønn, religion eller etnisitet, er mer utbredt og mer synlig, skal ikke bety at andre diskrimineringsgrunnlag er dårligere eller skal ha et dårligere vern – for ikke å si intet vern, som nå dessverre er tilfellet i en del sammenhenger. Hva som er et diskrimineringsgrunnlag, vil kunne variere, og som lovgiver er det vanskelig å kunne forutse alle de sammenhengene der dette vernet egentlig er nødvendig. overordnet lovgivning som gir vern mot diskriminering. Med dette som utgangspunkt hadde Høyre ønsket seg en annen inngang i lovrevisjonen, og med støtte i Diskrimineringslovutvalgets utredning og mange av høringsinstansene som der gjorde seg gjeldende, mener Høyre det ville være riktig å utarbeide en samlet lov som også rommet et generelt forbud mot diskriminering.

Det som omfattes, skal være diskriminering i sin alminnelighet. Jeg tror de som diskriminerer, vet når det skjer. Vår tillitt til arbeidsgiverne er som kjent stor. Vi tror ingen arbeidsplass er tjent med diskriminering av noen art. Vi tror heller ikke det vil by på store problemer om domstolene må forholde seg til en åpen definisjon og gjennom rettspraksis gi innholdet av hva det skal være. Dette har vært en diskusjon gjennom mange år, og Høyre har tidligere også fremmet forslag om en lov med en universell tilnærming. Som tidligere fremmer vi også ved denne korsvei forslag om dette. Vi ser utviklingen går vår vei, men er litt overrasket over at regjeringen ikke følger opp på samme måte. Som politikere møter vi ofte pressgrupper som ønsker særlig oppmerksomhet om sine saker og vinklinger. Kanskje nettopp i diskrimineringssammenheng er det viktig å ta med dem som ikke har noen stemme, og som ikke gjør seg gjeldene opp mot politikerne, og sørge for at deres plass er sikret også i denne sammenheng. Min magefølelse er dessverre at det ikke er tilfellet. Først vil jeg takke saksordføreren, som på en god måte redegjorde for regjeringspartienes syn. Jeg ønsker også å knytte noen kommentarer til saken. Likestilling er en grunnleggende verdi og skal gjelde alle,

Lov om likestilling mellom kjønnene – eller likestillingsloven – ble vedtatt for 35 år siden, og siden er diskrimineringslovverket blitt utvidet og forbedret. Rettsvernet mot diskriminering omfatter i dag ikke bare kjønn, men også etnisitet og nedsatt funksjonsevne. Det gleder meg og SV stort at vi nå behandler lovforslaget som gir homofile, lesbiske, bifile og transpersoner – LHBT-personer – vern mot diskriminering på alle samfunnsområder, og ikke som i dag at det kun gjelder arbeidsliv og bolig. I tillegg til å forby diskriminering inneholder lovforslaget også at offentlige myndigheter, arbeidslivets organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere får en plikt til å arbeide aktivt for å fremme likestilling og hindre at trakassering og diskriminering skjer – noe som er svært viktig. Dersom man skal få gjort noe med den diskrimineringen og trakasseringen LHBT-personer utsettes for, holder det ikke å slå fast at diskriminering er forbudt. Da må skoler, idrettslag og arbeidsgivere ta ansvar for å bekjempe stereotypier og fordommer og hindre at trakassering skjer. Formålet med lovverket er å fremme likestilling. Norsk lov sikrer formell likestilling på mange områder, men det trengs effektiv håndheving og etterlevelse. Derfor er det viktig å styrke juridiske rettigheter, også holdningsarbeidet, for å sikre et samfunn uten diskriminering. Det har vært en klar forventning om å få et mer helhetlig og styrket diskrimineringsvern i norsk lovgivning. Mange har ment at vi bør ha en felles lov som omfatter alle diskrimineringsgrunnlag og alle samfunnsområder. Når det nå ikke fremmes forslag om det, er det fordi det fryktes at diskrimineringsvernet for kvinner vil kunne svekkes ved at likestillingsloven oppheves. SV mener formålet om et mer helhetlig og styrket diskrimineringsvern er oppnådd gjennom forslaget i og med at lovene er blitt harmonisert og mer enhetlige. enhetlige. Det er viktig at diskrimineringsvernet for kvinner fortsatt står sterkt. De aller fleste er enig i det faktum at kvinner på mange områder utsettes for diskriminering i større grad enn menn. Et godt lovverk er på ingen måte nok i seg selv, holdningsarbeid og tilrettelegging er også nødvendig. Kvotering har vært, og er, ett kjent tiltak i så måte – noe Fremskrittspartiet er prinsipielt motstander av. Den vanligste formen for kvotering finner sted ved at den underrepresenterte blir foretrukket når kandidatene er likt kvalifisert – og dette har definitivt bidratt til å rette opp i noen skjevheter i samfunnet. Det å være prinsipielt motstander av enhver form for kvotering, bygger opp under det faktum at kjønn, etnisitet osv. i seg selv hos mange regnes som en kvalifikasjon. Jeg kan her nevne tiltak som har blitt brukt for å øke rekrutteringen av personer med innvandrerbakgrunn til arbeidsplasser. Det er oppnådd dokumentert positive resultater ved å innkalle minst én person med innvandrerbakgrunn til intervju forutsatt at søkeren er kvalifisert til stillingen. Det største problemet er som regel at de ikke blir innkalt til intervju. Når de får muligheten til å vise sine kvalifikasjoner gjennom intervju, får mange av dem jobb. Det er en positiv form for kvotering. Det er urovekkende mange som opplever seksuell trakassering – noe vi har et lovforbud mot i likestillingsloven. Arbeidsgivere og ledelsen i utdanningsinstitusjoner og organisasjoner er pålagt å forebygge seksuell trakassering. Selv om jeg primært hadde sett at Likestillings- og diskrimineringsombudet skulle håndheve forbudet mot seksuell trakassering på lik linje med de andre forbudene i likestillingsloven, er jeg fornøyd med at regjeringa nå bes om å utrede etablering av en veiledningstjeneste for personer som utsettes for seksuell trakassering. Det viktige er at de blir møtt av et hjelpeapparat med informasjon om rettigheter og muligheter. Lovverket for å sikre likestilling og ikke-diskriminering er som sagt godt, og blir nå enda bedre med diskrimineringsvern for LHBT-personer. Men det er et problem at det i de fleste tilfeller er helt kostnadsfritt å diskriminere. Diskrimineringsvernet håndheves av Likestillings- og diskrimineringsombudet og Likestillings- og diskrimineringsnemnda, men verken ombudet eller nemnda har mulighet til å gi oppreisning selv om det slås fast at diskriminering har skjedd. Dersom man skal få oppreisning, må man ta saken til domstolen. domstolen. I praksis er det forbeholdt dem som har mulighet og råd til å ta dette på egen regning. Et skritt på veien er å be regjeringa om å utrede hvordan nemnda fungerer som håndhevingsorgan og lavterskeltilbud, samt alternative muligheter for å etablere et lavterskeltilbud for oppreisning i diskrimineringssaker. Det at vi nå vedtar en egen lov som forbyr diskriminering av homofile og transpersoner, er en milepæl i arbeidet for å sikre menneskerettigheter for alle og det har vi i alle fall grunn til å være fornøyd med. Vi får nå en ny lov om diskriminering. Det er

Likere og mer tilgjengelige lover innebærer et styrket diskrimineringsvern, og det er vi i Senterpartiet veldig glad for. Det helt nye er en lov om diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Mange opplever en vanskelig hverdag på grunn av sin seksualitet og sin kjønnsidentitet. Vi i Senterpartiet mener vi skylder dem et ordentlig vern og gjennom det en lettere hverdag. dem et ordentlig vern og gjennom det en lettere hverdag. De som nå får et styrket vern, synes å være fornøyd med loven. Jeg har i den tiden vi har jobbet med denne saken, snakket med mange som omfattes av denne loven. Det har gitt meg ny kunnskap og en innsikt i deres utfordringer som jeg også kommer til å ta med meg videre. Tidligere var det i arbeidsmiljøloven og boligloven forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering i arbeidslivet og ved boligleie. Men nå er diskrimineringsvernet utvidet til å gjelde alle samfunnsområder unntatt privatlivet. Jeg vil presisere at selv om loven ikke gjelder privatlivet, er det likevel ikke slik at vi aksepterer diskriminering i det private rom – tvert imot. Flertallet av høringsinstansene ønsket å samle alle diskrimineringslovene i én lov. Det har departementet kommet fram til ikke er måtte oppheve likestillingsloven. Det kunne ha ført til et i alle fall mindre opplevd – strengt likestillingsvern, og det er ikke ønskelig. Likestillingsloven skal fortsatt gjelde også i familielivet og i private forhold, men i de sfærene skal den heller ikke framover håndheves av ombud, nemnd eller domstoler. I det private snakker vi mye mer om en langsiktig holdningsendring, og der er vi på god vei i samfunnet – men langt fra i mål. Jeg har lyst til å nevne pappapermisjonen som et viktig virkemiddel i så måte. Tidligere har fedre faktisk blitt diskriminert og nærmest ikke fått mulighet til å ta del i foreldrepermisjonen. Det har heller ikke vært direkte ønskelig fra mange arbeidsgivere at fedre forsvinner i ukes- og månedsvis for å være hjemme med ungene. Pappapermisjonen har gitt fedre en viktig rettighet på dette feltet, og vi ser at det virker. er i dag blitt naturlig at fedre er hjemme med ungene sine noen uker når ungene er små. Mitt og Senterpartiets håp er at det er med på å skape en holdningsendring som gir mer likestilling i familiene – til beste for ungene, for far og for mor. Senterpartiet er svært fornøyd med den måten dette nå er gjort på, ved å ha fire så å si likelydende lover som er oppbygd etter samme mal. Disse lovene er viktige, for selv om vi lever i et av verdens rikeste land, og et av verdens beste land å bo i, er det forskjell på oss – forskjell på fattig og rik – og noen blir utestengt fra viktige områder i samfunnet. Slik kan vi ikke ha det. I Senterpartiet og den rød-grønne regjeringen er vi svært opptatt av at alle skal gis like muligheter i livet. Derfor trenger vi å styrke utsatte individers stilling i samfunnet. Det er viktig å påvirke holdninger, og ikke minst å øke bevisstheten om diskrimineringspraksis og barrierer. Vi har et mål om tilgjengelighet og tilrettelegging slik at alle i størst mulig grad kan leve et fritt liv der de kan ta seg rundt på egen hånd og delta i samfunns- og arbeidsliv. Jeg er derfor glad for at hele komiteen ble med oss på en merknad som vil styrke rettighetene til en gruppe som har utfordringer spesielt i forhold til utdanning og arbeid. Det er de blinde og svaksynte. Senterpartiet er opptatt av denne gruppen, og ønsker å gi dem mulighet til deltagelse i skole og arbeidsliv på en bedre måte enn i dag. Det kan vi gjøre ved å få universell utforming av alle IKT-systemene som i dag utgjør en viktig del av norske skolers alminnelige virksomhet, og som også er en del av alle offentlige virksomheter i arbeidslivet. Slik kan disse menneskene delta i skole og arbeidsliv på linje med alle andre i samfunnet. Til slutt vil jeg vise til vår fylkesleder i Østfold, førstekandidat på Østfold Senterpartis stortingsliste og fylkesvaraordfører i Østfold, Per Inge Bjerknes. Han er blind, men har alle disse vervene samt noen til. Han viser oss at det går an. Vi må gi blinde og svaksynte, og alle andre grupper, samme mulighet til å lykkes. Da vil de kunne ta i bruk evnene sine og bidra i samfunnet – til glede for seg selv spesielt, men også for alle oss andre.

nøyaktig 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. I den sammenhengen vil jeg nevne at vi neste år igjen har et jubileum, fordi vi feirer 200-årsjubileet for Grunnloven vår. Eidsvollsmennene skapte en grunnlov som i 1814 ble ansett for å være en av de mest demokratiske i sitt slag. Jeg overdriver vel heller ikke når jeg sier at Eidsvollsmennene gjorde en svært viktig jobb for landet og var kloke menn i sin gjerning. Når det likevel gikk 99 år før vi fikk allmenn stemmerett i Norge

For også vi, her vi står 99 år etter innføringen av allmenn stemmerett og snart 200 år etter at Grunnloven ble vedtatt, er barn av vår tid. Ser vi det hele, store og riktige bildet? Og hvilken dom vil ettertiden felle over vår gjerning i så måte? Det er nettopp den refleksjonen og den ettertanken som er utgangspunktet for at Kristelig Folkeparti primært ønsker én helhetlig lov mot diskriminering, og vi ønsker en samlekategori inn i lovverket. Jeg viser til merknader og forslag i så måte. Når vi så måte. Når vi diskuterer diskriminering, skal vi for det første reflektere litt over hvordan vi bruker begrepet. Vi bruker det ganske ukritisk om mange forhold i dagens politiske debatt, men vi skal reflektere over at enhver generasjon før oss har blitt dømt av sin ettertid for ikke å ha forstått hva kamp mot diskriminering har vært for ulike grupper. Jeg vil også nevne at det har kommet betydelig med spørsmål og bekymringer til komiteen under arbeidet med lovverket knyttet til vernet mot diskriminering i forbindelse med graviditet, fødsel og permisjon, som saksordføreren var inne på. Kristelig Folkeparti har derfor fremmet, sammen med andre i innstillingen, et forslag om at loven evalueres etter å ha virket i to år, for å sikre at diskrimineringsvernet ikke svekkes på det at diskrimineringsvernet ikke svekkes på det området. Vi er glad for at regjeringen legger opp til ikke å endre rettstilstanden når det gjelder trossamfunns adgang til lovlig forskjellsbehandling under lovverket. Likevel foreslår altså regjeringen å endre bestemmelsene om tros- og livssynssamfunnenes adgang til saklig forskjellsbehandling, eller – rettere sagt – de eksisterende bestemmelsene fjernes, og adgangen til saklig forskjellsbehandling skal følge av den generelle bestemmelsen om lovlig forskjellsbehandling. Det får meg til å stusse – nettopp i lys av de spørsmålene vi i dag diskuterer – for trosfriheten er jo en del av de menneskerettighetene og de verdiene vi kjemper for når vi ønsker å kjempe mot diskriminering av enhver gruppe eller ethvert menneske som kan være utsatt for det. Når man så ender opp med å prøve å balansere de hensynene ved å ta trosfriheten ut av lovverket, slik at man

hindre det er for å bli sett på som likeverdig i vårt samfunn. Når det gjelder felles ekteskapslov, er det et vedtak jeg var med på som stortingsrepresentant. Det er et av de største øyeblikkene jeg har hatt i denne salen, og grunnen til det er nettopp at man da opphevet et av de siste formelle hindrene for å bli ansett som et likeverdig menneske. menneske. Jeg husker at det på galleriet her satt mennesker som sjøl hadde opplevd at deres kjærlighet var forbudt, at den var skammelig, med de signaler det ga til den oppvoksende slekt om måten å se på mennesker med en annen seksuell orientering. Jeg er glad for at vår regjering går enda et skritt videre og med dette nå legger fram en lov som forbyr diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Det interessante er jo at etter at lovforslaget ble lagt fram, så har mange reagert med overraskelse over at homofile, lesbiske og bifile ikke allerede har et vern mot diskriminering på alle samfunnsområder. Man kan si det sånn: Den norske kulturen er i endring, og den endrer seg ganske raskt, ikke minst ettersom vi endrer lovverket, og det er bra. I dag gjelder vernet mot diskriminering på grunn av seksuell orientering bare i arbeidslivet og i boligmarkedet, som det er blitt gjort rede for. Men vi vet jo at det er et like stort behov for vern på andre områder, f.eks. offentlig og privat tjenesteyting, utdanning, helse- og omsorgstjenester, utesteder og medlemskap i organisasjoner. Diskriminering og trakassering av homofile, lesbiske og bifile forekommer dessverre på mange samfunnsområder, og det er derfor på tide at vernet mot denne typen diskriminering utvides. Vi foreslår å lovfeste kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk som egne diskrimineringsgrunnlag. Noen har spurt hva dette egentlig handler om. De menneskene dette angår, vet meget godt hva dette handler om. Ikke minst vet vi at transpersoner i Norge er veldig utsatt for vold og veldig utsatt for diskriminering, og toleransen overfor mennesker som tøyer kjønnskategoriene, kjønnskategoriene, som oppfører seg utradisjonelt, som noen ville kalle f.eks. «femi», og som ofte blir utsatt for diskriminering i sin hverdag, innskrenker også små barns muligheter til utfoldelse og til å velge hva slags liv de ønsker å ha. Dette er dessverre en ganske utbredt del av norsk kultur. En viktig jobb for en regjering og et storting

og motstanden var særlig knyttet til en bekymring for at oppheving av likestillingsloven ville kunne svekke vernet mot diskriminering på grunn av kjønn. Vi har derfor valgt å videreføre dagens system med egne lover for de ulike diskrimineringsgrunnlagene, men vi harmoniserer altså lovene fordi vi ønsker forenkling. Vi foreslår derfor nye lover med lik struktur og begrepsbruk og enklere språk. De nye lovene viderefører i all hovedsak gjeldende regler i likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og

Vi kommer også med en likestillingsmelding hvor dette temaet vil være berørt, men jeg er glad for at komiteen også ønsker at vi skal jobbe for et lavterskeltilbud, et veiledningstilbud til dem som er utsatt for seksuell trakassering; det er dessverre et utbredt fenomen både i skolen og på mange

Mitt enkle spørsmål til statsråden blir: Hva er grunnen til at regjeringen ikke velger å følge Diskriminiseringslovutvalgets forslag om å samle alt i én lov? Dette begrunnet jeg i mitt innlegg, og årsaken var den motstanden som kom fra deler av høringsinstansene, og at det er mulig å få til et forenklet og godt system også ved å opprettholde særlover, men ved å harmonisere så langt som mulig. Og det har vi lagt vekt på; vi har tatt hensyn til dem som var særlig opptatt av at vi ikke må svekke likestillingsloven – som de fryktet ville bli resultatet – og samtidig ta hensyn til alle dem som ønsker seg et forenklet system. Vi mener at vi har klart å forene positive deler av de ulike høringsinstansenes tilbakemeldinger til oss. Mitt spørsmål er i forlengelse av det foregående. Jeg skjønte på statsråden at hun hadde lyttet til høringsinstanser; dvs. til dem som har en stemme, dem som har mektige organisasjoner bak seg, som kan gjøre seg gjeldende. Men det er altså ikke slik i dag, som representanten Grøtting var inne på i sitt innlegg, at alle har vern i Norge. Det betyr at det finnes noen der, som ikke har en organisasjon, som ikke har noen til å føre sin sak, men som vi vet eksisterer. Burde ikke nettopp en diskrimineringslov settes i en sammenheng som gjør at det er viktig å lytte til dem? dem? Når statsråden nå har valgt at disse kan diskrimineres – hva er da hennes budskap til dem, og hvordan tenker hun å forholde seg til dette? Jeg antar at representanten Thommessen nå sikter til dette med å lage en samlekategori. Det har vi vurdert, og årsaken til at vi ikke er landet på det, er at det vil føre til en uklar rettstilstand. Det vil være vanskelig å håndheve, det vil føre til en uklar rettstilstand. Det vil være vanskelig å håndheve, det vil være vanskelig også for arbeidsgivere og for dem som eventuelt blir anklaget for å diskriminere, å vite når de gjør det, og hva som forventes av dem. Vi ønsker heller ikke flere rettstvister; og vi mener dessuten det er viktig at det er Stortinget som sier hvem som skal ha beskyttelse av lovverket, at ikke det skal være mer dynamisk opp til f.eks. nemda eller domstolene.

Jeg skal ikke stå her og tolke en sangtekst og om den faller inn under et av lovverkene som vi nå legger fram forslag til. Det ville være useriøst, så hvis representanten ønsker å få en slik vurdering, må det i så fall skje i form av et skriftlig spørsmål, sånn at vi kan gjøre det skikkelig, men ellers er det håndhevingsapparatet som skal vurdere hva som faller inn under de ulike

men krevde at også lesbiske skulle inn i straffeloven. I 1993 fremmet statsråd Grete Berget forslag om partnerskapslov. Den ble vedtatt med knapt flertall. Tre år senere falt heldigvis et forslag fra Kristelig Folkepartis Kjell Magne Bondevik og Solveig Sollie om å oppheve loven. Som første regjering noensinne, inkluderte den rød-grønne regjeringen homofiles rettigheter i samarbeidsplattformen. Siden 2005 har LHBT-personer kunnet feire mange seire. Dagens lovvedtak er blant dem. Da ekteskapsloven ble vedtatt i 2008, satt jeg på galleriet sammen med Kim Friele. Vi var blant dem som brøt ut i spontan applaus. Det var en fantastisk opplevelse – et konkret uttrykk for at Stortinget vurderte oss som likeverdige med samme rett til familie som alle andre. Holdningsendringene har ikke kommet av seg selv. Kim Friele har fortalt at hun møtte mye uforstand da hun møtte stortingsrepresentanter I forbindelse med stemmerettsjubileet kåret VG henne på lørdag til Norges sjette viktigste kvinne – og interessant nok: Leserne rangerte henne som nr. 3. Avisens politiske redaktør, Hanne Skartveit, omtalte Friele slik: «Modig og rak, En foregangskvinne, en bærer av verdier, særlig denne ene grunnleggende: Alle mennesker er like mye verdt.» Ekteskapsloven, rett til å bli vurdert ved adopsjon, Norges første handlingsplan for bedre levekår og skjerpet straff for hatkriminalitet, for å nevne noe av det regjeringen har gjort, handler grunnleggende om nettopp dette: At alle mennesker er like mye verdt. Kim Frieles innsats kan ikke overvurderes, men hun har ikke vært alene. Den aller viktigste årsaken til at vi har kommet langt i Norge, er at vanlige folk har vært seg selv. I familien, Tidligere i dag traff jeg LLHs Bård Nylund og Skeiv Ungdoms Line Halvorsrud. Om noen skulle være i tvil om betydningen av dagens vedtak, oppfordrer jeg til å snakke med dem. Selvsagt er det viktig å kunne møte verden, på alle samfunnsområder, uten risiko for lovlig diskriminering. I morgen vedtar sannsynligvis Dumaen i Russland en lov som forbyr all nøytral og positiv omtale av homofile.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

så vær så god.

Det vil derfor kunne virke konfliktdempende og løsningsorientert og vil redusere langvarige og kostnadsmessige prosesser av slike saker for de alminnelige domstolene. Jordskifteloven av 1979 har hatt behov for en betydelig revisjon, og regjeringens forslag til ny lov vil være et godt verktøy for jordskifteretten i en moderne tid. Jordskifte kan – etter en lovendring for noen år siden – også gjennomføres i byer og urbane strøk og ikke kun i tradisjonelle landbruksområder. Det er også vektlagt i den nye loven at det i jordskiftesaker er mange selvprosederende parter, slik at det er viktig med en lov- og prosessordning som er lett tilgjengelig Videre viser komiteen i innstillingen til at de grunnleggende prinsippene for jordskifte blir videreført fra den tidligere loven, at hovedformålet skal være at jordskifte skal gi en samlet netto nytte for grunneierne, og at prosessen ikke skal føre til at kostnadene eller ulempene skal bli større enn nytten for noen eiendom eller Komiteen har merket seg behovet for å oppdatere jordskifteloven i forhold til andre større lovrevisjoner, herunder tvisteloven, plan- og bygningsloven og matrikkelloven. I saken er det foreslått at jordskifteoverrettene skal slås sammen med lagmannsrettene, og at lagmannsrettene styrkes med jordskiftefaglig kompetanse. Dette vil tilføre lagmannsrettene kompetanse som også kan benyttes utover de tradisjonelle jordskiftesakene. Komiteen stiller seg bak dette. Videre: Ved behandling av anke over avgjørelse i jordskifteretten skal lagmannsretten settes sammen forskjellig – alt etter hva anken eller ankene gjelder. I noen tilfeller skal det være med en jordskiftelagdommer. I andre tilfeller er det opp til førstelagmannen å bestemme at jordskiftekompetansen skal trekkes inn. Førstelagmannen kan også i noen tilfeller bestemme at både jordskiftelagdommer og en lagdommer skal være sammen i retten. I noen tilfeller kan det benyttes meddommere i retten, mens det i andre sammenhenger ikke er lagt opp til slik I innstillingen har et mindretall – komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre – merket seg at flere grunneierorganisasjoner i høringsrunden har markert en betydelig skepsis til forslaget om å gi jordskifterettene kompetanse til å danne sameie mellom eiendommer. Disse medlemmer deler i stor grad denne skepsisen. Sameie som eierform for fast eiendom i landbruket er frarådet i andre sammenhenger. Derfor vil disse medlemmene be om at denne muligheten blir praktisert i begrenset utstrekning. Under komiteens høring kom det frem en rekke synspunkter på at regjeringen har foreslått en betydelig økning i saksbehandlingsgebyret for ankebehandling av I dag betaler partene fem ganger rettsgebyret, mens det i lovforslaget innføres et gebyr på 24 ganger rettsgebyret uten at dette, etter mindretallets forståelse, er tilstrekkelig begrunnet. Flere høringsinstanser uttalte under komiteens høring at dette kan begrense ankemulighetene for en del parter på grunn av kostnadene. I komiteens behandling har komiteen sendt et skriftlig spørsmål til regjeringen om dette og har fått et relativt langt svar tilbake. I den sammenheng kom det også et innspill fra Domstoladministrasjonen med et forslag til lovparagraf som avvek noe fra forslaget fra regjeringen. Derfor har mindretallet Domstoladministrasjonens forslag til lovparagraf på dette området. Videre peker komiteen på de rekrutteringsproblemer som har vært i jordskifteretten over lang tid, og ber om at man fortsatt har et betydelig fokus på dette. Jeg tar derfor opp forslaget som fremkommer av innstillingen.

Justiskomiteen er i all hovudsak einige på alle punkt. Det einaste som det er ueinigheit om, er størrelsen på ankegebyr for behandling i lagmannsretten, slik saksordføraren var inne på. I tillegg er det òg små nyansar i synet på forslaget om å gje jordskifteretten kompetanse til å danne sameige mellom eigedommar. Den nye jordskiftelova er eit godt

verkemiddel som trengst for å skape ein ryddig og god eigedomsstruktur, også i urbane område. Jordskifte er ei kjerneoppgåve for jordskifteretten. Det er det ingen annan domstol eller forvaltingsorgan som har kompetanse til å gjere. Lovforslaget inneheld ei rekke endringsforslag. Det er m.a. tydeleggjort kva partane har råderett over i ei jordskiftesak. Det vil også bli endringar i forholdet mellom omskiping og avskiping etter servituttlova og omforming og avløysing etter jordskiftelova. Det er òg forslag om å endre verkemidla om jordskifte slik at dei får ei meir generell utforming, til forskjell frå gjeldande reglar som i stor grad byggjer på opprekning av ulike typetilfelle. Forslaget utvidar også jordskifteretten sin kompetanse. Me får nå ei mykje klarare tydeleggjering i rollefordelinga mellom kommunane og jordskifteretten. Når det gjeld ueinigheita i komiteen om størrelsen på ankegebyret i lagmannsretten, er det etter fleirtalet sitt syn ingen gode argument for at gebyret ved anke til lagmannsretten skal avvike frå gebyret ved andre saker lagmannsretten skal behandle. Eg viser til det eg tidlegare sa om at jordskifteretten gradvis går frå å vere ein landbruksdomstol til å bli ein generell domstol for eigedomsspørsmål. Så fleirtalet følgjer departementet og regjeringa, i motsetnad til mindretalet som følgjer Domstoladministrasjonen. Arbeidarpartiet ser ingen grunn til å forskjellsbehandle ankesaker som omhandlar jordskifte og andre tilsvarande type saker i

Det er flere selveiertomter og selveiere i det norske samfunn, og etter Høyres mening er det definitivt et gode at man på den måten får et eierskap til sine omgivelser. Det i seg selv inviterer også til å ta mer ansvar for sine omgivelser, og det er bra. Lovens formål er å legge til rette for effektiv og av de respektive eiendommer – et ærverdig og nødvendig formål når vi skal sørge for at den samfunnsmessige bruken og nytteverdien i størst mulig grad sammenfaller med den private nytteverdien. Det er også et gledelig trekk at den nye loven i stadig større grad legger til rette for at den også kan benyttes i urbane områder. pst. av landets befolkning bor i såkalte urbane områder, og da trengs det selvfølgelig også der, på samme måte som i distriktene, en lov som regulerer eiendomsforhold på en fornuftig og god måte. For Høyres del er det særlig tre elementer jeg har lyst til å trekke fram: Det ene er at proposisjonen nå legger opp til at man fjerner utdanningsmonopolet til jordskifteretten, som i dag ligger til UMB. Nå fjerner man altså monopolet, men senker ikke kravet til de faglige krav som skal fylles opp. Det er bra. Det vil lette rekrutteringen inn i dette fagfeltet, og det er nødvendig. Det har vi forstått, det har vi sett, og det har vi blitt grundig forklart. Det andre elementet vi vil peke på som positivt, er den nye ankeordningen, ved at det er lagmannsrettene som overtar som ankeinstans. Det fører til en god og – jeg vil si – nødvendig inkludering og helhet i norsk rettssystem ved at jordskifterettene på den måte inkluderes i større grad enn det vi før har sett. Det tredje og siste elementet jeg vil ta opp, går på opprettelse av sameie. Som det står i loven, kan jordskifteretten opprette sameier. Det Sett fra Høyres side er det grunn til å ta med seg og gi et signal fra vår side om at det er betenkelige sider ved sameie som eierform, selv om vi ikke ser bort fra at det kan ha positive effekter i noen sammenhenger. Vi peker på de rammene som loven setter for å opprette om at det skal foreligge særlige grunner før man oppretter et sameie – det er viktig å legge til grunn, mener vi – og deretter § 3-5, som er en subsidiær paragraf til den foran nevnte § 3-8. Det ligger altså to sikkerhetsventiler i rettssystemet før man går til det skritt å opprette et sameie, som altså er en eierform som i andre sammenhenger er frarådet. Med de to sikkerhetsventilene har ikke Høyre fremmet et alternativt forslag, men går for lovteksten slik den foreligger. Det framgår også av innstillingen at Høyre sammen med Fremskrittspartiet har et mindretallsforslag hvor vi bygger på Domstoladministrasjonens opplysninger om saksbehandlergebyret, saksbehandlergebyret, og således støtter Domstoladministrasjonens syn. Til slutt legger Høyre stor vekt på at ikrafttredelsestidspunktet for denne loven skjer raskt, og at de tilhørende administrative systemene raskt kommer på plass, slik at den nye og gode loven også kan tre i kraft og virke så

Det er et godt faglig grunnlag for departementets forslag til endringer, og det er nok en av årsakene til at det i stor grad er enighet om endringene på tvers av partilinjene i denne saken. Selv om dette er en forbedring av loven, vil jeg vise til at de grunnleggende prinsippene for jordskifte blir videreført fra den tidligere loven, og at hovedformålet fortsatt skal være at jordskifte skal gi en samlet netto nytte for grunneierne. Prosessen skal ikke føre til at kostnadene eller ulempene skal bli større enn nytten for noen eiendom eller bruksrett. Når det gjelder endringene som nå blir gjort, er jeg glad for at jordskifte nå også kan gjennomføres i byer og urbane strøk, og ikke kun i tradisjonelle landbruksområder. Senterpartiet støtter også opp om forslaget om å gi jordskifterettene kompetanse til å kunne danne sameie mellom eiendommer. Spesielt viktig er dette i byer og urbane strøk hvor det kan være situasjoner hvor man med hjemmel i loven bør kunne etablere eierstrukturer som på en hensiktsmessig måte avklarer rettigheter til og bruk av fellesarealer og infrastruktur. Senterpartiet har gjennom flere stortingssaker de siste årene tatt opp utfordringene som ligger i rekruttering til ledige stillinger som jordskiftedommere. Dette har også vært omtalt i tidligere budsjettinnstillinger fra komiteen, og jordskiftedommere har fått en lønnsoppgang under denne regjeringen. Vi i Senterpartiet vil fortsatt jobbe for bedre lønnsvilkår for jordskiftedommerne for å tette gapet til den øvrige dommerstanden. God rekruttering av kvalifisert personell til jordskifterettene er viktig, og i så måte er det viktig at det nå åpnes for at flere utdanningsinstitusjoner kan tilby Til slutt vil jeg slutte meg til forslaget om å slå jordskifteoverrettene sammen med lagmannsrettene, og at lagmannsrettene styrkes med jordskiftefaglig kompetanse. Dette vil tilføre lagmannsrettene kompetanse som også kan benyttes utover de tradisjonelle jordskiftesakene. Nå gjenstår det bare at den nye loven kan tre i kraft så snart som mulig, og at de administrative tilpasningene og innføringen av IKT-systemene skjer snarest. For at vi skal lykkes med dette, må de nødvendige bevilgninger på plass, noe denne regjeringen er klar for å gjøre. Jeg er glad for å høre et så samstemt storting, og at et samstemt storting sier at dette er en viktig lov og en lov med stor samfunnsmessig betydning. Hovedformålet med å revidere jordskifteloven er å skape en mer moderne lov for jordskifterettens virksomhet. Lovforslaget innebærer en bedre lovstruktur og klarere skille mellom virkemidler og saksbehandlingsregler. Lovforslaget innebærer også at jordskifterettens spesialkunnskap kan utnyttes på en bedre måte i skjønnssaker. Rettssikkerheten styrkes gjennom en enklere og klarere ankeordning. Jordskifteloven etablerer jordskifterettene og hjemler arbeidsoppgavene deres. Hovedvirksomheten til jordskifteretten er å forbedre vanskelige og utjenlige driftsforhold, avklare grenser mellom eiendommer og utgreie uklare rettighetsforhold. Jordskifteretten står også for en del praktisk oppfølging når det gjelder tinglysing og matrikkelføring. De alminnelige domstolene kan på samme måte som jordskifteretten avklare rettsforhold knyttet til fast eiendom. De kan imidlertid ikke etablere nye og mer hensiktsmessige eiendomsforhold eller nye samarbeidsformer mellom eiere og rettighetshavere, slik jordskifteretten kan. Den nye loven vil i hovedsak føre videre de virkemidlene jordskifterettene kan gjøre bruk av i dag. Jordskifterettene skal fortsatt kunne bytte om på parseller, stifte, flytte og oppheve rettigheter, danne samarbeidslag og fastsette vedtekter m.m. Virkemidlene i loven vil legge til eier- og bruksforhold både i landbruksområder og i mer urbane strøk. Loven legger til rette for utvikling i byggeområder ved at planskapt verdiøkning kan fordeles mellom grunneiere. Det vil heller ikke etter den nye loven være nødvendig med tvist mellom partene for å reise en sak. Det er nok at partene mener at eiendommene deres er vanskelige å utnytte på en tjenlig måte, eller at de mener grensene er uklare og vil ha hjelp til å få klarlagt dem. Lovforslaget vil bygge videre på at jordskifteretten skal forsøke å få til minnelige løsninger. Med hensyn til parter som selv prosederer for retten, er lovens rettledningsplikt viktig. Lovforslaget fører til bedre struktur i reglene om skjønn. Loven innebærer en mer forståelig bruk av skjønnsbegrepet. Loven skaper også større ryddighet fordi det blir færre aktører i saker om skjønn. Jordskifterettens spesialkunnskap blir bedre utnyttet, og reglene om saksbehandling forenkles. Den viktigste reformen er endringene i ankeordningen. Dagens ordning med to ankeinstanser, lagmannsretten og jordskifteoverretten, innebærer fare for at man anker til feil instans, og dermed risikerer å lide rettstap fordi anken ikke kan tas under behandling. Etter lovforslaget blir det bare én ankeinstans – lagmannsretten. Jordskifteoverrettens kompetanse overføres til lagmannsretten gjennom innføringen av en ny dommerstilling – jordskiftelagdommeren. Jordskiftelagdommeren skal være med på behandlingen av alle ankesaker der jordskiftekompetanse er nødvendig. Styrking av lagmannsretten med jordskiftelagdommere kan også ha en positiv effekt på andre tilgrensende sakstyper. Loven åpner nemlig for at jordskiftelagdommeren kan delta i behandling av andre saker om fast eiendom dersom det er kapasitet til det. Reglene om sakskostnader og gebyr blir i hovedsak ført videre. Jeg har merket meg at komiteen har hatt ulike syn på forslaget om endringer i ankegebyret. Jeg tar til etterretning at komiteens flertall slutter opp om regjeringens forslag. Gebyret for anke til lagmannsretten vil med lovendringene bli det samme ved alle avgjørelsesformene jordskifteretten kan ta. Rekrutteringen til jordskiftedommerstillingene er en utfordring. Det er ikke mange kvalifiserte søkere til de stillingene som utlyses. Noen grep for å bedre dette er allerede gjort, bl.a. gjennom bedre lønnsbetingelser og oppheving av utdanningsmonopolet for jordskiftedommere som Landbrukshøyskolen – nå Universitetet for miljø- og biovitenskap har hatt. Flere utdanningsinstitusjoner skal ligge i startgropa med relevant utdanningstilbud, og jeg tror dette vil bedre rekrutteringen på litt sikt. Utøvere av den samiske reindriften kan i dag være part i sak for jordskifteretten når det gjelder forhold mellom reindriften og andre rettighetshavere. Statens plikt til konsultasjoner er ivaretatt ved utarbeidelse av lovforslaget. De forslagene som gjelder samiske interesser, er akseptert av Sametinget og Til slutt vil jeg takke komiteen for å ha behandlet denne proposisjonen på en ordentlig og skikkelig måte. Det har vært et omfattende arbeid. Det var en massiv proposisjon som komiteen fikk, og jeg er imponert over hvordan saksordføreren la fram saken på en ryddig og grei måte. Flere har ikke bedt om ordet til sak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

Det er viktig for folks rettsoppfatning at straffedømte soner straffen raskt etter domsavsigelse. Det er også viktig for den straffedømte å få sonet straffen sin raskt, slik at vedkommende får gjort opp for seg og får komme seg videre i livet. Da den rød-grønne regjeringen overtok etter Bondevik II-regjeringen, var soningskøen på rundt 3000. Siden 2006 er det opprettet nærmere Etter at regjeringen har økt politiets ressurser, har behovet for varetektsplasser økt. Presset på kriminalomsorgen er for tiden stort, med høy beleggsprosent og stort arbeidspress på de ansatte. Den nylig framlagte kapasitetsplanen for kriminalomsorgen gir et godt bilde for framtidig behov for soningsplasser i landet vårt – både typer soningsplasser og hvor i landet behovet er størst. Dette er et godt verktøy i planleggingen av ny soningskapasitet.

Det er Arbeiderpartiet uenig i. En slik forskjellsbehandling strir både mot internasjonale forpliktelser og vårt menneskesyn. Det finnes ingen saklig grunn til å diskriminere utlendingene ved å tilby dem dårligere soningsvilkår enn nordmenn. Dagpenger er en ytelse som gis alle innsatte med aktivitetsplikt og er tenkt å dekke personlige forbruksartikler. Hvis det er slik at Fremskrittspartiet mener at fengslet skal holde innsatte med forbruksartikler – slik de skriver i merknadene fordi utlendingene ikke da vil trenge dagpenger, hvorfor mener Fremskrittspartiet da at nordmenn skal beholde dagpengene? Og hvorfor ønsker Fremskrittspartiet og Høyre at utlendinger skal sone i fengsel med dårligere standard enn nordmenn? Mener Fremskrittspartiet og Høyre at dersom soningsforholdene blir dårligere, vil utlendingene la være å begå kriminelle handlinger? Med høyrepartienes argumentasjon på dette punktet må vel det samme gjelde for nordmenn? Tidligere i denne perioden var justiskomiteen på komitéreise i Romania. Der besøkte vi bl.a. et fengsel. De fleste av oss reagerte sterkt på forholdene der. Det var svært mange som sonet på samme celle, og de lå stuet sammen i køyesenger på tre etasjer. I en av cellene telte vi opp mot 20 innsatte. Det var kun ett toalett uten dør på deling per celle. celle. Muligheten til personlig hygiene var minimal. Luftegårdene var små nettingbur der fangene nærmest sto på utstilling. De innsatte måtte selv delvis dekke kostnadene til mat osv. Mange vil nok karakterisere dette fengselet som avskrekkende. Men hvorfor var da fengselet stappfullt, som vi sier på Nordmøre? Var det ikke Det finnes mange fengsler som har enda dårligere standard enn fengslet vi besøkte i Romania. De er også stappfulle, og landet som disse fengslene ligger i, har mye mer kriminalitet enn det vi har i Norge. I flere av disse fengslene er det også mye vold, og det er meget høyt tilbakefall til ny kriminalitet etter endt soning. Slik er det ikke i Norge. Arbeiderpartiet mener bestemt at det å redusere standarden i fengslene våre ikke er veien å gå for å få kriminaliteten ned – verken blant utlendinger eller nordmenn. Vi tror at det er helt andre tiltak som vil få kriminaliteten ned. Derfor støtter vi ikke forslagene fra Fremskrittspartiet og Høyre.

fra en type soning til en annen. Det er ikke bra – ikke minst overfor andre der ute som ser at det faktisk ikke får konsekvenser når man får en tung dom og ikke blir satt inn til lukket soning, som en burde. Det har vært en diskusjon og statsråden har nylig hatt et større innlegg i diverse aviser – om både varetekt hjemme og soning med lenke. Der må jeg si at vi i Fremskrittspartiet reagerer sterkt på at det nå åpnes opp for varetekt i hjemmet. Nå har vi hatt en egen sak om dette i komiteen, men det kan ikke sies nok at hele fengselskapasitetsplanen må ses i sammenheng.

tilbakefallsprosenten. Det blir også brukt som et argument for at det er veldig bra å kunne sone i hjemmet. Det er bare det at hvis man tenker på tilbakefallsprosenten, må man også se på de kriminelle som man henviser til. I dag er det jo slik at de fleste av dem som har kunnet benytt seg av denne prøveperioden, har vært førstegangskriminelle, innsatte for bøtesoning, innsatte som soner dommer på inntil fire måneds ubetinget fengsel – de har fått den slags soning. soning. Det sier seg selv at for dem er det en lavere tilbakefallsprosent enn for hardkokte kriminelle som sitter i fengsel. Derfor synes jeg ikke det argumentet er godt nok å bruke, at vi skal ha enda flere og en helt annen type kriminelle inn i hjemmesoning. Så har vi også sett at veldig mange har sluppet ut for tidlig fra soningen, ikke lenger bare etter tre fjerdedelers soning. Det er faktisk noen som har sluppet ut etter halv soning. soning. Alt dette er på grunn av mangel på god nok fengselskapasitet. Jeg skal ikke komme inn på innholdet i soningen, selv om det også har vært et tema med hensyn til kvalitet, bruk av vikarer, bruk av ufaglærte osv. Da justiskomiteen var i Tyskland på komitéreise, fikk vi alle se hvordan de løste en del av utfordringene i Frankfurt når det gjaldt varetektsplass på

Så til saksordførerens innlegg og dette med dagpenger til utenlandske innsatte. Det er to forskjellige land vi snakker om. Det går ikke an å sammenlikne norske kriminelle med utenlandske kriminelle når det gjelder dagpengene. Dette har å gjøre med at en utenlandsk kriminell ikke har dagpenger og har ikke den tilgangen, som vi vet er 56 kr eller hva enn dagens sum er. Det er jo som en vanlig dagslønn for vanlig arbeid.

så absolutt er til stede. Men det er et byråkrati her. Det er et system i Norge som ikke har lagt godt nok til rette for dette. Fremskrittspartiet vil kjøpe plass. Vi vil få til eventuelt bygging av nye fengselsplasser – for det ville være en vinn-vinn-situasjon. Det er mye vi kan gjøre.

har varetektsfanger så langt unna som i Finnmark. Man kan tenke seg hvilke samfunnsmessige kostnader det innebærer – i tillegg til den tunge saksbehandlingen som følger med. Vi må se framover. Vi må ta utgangspunkt i det som er dagens utfordringer, og så må vi se framover. Den økende andelen utenlandske statsborgere i norske fengsler er åpenbart en utfordring vi må jobbe mer med. Varetektssituasjonen har jeg nevnt. Det er en annen utfordring det må jobbes mer med. Ikke minst må vi intensivere arbeidet med soningsoverføring, slik at vi får større kapasitet, mindre press og større grad av sammenheng mellom den innsatsen politiet gjør, som domstolene gjør og helt ut til soning. Derfor går Høyre sammen med Fremskrittspartiet og fremmer tre forslag, som det framgår av innstillingen. Forslag nr. 1 gjelder å få en kapasitetsplan til politisk behandling her i Stortinget. Det har Høyre tatt opp mange ganger, og det er blitt avvist hver gang. Vi mener at det å få en politisk behandling av en kapasitetsplan som tar opp i seg hele bredden av utfordringer i kriminalomsorgen, ville styrke veien videre, i kraft av at vi da får større grad av eierskap til de tiltak og strategier vi velger. I stedet legges det opp til at kapasitetsplanen blir et internt, departementalt og byråkratisk dokument, uten politisk forankring her i Stortinget. Det er Høyre skuffet over, fordi vi som sagt mener det motsatte hadde vært en styrke. Forslag nr. 2 gjelder det å få en gjennomgang av og oversikt over økonomiske og sosiale ytelser, innenfor rammen av våre internasjonale forpliktelser, naturligvis. Men så kan vi heller ikke se bort fra at det kan ligge elementer i de økonomiske ordningene for de innsatte som kan være, for å si det slik, litt formildende forhold for de innsatte som kanskje kommer fra andre land. Vi kan ikke se bort fra at det her ligger noen slike effekter, og det må vi få en oversikt over, slik at vi kan ta stilling til det på et politisk nivå og vurdere, drøfte og debattere det og votere over om elementer der skal endres. Det tredje forslaget gjelder å intensivere arbeidet med soningsoverføring. Det har blitt inngått flere avtaler. Det er bra. Det er positivt. Det er nødvendig. Men vi mener mer kunne vært gjort og burde vært gjort fra regjeringens side. side. Som det ligger i forslaget: Vi mener det i noen tilfeller også kunne vært aktuelt å kjøpe plasser i den domfeltes hjemland. Dette vil redusere muligheten til å bygge nettverk i norske fengsler. Det vil redusere muligheten til å

Skolegang og arbeidstrening er viktig i arbeidet med å hindre tilbakefall til en kriminell løpebane og for å lette de innsattes vei tilbake til samfunnet. Det er viktig for alle dem som skal føres tilbake til det norske samfunnet. Når det gjelder de som ikke skal føres tilbake til det norske samfunnet, er Kristelig Folkeparti opptatt av at det kommer på plass flere avtaler om soningsoverføring, slik at utenlandske kriminelle i større grad kan sone i sine

Kriminalomsorgens kapasitetsplan med enhetsstruktur for fengsler og friomsorgskontor, som kom i januar i år, er en slik omfattende plan med forslag til hvordan kapasiteten i kriminalomsorgen bør settes sammen for å dekke framtidig kapasitetsbehov. Den kommer med forslag til hvordan vi kan fjerne soningskøen og forhindre ny kø samt legge til rette for en straffegjennomføring etter intensjonene i Som mindretallet i komiteen skriver i sine merknader, vil denne kapasitetsplanen være et grunnlagsdokument for de prioriteringene som departementet vil gjøre med hensyn til eventuelle forslag om utbedringer og utvidelse i eksisterende fengsel eller nybygg. Kristelig Folkeparti er enig med Fremskrittspartiet og Høyre når de etterlyser politisk behandling av kapasitetsplanen i Stortinget. Da ville vi fått en større forankring, som igjen ville gitt kriminalomsorgen forutsigbare signaler om framtidige investeringer og enhetsstruktur, og vi ville fått en viktig debatt i Stortinget. Når det gjelder forslag nr. 3, vil jeg komme med en presisering. Vi opplever at det har vært jobbet med å oppnå avtaler om soningsoverføring av utenlandske kriminelle, men at antallet soningsoverføringer utenfor Norden har vært relativt Derfor støtter vi forsalget om at regjeringen umiddelbart starter arbeidet med å intensivere antallet soningsoverføringer, og at det i noen tilfeller der det er avtaler, eller der det er mulig, også åpnes for å kjøpe soningsplasser til utenlandske straffedømte i

fordi de har forstyrret rettsordenen i vårt samfunn og redusert livskvaliteten til mennesker. Men det er likevel alvorlig for et menneske å bli fratatt friheten, og derfor må vi vite: Hva er målet med dette? Hvorfor setter vi mennesker bak lås og slå? Hvis det er hevn, har vi et problem som samfunn. Et sivilisert samfunn hevner ikke, selv ikke mot som bryter samfunnsordenen. Målet er – det har vi ettertrykkelig slått fast i St.meld. nr. 37 for 2007–2008 om straff som virker – å forebygge, å rehabilitere, å føre dem tilbake til samfunnet som bedre mennesker enn den gang de gikk inn i fengselet. Da er spørsmålet om de tiltakene som Fremskrittspartiet nå foreslår, foreslår, er med på å gjøre dem til bedre mennesker? Vil de nå de målene som også Fremskrittspartiet faktisk var enig i den gangen vi behandlet St.meld. nr. 37? Jeg ble imponert over saksordførerens innlegg. Hun kom med gode eksempler fra andre land som vi ikke liker å sammenlikne oss med, f.eks. Romania. De som sitter inne, blir de bedre mennesker når de kommer ut? Er forholdene riktige? Er det slik tilrettelagt at de som sitter inne, vil bli bedre mennesker når de kommer ut? Og hvis målet delvis også er å avskrekke, er det avskrekkende? De landene som faktisk har langt høyere kriminalitetsnivå enn oss, er nettopp de landene hvor forholdene i fengslene er langt verre enn hos oss, så det er ingen logikk i eller sammenheng mellom å ha dårligere forhold i fengslene og å nå disse målene. Av og til blir man faktisk veldig oppgitt og skjønner egentlig ikke hva målet er med de forslagene og tiltakene som Fremskrittspartiet fremmer på forskjellige samfunnsområder. Dette er et av dem. La oss ta et veldig banalt eksempel. Jeg synes ikke at dette forslaget burde ha vært

eller oppe i Finnmark? Eller kjøper de det i Russland eller Polen? Det er jo klart at det er på det samme markedet som de som er norske borgere, kjøper tannkrem og andre barberingsartikler. Da koster det akkurat det samme. Hvis vi ønsker å redusere prisene, måtte disse artiklene importeres fra det er da de blir billigere. Noen ganger er forslagene så banale at du nesten ikke har et ønske om eller blir fristet til å debattere dem. Vi og den rød-grønne regjeringen er stolte over den kriminalomsorgen som vi har levert i løpet av de siste åtte år. Vi har i samarbeid med dem som gjør denne jobben, levert og lagt lange linjer for hvordan vi skal forebygge og rehabilitere, og resultatene taler for seg selv. Vi har fortsatt et lavt kriminalitetsnivå i vårt land, vi har fortsatt mindre tilbakefall i vårt land sammenliknet med mange andre land, og vi lykkes med resten av politikken også. Så må jeg si: Man prøver å gi et inntrykk av at opposisjonen står samlet når det gjelder kriminalomsorgen, men det er ikke mye. Du kommer ikke lenger enn til forslag nr. 3 før dette korthuset faller sammen. Det er disse partiene som skal styre landet sammen – dersom det mot formodning skulle bli et flertall – og da vet vi egentlig ikke hva slags kriminalomsorg vi kommer til å få i dette landet. Denne regjeringen er

kan skje ved bruk av alternativer til fengsel i moderat grad, og derfor registrerer jeg med glede at innføringen av straffegjennomføring med elektronisk kontroll har gitt gode resultater så langt, og også gir flere fengselsplasser til rådighet. I perioden fra 2006 til i år er det etablert soningskapasitet tilsvarende om lag 890 plasser. Det er opprettet 657 nye fengselsplasser. I tillegg har etableringen av straffegjennomføring med elektronisk kontroll gitt en kapasitet som tilsvarer 237 plasser. Det er også gjennomført stengninger av enkelte fengselsplasser, slik at den samlede netto tilveksten fra 2006 til i år er 513 fengselsplasser. I fjor ble det iverksatt en konseptutvalgsutredning for aktuelle tiltak vedrørende de eldre og uhensiktsmessige fengslene i fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder – i dag er den til ekstern kvalitetssikring. Bruken av varetekt har økt de siste årene fordi vi har styrket politiet, vi har etterforskningsmetoder som har blitt mer effektive, vi har en høyere oppklaringsprosent, og det er også en økning i varetektsfengslingen av utenlandske kriminelle. Den gjennomsnittlige sittetid i varetekt har også økt, og jeg følger derfor denne situasjonen nøye. Om forslagene til representantene vil jeg nevne at Kriminalomsorgens sentrale forvaltning har en kapasitetsplan, og planen er allerede omtalt i dagens debatt. Planen følges opp i departementet og vil være et grunnlagsdokument for de prioriteringer som regjeringen vil gjøre med hensyn til eventuelle utbedringer eller nybygg. Eventuelle forslag til etableringer av nye plasser, med bevilgningsforslag, vil bli lagt fram for Stortinget på ordinær måte. måte. Derfor er det slik at regjeringen ikke legger opp til å framlegge forslaget til kapasitetsplan til behandling i Stortinget. Straffegjennomføringslovens utgangspunkt er at alle innsatte skal behandles likt uavhengig av status. Det er viktig å presisere at utenlandske innsatte er underlagt samme aktivitetsplikt som andre, og at dagpengene er en ytelse for dette. Dagpengene skal dekke, som vi hørte, innsattes behov for nødvendige toalettsaker m.m., og alle innsatte forholder seg til samme priser. Regjeringen har etablert et fengsel for utenlandske innsatte i Kongsvinger. Innholdet i straffegjennomføringen er tilpasset målgruppen og er i samsvar med nasjonale og internasjonale forpliktelser. Før det tas stilling til om det skal opprettes flere slike fengselsplasser, er det nødvendig å hente ut erfaringer over en lengre driftsperiode. I Norge er erfaringen at en blandingsmodell, der fengslene kan motta både doms- og varetektsinnsatte, er mest hensiktsmessig. Det innebærer mer fleksibilitet i kapasitetsutnyttelsen, og det gir også større mulighet for aktivisering av varetektsinnsatte for å motvirke isolasjonsskader. Det er også den mest ressurseffektive ordningen. Det er et mål at utenlandske innsatte så raskt som mulig skal overføres til fortsatt soning i hjemlandet. Alle land som har ratifisert overføringskonvensjonen, har forpliktet seg til å samarbeide om overføring av egne borgere. Det er derfor ikke hensiktsmessig at Norge kjøper plasser for å oppnå samme mål. Om dette bare hadde dreid seg om fengselsplasser, tror jeg faktisk vi hadde sett større omfang i overføringen. På denne bakgrunn ser jeg det ikke som hensiktsmessig å iverksette de foreslåtte tiltakene i representantforslaget nå. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Aller først må jeg si at jeg kjenner igjen debatten.

hun nærmest problematiserer og gjør det til et problem at fanger går fra lukket til åpen soning, og så eventuelt til hjemmesoning. Det er jo det som er mye av intensjonen i St.meld. nr. 37 for 2007–2008, og som mange av oss har sett gir mye bedre resultater når det gjelder rehabilitering. Kanskje noe av det aller viktigste i rehabiliteringsarbeidet er den soninga som har progresjon i seg, og som signaliserer progresjon til den som faktisk er inne og soner sin straff. Jeg syns derfor det er grunn til å understreke i denne debatten at skal man lete etter flere kapasitetskilder i arbeidet for å få ned køer og øke kapasiteten – og det må man, selv om køene nå ikke på langt nær er så høye som da Høyre og Fremskrittspartiet lagde budsjetter i dette landet – bør man først og fremst se hen til de f.eks. det å kunne utvide ungdomsstraffen, slik at den blir landsdekkende så raskt som mulig. Et annet eksempel er hjemmesoninga – se på kapasiteten der. Jeg er glad for at regjeringa gjør det den gjør på dette området – sist i Nordland, var det vel. Det er mange fordeler ved å se på disse alternative reaksjonene, først og fremst fordi flertallet av dem som er inne og soner, soner svært korte straffer. straffer. I så måte tar det opp mye kapasitet – man går ut og inn – men man trenger mer innholdsmessige tiltak enn det vi kanskje evner å kunne gi dem i dag. På sikt vil det være svært forebyggende å kunne gi dem en reaksjon som bidrar til å rehabilitere – ikke sørge for at de som sitter i denne salen om ti år, står med det samme problemet. Det andre er at jeg mener det vil skape bedre fleksibilitet i hele systemet om man får større volum på de alternative reaksjonene. Det frigjør lukkede plasser fra soningsfanger som strengt tatt ikke trenger det – plasser som vi fint kunne bruke på dem som må i varetekt, eller dem som på grunn av alvorligheten i domfellelsen må sone bak lukkede dører.

det som er en hovedutfordring nå, nemlig at vi har en for stor andel utenlandske kriminelle i norske fengsler som vi ikke vet hva vi skal gjøre med. Da synes jeg det er på grensen til småfrekt å bruke mesteparten av tiden på å prate om Høyres og Fremskrittspartiets angivelig menneskeforaktende politikk. Så vidt jeg husker, var det menneskeforakt inntil i fjor – med egne fengsler og avdelinger for utenlandske kriminelle – mens det med egne fengsler og avdelinger for utenlandske kriminelle – mens det nå er god solidarisk SV- og arbeiderpartipolitikk, hvor man har innhold i soningen for mennesker med en annen bakgrunn. Det synes jeg sier litt om at i det øyeblikket Høyre og Fremskrittspartiet foreslår noe, er det menneskeforakt, men hvis SV mener det, er det godt innhold i soningen å sørge for at alle får et forsvarlig tilbud. Jeg kunne ønske at statsråden i løpet av debatten ga én god grunn til ikke å å legge frem kapasitetsplanen for Stortinget. Man har sagt at man ikke vil, men grunnen til det har vi ennå ikke fått med oss. Jeg synes det til forveksling er likt det at man brukte mange, mange år på å komme frem til at en politistudie ikke var så dumt. Nå kaller statsråden det riktignok for en politianalyse, mens politidirektøren kaller det ved sitt rette navn: politistudie. Det er interessant at det er en viss uenighet i Vi trenger å få en kapasitetsplan til Stortinget, og vi trenger også en revidering av St.meld. nr. 37. Det de ansatte sier, er at det er ikke mulig å gjennomføre alle de viktige prinsippene vi er enige om, for ressursene og mulighetene til å gjennomføre dem er ikke der. Justiskomiteen var på besøk i Bodø.

registrerer at saksordføreren i dag bruker samme ytring. Nå er det altså menneskesyn og brudd på internasjonale forpliktelser som skal være gjennomgangstonen i valgkampen. Det skal vi svare på, for hvis det er snakk om brudd på konvensjoner og internasjonale avtaler, er det nok å plukke fra når det gjelder denne regjeringen. Det har kommet påpakninger fra forskjellige internasjonale fora de siste 15 Men jeg ser at det er det som skal brukes når man går tom for saklige argumenter. Så er det sånn at kriminalomsorgen gjør en fantastisk jobb. De jobber knallhardt hver eneste dag, og de er i førstelinjen når det gjelder å se at utviklingen går i negativ retning. Min komité har fått informasjon fra flere som jobber i kriminalomsorgen. Det er uholdbare forhold. Man greier ikke å overføre utenlandske kriminelle. Det har blitt en farse. Justisministeren viser til overføringskonvensjonen. Den betyr ingenting, det hjelper ikke på kapasiteten i det hele tatt. EU har bestemt at nå skal det bli en obligatorisk overføring mellom land i EU – Norge blir ikke med. Situasjonen for Norge blir at utfordringene vi står overfor, blir enda større. i forhold som har vært problematiske i mer enn denne regjeringens regjeringstid. Det var slik under Bondevik II også. Ja, det var slik under Stoltenbergs første regjering også. Det var slik under Bondevik I-regjeringen også. Denne situasjonen har gått fram og tilbake, opp og ned, med vekslende utfordringer siden undertegnede kom inn på Stortinget i 1997. Det er en forskjell på Fremskrittspartiet og de andre partiene: Ja, vi vil følge opp våre forslag og lovnader i St.meld. nr. 37 for 2007–2008, men vi vil ikke være med på å norsk kriminalomsorg ved å slippe flere ut. Det er det det dreier seg om. Vi mener at hvis vi tar et krafttak for å få overført utenlandske kriminelle og reduserer standarden for utenlandske kriminelle, vil det gi oss en massiv kapasitet. Det er det det handler om, men så ønsker man ikke å ta tak i debatten og bruker ord og uttrykk som «menneskesyn» og «internasjonale forpliktelser» til å gjemme seg bak. Jeg har allerede redegjort for hvordan vi har jobbet for å øke kapasiteten, og

Vi følger opp også kapasitetsplanen på egnet måte overfor Stortinget, og – som jeg redegjorde for – gjennom de årlige budsjettproposisjonene. Det vil selvsagt også være en aktuell problemstilling knyttet til hvordan vi skal legge en langsiktig, god plan for styrking av politiet. Det er også riktig at jeg har uttrykt synspunkter på forslag knyttet til innvandringsområdet, som er framlagt av representanter i denne sal. Jeg har gitt uttrykk for at forslagene – bl.a. et forslag om fengslingsregime knyttet til asylinstituttet, som så langt er ukjent, tror jeg, både i dette landet og i europeisk sammenheng – for meg ser ut til asylinstituttet, som så langt er ukjent, tror jeg, både i dette landet og i europeisk sammenheng – for meg ser ut til å bygge på et menneskesyn som jeg ikke kan stille meg bak. Jeg har aldri uttrykt meg om personer når det gjelder deres syn på det ene eller det andre.

Derfor foreslo Fremskrittspartiet fengsel for utenlandske kriminelle, noe som den gangen nærmest tilkjennega et dårlig menneskesyn, men som nå har blitt en realitet. På tross av at Stortinget har stemt det ned, har denne regjeringen gjort det. Regjeringen har faktisk handlet imot Stortingets intensjon – det er også interessant i seg selv. Så er det altså sånn – jeg kan gjerne stille spørsmålet til Akhtar Chaudhry: Når vi skal overføre utenlandske kriminelle til Romania,

dagpengefunksjonen til de utenlandske kriminelle når de soner i opprinnelseslandet? Det er det det dreier seg om. For meg og mange i Fremskrittspartiet er det også slik at fengselsstraff innebærer en frihetsberøvelse som skal brukes til å rehabilitere sterkest mulig. Samtidig har jeg en følelse av at man fortsatt glemmer en vesentlig ting: Det er at straffetiltak og sanksjoner har man også for å beskytte offeret som har vært utsatt for en kriminell handling, og for å beskytte samfunnet for gjentakelser. Det glemmer man i denne debatten. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 11. Etter ønske fra justiskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 12 og 13 behandles under ett. – Det anses vedtatt.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

et ryddig samarbeid og en god prosess, sett fra min side i alle fall. Det er to saker: Den ene er representantforslag nr. 96 fra Fremskrittspartiet om å innføre et tiggeforbud og få en tiltaksplan mot tigging, og den andre er Prop. 152 L om endringer i politiloven, hvor regjeringen foreslår at det i de lokale politivedtektene kan fastsettes vilkår for pengeinnsamling, og hvor det også kan pålegges meldeplikt og føres register over sådant. Stortinget vedtok løsgjengerloven opphevet i 2005, basert på at man den gangen så stort sett ganske slitne rusmisbrukere stå for tiggingen, at det var et åpenbart sosialpolitisk grep, og at sosialpolitiske utfordringer ble adressert ved den opphevelsen. I proposisjonen går det tydelig fram at regjeringen selv nå ser at det er andre forhold som utfordrer oss, enn den gangen, ved opphevelsen av løsgjengerloven. Det framstår som mer organisert tigging, og politiet rapporterer også om en sammenheng mellom tigging og kriminalitet. Komiteen slutter seg til den virkelighetsbeskrivelsen og støtter regjeringen i at det er behov for å kunne gripe regulerende inn for å begrense tiggingens omfang og også ta tak i kriminalitetsutfordringene. Dette er altså en sak med mange dimensjoner. Det har kommet til dels nye drivkrefter inn i bildet som påvirker både saken og debatten. Som det framgår av innstillingene, foreligger det mindretallsforslag. Jeg tar med en gang opp de forslagene som Høyre har fremmet sammen med Fremskrittspartiet. Flertallet, regjeringsfraksjonen, går for en

hvor vi skal debattere de justispolitiske utfordringene. For Høyre er det samtidig veldig viktig å understreke at denne saken har mange sosialpolitiske dimensjoner, som må adresseres for å forebygge de drivkrefter som fører til tigging, enten det er norske eller utenlandske tiggere. Denne saken og denne debatten dreier seg om, sett fra vår side, de justispolitiske effektene og de justispolitiske virkemidlene. virkemidlene. Vi har i våre merknader pekt spesielt på utfordringene knyttet til mulige sammenhenger mellom tigging og menneskehandel. Vi viser til dommen i Bergen tingrett 5. juni i fjor, der man peker på en mulig sammenheng mellom tigging og menneskehandel av en meget alvorlig karakter. I merknadene framgår det også at det i Sverige er påvist at 166 barn var offer for menneskehandel, hvor tigging var ett element. Jeg vil også understreke at regjeringens lovforslag som her ligger til behandling, skaper store spørsmål når det gjelder gjennomføring. Komiteen fikk noen få dager før den skulle avgi innstilling, et spørsmål fra bystyret i Oslo hvor de faktisk ber komiteen utdype hvordan loven skal tolkes og håndteres. Det er ikke et kvalitetstegn i en så viktig sak. Fra Høyres side er konklusjonen: Vi skal gjeninnføre et tiggerforbud med umiddelbar virkning. Vi ser det som det beste virkemiddelet.

saken, gjør at det desto mer tilligger oss på Stortinget et ansvar for å forsøke å se etter felles løsninger, dempe konfliktene, se ordentlig på hva vi er enige om. Det kan man også se når man leser innstillingene fra justiskomiteen. Vi er enige om at situasjonen er endret i forhold til da Stortinget opphevet løsgjengerloven – jeg understreker at det var enstemmig at det nå er behov for å gripe inn med regulerende tiltak overfor tigging som ikke er rent situasjonsbetinget, noe man kun har hatt de siste årene. Det er enighet om at de fleste som tigger, er i en vanskelig livssituasjon, enten de kommer fra Norge eller fra utlandet, og at det ligger store sosiale problemstillinger bak, som vi først og fremst må avhjelpe med velferdstiltak

er vi klar over sammenhengen mellom omfanget av tigging og omfanget av visse kriminalitetsformer, og at det har oppstått ordensmessige problemer knyttet til bl.a. forsøpling og sanitære forhold. Når det er såpass bred enighet om hva det handler om, og når utgangspunktet er at vi må gjøre noe sammen, Når det er såpass bred enighet om hva det handler om, og når utgangspunktet er at vi må gjøre noe sammen, synes jeg – når man vet at regjeringspartiene pluss Kristelig Folkeparti og Venstre er imot et generelt forbud – det er synd at det skal være så vanskelig å kunne diskutere subsidiære løsninger, som kan gjøre noe med det vi er enige om. Vi ser at de fleste land i Vest-Europa som tiltak når det gjelder tilreisende og lokale tiggere, har gjort det i form av at lokale myndigheter har fått mulighet til å foreta reguleringer. Det er til nå kun Danmark og Storbritannia som har totalforbud, mens land som Spania, Frankrike, Sveits, Tyskland, Østerrike osv. har forskjellige former for lokale reguleringer. Det er dette også vi har foreslått, og som flertallet i komiteen går inn for. For å kommentere et par av forslagene: I For å kommentere et par av forslagene: I noen kommuner har det lenge vært utprøvd meldeplikt når det gjelder pengeinnsamling. Det kom opp en viktig innvending, bl.a. fra Oslo kommune, om at man hadde problemer med å gjennomføre dette, fordi det også ville ramme innsamlinger til ideelle formål i regi av ideelle organisasjoner. Dette har regjeringen forsøkt å løse og har lagt opp til en løsning på i proposisjonen som nå fremmes, som går ut på at de som er registrert i innsamlingsregisteret, ikke vil være omfattet av en slik meldeplikt, og der det også legges opp til tilpasninger for mer lokale,

I Oslo har man sagt at det vil komme altfor mange hvis man innfører meldeplikt. Det kunne vært interessant å se på hvor mange som egentlig ville kommet. Vi har behov for å få en oversikt over hvor mange tiggere vi har her, og også få en oversikt over hvor mange som kvier seg for å gå til politiet – fordi de antakeligvis ikke har rent mel i posen.

Fremskrittspartiet ser med bekymring på dagens utvikling av stadig mer aggressiv tigging. Gjennom medieoppslag og uttalelser fra politiet har det etter hvert blitt tydelig at tiggingen også fører med seg andre, mer alvorlige, forbrytelser, som innbrudd og grove ran. Da løsgjengerloven ble opphevet i 2005, var det med begrunnelse i at antall tiggere var blitt sterkt redusert over en periode. Videre begrunnet man opphevelsen med at tigging i større grad burde ha en sosialpolitisk oppmerksomhet mer enn en kriminalpolitisk. På dette tidspunktet var tigging noe som i stor grad utelukkende angikk norske borgere, noe som også saksordføreren var inne på i sitt hovedinnlegg. Åpningen av grensene mot Øst-Europa i 2005 har medført at dagens tiggere i større grad er tilreisende fra andre land. Rumenere utgjør en hoveddel av disse. Gjennom ulike medieoppslag har man sett at rumenere organiserer seg i grupper, der enkeltpersoner blir utplassert på ulike steder i byen og tigger der. Denne formen for organisert tigging utgjør ofte et skalkeskjul for andre, mer alvorlige former for kriminalitet. Innbrudd og grove tyverier er ikke en uvanlig konsekvens av tiggeproblematikken. Mindre alvorlige forhold, som nasking og lommetyverier, følger også i kjølvannet av det tilreisende tiggermiljøet. Gjennom medieoppslag har man den siste tiden sett hvordan antall lommetyverier har eksplodert både i byene generelt og i Oslo spesielt.

og barna ble tvunget til både tyveri og salg av falske gullsmykker. Dessverre er realiteten at det norske straffenivået og fengselsvesenet – som vi diskuterte i forrige sak – ikke virker preventivt på personer med bakgrunn fra land med et vesentlig høyere straffenivå og en lavere fengselsstandard. Menneskehandel er en så alvorlig forbrytelse at det haster å få på plass tiltak. En økt politifaglig oppmerksomhet på menneskehandel kombinert med en umiddelbar heving av strafferammene for denne type forbrytelser vil være hensiktsmessige og forebyggende tiltak. I et forsøk på å få kontroll på tiggeproblematikken har en rekke kommuner i dag innført registreringsplikt for tiggere. Dette gir politiet mulighet til å bortvise tiggere som ikke har tillatelse til å tigge, og er således et lite skritt i riktig retning. Men denne løsningen er ikke tilstrekkelig og vil byråkratisere og vanskeliggjøre politiets arbeid sammenlignet med et generelt forbud. Det er også liten grunn til å tro at de store utfordringene knyttet til dagens tigging vil forsvinne selv om tiggerne påbys å ha en kommunal tiggetillatelse. Oslo kommune har gjentatte ganger forsøkt å gå enda lenger og ønsker å få gjennomført et lokalt totalforbud mot tigging. Dette har altså ikke vært mulig å gjennomføre etter dagens regelverk. Viljen til problemløsning i kommunene er generelt stor. Det vil derfor være klokt å utarbeide ordninger som lar kommunene selv innføre tiltak for bekjempelse av tigging. Et forslag til løsning her kan være kommunale bøter mot ulovlig tigging. Denne type ordninger vil kunne avlaste politiet samtidig som det lokale selvstyret styrkes. Politiet i Oslo har gått tydelig ut mot dagens ordning og Kilder i Oslo-politiet har uttalt at situasjonen er vanskelig håndterbar uten en klar hjemmel for bortvisning av aggressive tiggere. Etaten har således sagt at man ønsker en slik lovhjemmel. Man bør derfor være meget varsom med å ignorere klare oppfordringer fra den etaten som arbeider med denne problematikken daglig. Dessverre velger altså regjeringen å vende det døve øret til. Tiggeproblematikken har nå blitt så omfattende at det haster å få på plass tiltak. Menneskehandel, utnyttelse av barn, lommetyverier og innbrudd er straffbare forhold som følger i kjølvannet av tiggevirksomheten. En handlingsplan mot kriminalitet i tilknytning til tiggermiljøet er nødvendig for å få kontroll på situasjonen, og med den kunnskapen man har i dag, taler sterke hensyn for at en slik handlingsplan – som Fremskrittspartiet har foreslått i sitt representantforslag – også omfatter et generelt

til. Om lag 2 milliarder mennesker lever i fattigdom i vår verden. Over 1 milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom, de lever for under 1 dollar per døgn. En av dem er Gina Ionesco. Hun befinner seg i Oslos gater, hun sover under broen i hun har reist fra sine tre barn i Romania. Minstebarnet er ni måneder, de to andre er fem og seks år. Gina – sammen med sin mann – tjener mellom 100 og 200 kroner per dag ved å tigge i Oslos gater. Penger sender hun hjem. Sist de gjorde det, var for én måned siden. «Pengene bruker vi til mat til barna og melk til minstegutten,» sier bestemoren, som passer på disse barna.

dette huset, og kjempe sitt livs kamp: Hvordan skal jeg få mat i kveld? Hvordan skal min baby få melk i kveld? Samtidig debatterer Stortinget saken. Og hva er det vi debatterer? Debatterer vi hvordan vi kan avskaffe eller bekjempe fattigdom? Debatterer vi hvordan vi kan gjøre livet lettere for Gina og hennes ni måneder gamle baby? Debatterer vi hvordan vi kan skaffe Gina jobb, slik at hun kan komme ut av fattigdommen? Nei, vi debatterer hvordan vi kan fjerne Gina fra våre gater, ikke hennes fattigdom. Gatene skal renses og renoveres. Vårt største problem i dag er mennesker som står i nød og tigger i våre gater. Noen ønsker sågar å bruke rettsstatens sterkeste midler; politi og fengsel. Vi har et problem. Vi er ikke i stand til å sette oss i fattige menneskers situasjon. I denne salen finnes det representanter og partier som er ihuga tilhengere av EU og dens fire friheter. De vil ha fri flyt av arbeidssøkende, tjenesteytende og kapital, men de vil ikke samtidig se de fattige i nød som finnes i samme EU, i øynene. De som kan komme og styrke vår velferd, er velkomne, men de som trenger å tigge, er ikke velkomne. Det er et paradoks, det er en selvmotsigelse noen bør innse. Jeg er glad for at regjeringen fortsatt mener at vi ikke kan bekjempe fattigdom ved å nedlegge et forbud mot å tigge en femmer til melk til Ginas ni måneder gamle baby. Regjeringspartiene har blitt enige om at tigging fortsatt skal være tillatt i Norge, at det kan gis adgang til å registrere mennesker som ønsker å tigge i våre gater, slik at vi kan gi tiggere trygghet, fjerne kriminelle fra våre gater og gjøre våre gater trygge. Det åpnes for å gi adgang til å forby tigging i gitte tidsperioder og i gitte geografiske områder, men det skal aldri gjøres slik at det blir et de facto forbud i hele byen. Og slike begrensninger kan ikke gjennomføres før, og uten at, det foreligger sosiale tiltak som dusj, toalett og tildeling av enkel mat, en kopp suppe, til mennesker i nød. Jeg skal ikke legge skjul på hvor jeg og SV står i denne saken, men når man først må finne kompromisser sammen med sine samarbeidspartnere, mener jeg at vi har funnet gode tiltak som vil gi mennesker i nød mulighet til å få tak i penger til melk til barna og et måltid. Samtidig skal kommunene legge til rette for at disse menneskene kan oppholde seg i Norge med menneskeverdet i behold. Det er slik et sivilisert samfunn skal opptre. Senterpartiet har programfesta at vi ønskjer å innføre forbodet mot tigging igjen. Det er

opptre. Senterpartiet har programfesta at vi ønskjer å innføre forbodet mot tigging igjen. Det er ikkje for å skjule fattigdom eller for å forby sosial nød, slik somme talsmenn for at det er nødvendig å la tigging vere tillate lett sarkastisk formulerer det. Derimot er det for å forby eit fenomen som held oppe sosial nød, og som er knytt til ulike typar lovbrot, som vinningskriminalitet og menneskehandel. Primært vil Senterpartiet ha eit generelt forbod mot tigging igjen, slik vi hadde fram til 2006, men vi støttar dei endringane i politilova som blir gjorde i dag, fordi dei kan bidra positivt til å dempe tilstrøyminga og omfanget. Alle tre regjeringspartia har erkjent at tigging er eit problem, og at noko må gjerast. At vi ikkje er einige om kor langt vi skal gå i å førebyggje tigging, er opplagt, men det at kommunane no kan innføre lokale forbod definert til tid og stad, er eit Vi må følgje utviklinga og resultata nøye, og om dei kommunale reguleringane ikkje fungerer godt nok i praksis, er vi eit steg nærare eit generelt forbod. Somme meiner at det er humant og hjelpsamt å la tigging vere tillate. Eg tvilar ikkje på dei gode intensjonane. Men eg veit jammen ikkje om vegen ut av fattigdom går gjennom å sitje på asfalten i I samfunnet vårt meiner vi at ungar som veks opp, har best av å få utdanning og bli motiverte til å arbeide. Vi har obligatorisk skulegang og tiltak for å få folk i jobb viss dei ikkje klarer det sjølve. Kulturen vår er innretta slik – haldningar og handlingar heng ofte i hop. Fenomenet tigging har ikkje eintydige, enkle årsaker. Men det er likevel på sin plass å påpeike at hos grupper av menneske der det er kultur for å tigge heller enn å arbeide til livsopphald, blir ungane ofte hindra i å ta skulegang. Det blir for blir ungane ofte hindra i å ta skulegang. Det blir for lettvint å seie at tigging berre kjem av diskriminering og mangel på andre moglegheiter. Mangel på ønske og vilje til å ta i bruk andre moglegheiter kan òg spele inn. Noreg løyver årleg pengar til ulike EØS-tiltak retta mot fattige romfolk i ti andre europeiske land – aller mest til Romania og Bulgaria. Meir av dette er vegen å gå. Utanriksministeren har uttalt at norske myndigheiter skal ta initiativ til ein dialog med EU og aktuelle mottakarland for eventuelt å kunne målrette ubrukte EØS-midlar i inneverande periode til å auke innsatsen for romfolket. Eg veit at det blir arbeidd med ei oppfølging i behandlinga av revidert nasjonalbudsjett. Dette er bra. Eg håpar at myndigheitene i åra som kjem, sørgjer for at meir pengar blir Sosiale tiltak i heimlandet – kombinert med tilbod om skulegang – er viktig. For å få best mogleg effekt må vi samtidig med dette gjere det mindre attraktivt å tigge her til lands, slik at motivasjonen til foreldra for å gje ungane utdanning i heimlandet – og dermed sjansar til å få jobb i framtida – ikkje blir for liten. Eit tiggeforbod vil gjere marknaden dårlegare.

Men at ungar skal bli tvinga til å tigge, er visst ikkje fullt så ille, skal ein tru debatten innimellom. Kommunane får eit nytt verktøy for å avgrense tigginga når dei no skal kunne innføre lokale forbod – ved å definere tidspunkt og plassar der det ikkje skal vere lov å tigge. Det er viktig at det blir lagt stor vekt på lokale vurderingar i utforminga av politivedtektene. Det er kommunane og lokalsamfunna som veit korleis situasjonen er i områda Eg vil vise til svarbrev av 29. mai i år frå Justisdepartementet til Oslo kommune, der departementet slår fast at ein skal leggje stor vekt på kommunane sine vurderingar. Det gjeld òg dersom kommunane meiner det er nødvendig å definere heile sentrum som eit område der det ikkje skal vere lov å tigge. Eg har tillit til at kommunane forvaltar dette godt framover, og eg vil oppfordre dei kommunane som har problem med utstrekt tigging, til å bruke dei verktøya dei no får. no får. No kan kommunar og byar rundt i landet f.eks. hindre tiggarbandar i å etablere seg rundt gamleheimar og trafikknutepunkt. Oslo kommune – som landets hovudstad – har eit spesielt ansvar for å gjere noko. Dagens endringar i politilova er eit reelt steg framover, men det er etter mi meining òg eit mogleg steg mot eit generelt forbod. Det vil vere det aller enklaste for alle partar å rette seg etter – for kommunane, politiet og dei som lurer på å reise hit for Foreløpig håpar eg på at endringane vi vedtek i dag, vil gje positive resultat. Det føreset at kommunane bruker dei moglegheitene dei

Så kan vi være enige om at tigging ikke er en løsning på de tilreisendes problemer i hjemlandet i Sørøst-Europa. Det beste ville vært at ingen måtte tigge. Arbeid er veien ut av fattigdom. Men den økonomiske situasjonen i Europa gjør at vi alle bør ta inn over oss at fattigdomsmigrasjon fra EØS-området til Norge vil kunne bli et vedvarende fenomen i årene som Folkeparti vil – med menneskeverdet i sentrum – ha en helhetlig tilnærming som svarer på ulike sider av den utfordringen som følger av et økende antall tilreisende som driver med tigging. Vi står overfor en sosialpolitisk utfordring, der det må vurderes hva som er hensiktsmessige tiltak for å gjøre tilværelsen for de tilreisende tiggerne mer verdig, gjennom på ulike måter å gi helse-, sanitær- og Folkeparti vil støtte og forsterke den foreslåtte innsatsen på dette området. Vi foreslår 20 mill. kr i tilskuddsordning til frivillige organisasjoner som arbeider med humanitære tiltak for mennesker i nød. Tiltakene bør utformes slik at de også reduserer konfliktpotensialet. Vi er også stilt overfor en justispolitisk utfordring, hvor vi må vurdere hvilke virkemidler som er egnet til å forhindre ordensforstyrrelser, menneskehandel og andre typer kriminalitet. Politiet må ha verktøy. Og ikke minst står vi overfor en internasjonal utfordring, hvor vi må bidra til å bedre livsvilkår og rettigheter i de tilreisende tiggernes hjemland. En egnet form for dette er EØS-støttemidlene som går til bl.a. Romania. Men da må støtten faktisk også være innrettet mot romfolk og ikke slik, som Aftenposten presenterer i dag, at bare en liten andel er det.

Når regjeringen nå foreslår å endre politiloven for å kunne innføre tids- og områdeforbud mot tigging, gjør de det selv om de i sin egen proposisjon sier at dersom tigging utøves på en uakseptabel måte, vil dette i utgangspunktet kunne håndteres ved hjelp av eksisterende lovbestemmelser. Kommuners eventuelle ønske om en meldepliktsordning knyttet til pengeinnsamling – et virkemiddel som Kristelig Folkeparti stiller seg positiv til – kan i dag allerede benyttes. Både Bergen og Kristiansand har gode erfaringer med nettopp denne ordningen. Fremskrittspartiet og Høyre tar til orde for et forbud mot tigging. Kristelig Folkeparti avviser å skulle innføre et forbud mot tigging. Regjeringen har også sagt nei til et generelt tiggeforbud. I motsetning til regjeringen synes Kristelig Folkeparti det vil være krevende samtidig å åpne for å kunne tids- og områdebegrense tiggingen. Det vil raskt kunne arte seg som et det vil fort kunne bli sett som en anledning til å skulle gjemme bort tiggere fra der folk ferdes. Vi trenger ikke gå lenger enn til Oslo bystyre for å finne eksempler på en slik tenkning, med forslag om å forby tigging innenfor Ring 2 – eller mer kuriøst – utenfor markagrensen. Representanten Chauhdry hadde et godt innlegg, der han trakk fram Gina. Konsekvensene av regjeringens forslag kan fort bli at Gina blir jaget rundt i Oslo, eller jaget ut, nettopp av de virkemidlene som regjeringen ønsker å innføre, og som Stortinget sannsynligvis kommer til å vedta i dag. Kristelig Folkeparti mener håndheving av eksisterende lovbestemmelser er tilfredsstillende for å beskytte borgerne. Derfor støtter vi ikke forslaget om endring i politiloven § 14 for å gi en hjemmel for å forby pengeinnsamling i spesielle soner eller tidsrom. tidsrom. Til slutt vil jeg komme med et hjertesukk. Jeg ser at i salen i dag er det mange tilhengere av forbudet, og mange vil også kjempe ihuga imot et forbud. I debatten blir det ofte til at du enten er Jeg håper vi kan gjennomføre en debatt om tigging som dreier seg om hvordan vi kan hjelpe mennesker som er i en vanskelig situasjon, og hvordan vi langsiktig kan hjelpe enda flere mennesker til å komme ut av den vanskelige situasjonen det er å måtte søke om hjelp og tigge for å

Det er ikke sånn at noen av oss ønsker at folk skal være nødt til å dra hit. De aller fleste av oss i denne salen ønsker at folk skal få hjelp der de er hvis de sliter med fattigdom, diskriminering og utestenging. De aller fleste av oss her hadde ønsket at EØS-midlene våre skulle bli brukt til å bekjempe

det vi faktisk mener bør være lovregulert, og som er den kriminaliteten vi ønsker å få bekjempet. Menneskehandel var også brukt som eksempel her i debatten for å få til en sexkjøplov, for da skulle man bli kvitt menneskehandel. Vi fikk sexkjøploven. Ingen er blitt dømt for menneskehandel på bakgrunn av den. Ingen menneskehandel er blitt rullet opp på bakgrunn av den. Det er veldig mange ganger at for å unngå noe man ikke liker, bruker man som argument at man ønsker å bekjempe annen kriminalitet. Det er ingen klar sammenheng mellom tigging og den grove kriminaliteten som mange her viser til. Det har aldri politiet klart å påvise. Men vi må dømme folk for den kriminaliteten de gjør, og ikke fordi vi ikke liker dem. Det Men vi må dømme folk for den kriminaliteten de gjør, og ikke fordi vi ikke liker dem. Det ble sagt fra Fremskrittspartiet at i Oslo ønsker man et totalforbud. Nei, i Oslo ligger det nå to forslag. Forslaget om meldeplikt ble nedstemt. Det ligger to forslag – et fra Fremskrittspartiet om forbud innenfor markagrensa og et fra Arbeiderpartiet om forbud innenfor Ring 2. Jeg håper ingen av dem blir vedtatt, for politiet har sagt at de ikke vil ha dem. Politiet har sagt at det vil bli kjempevanskelig å håndheve, og det er ikke slik de ønsker det. Det er problemet mitt med Arbeiderpartiets forslag her i dag, der man skal innføre regler som politiet bare tror blir vanskeligere å gjennomføre. Det er veldig mange tall, det er veldig mange påstander, og det er mye her som egentlig burde vært tatt opp punkt for punkt, og som ikke noen kan vise til at har rot i virkeligheten. Man bør kanskje sørge for å oppsøke kunnskap om akkurat den gruppa vi her snakker om, som har vært utstøtt fra Europa siden den kom en gang på 1500–1600-tallet. Når man påstår at unger ikke må komme hit å tigge fordi de heller skulle ha da vet man lite om den virkeligheten som er i de landene de bor i. Hvis man tror at alternativet er å gå på skole, da er det så fjernt fra det vi vet rombefolkninga – spesielt i disse østeuropeiske landene – at jeg blir litt skremt. Dette er snakk om land der småfascistiske – ja, halvfascistiske – partier oppnår høy oppslutning oppslutning ved valg, nettopp på grunn av sitt hat mot denne gruppa. Det er folk som blir drept på grunn av sin etniske tilhørighet. Ja da, Europa har sett det før. Ja, det norske parlament burde skamme seg over det man gjorde på slutten av 1930-tallet, da man sendte norske romfolk tilbake igjen – rett i konsentrasjonsleirene – etter vedtak i denne sal. Vi bør se litt mer på hva som skjer rundt om i Europa når det gjelder denne gruppa. gruppa. Så bør vi komme med tiltak som faktisk virker. Min hovedinnvending er at forbud ikke virker. Tigging er men vi ser med all mulig tydelighet at tigging springer ut av sosial nød. De sosiale og menneskelige utfordringene ved denne sosiale nøden er det den enkeltes opprinnelsesland som må ta tak i. Fattigdomsbekjempelsen er opprinnelseslandenes hovedansvar. Norge bidrar i dette arbeidet gjennom EØS-midlene med 300 mill. kr, men regjeringen ser også på muligheten for å øke bevilgningen rettet mot romfolk og marginaliserte grupper ved å kanalisere ubrukte midler til disse gruppene. Selv om tigging er uønsket, mener jeg et totalforbud vil være feil vei å gå, både fordi et forbud ikke vil avhjelpe selve fattigdommen, som vi som samfunn må tåle å konfronteres med,

Det er likevel et behov for å kunne gripe regulerende inn i de kommuner der det oppstår ordensmessige utfordringer, og det er dette som er bakgrunnen for forslaget i proposisjonen. Forslaget i proposisjonen gir kommunene et sett av virkemidler. Gjennom politivedtektene kan det fastsettes vilkår for pengeinnsamling. Vilkårene må være begrunnet i ordensmessige forhold. En kommune vil kunne angi forbud på visse geografiske områder eller tidspunkter eller fullt ut overlate slik regulering til politiet. Det er naturlig at det er dialog mellom kommunen og politiet om hvilke områder som eventuelt skal berøres. I områder der mange mennesker ferdes, der det skaper uro, eller der det tydelig plager eller forstyrrer publikum, vil det kunne innføres begrensninger. Det er på det rene at f.eks. trafikknutepunkter og kollektivtransport er blant de områder som det kan knytte seg særskilte utfordringer til. Kommunene kan også velge å innføre en meldeplikt for politiet som vil kunne føre et register over dem som har meldt at de vil samle inn penger på offentlig sted. Dette er et virkemiddel som har vist seg å ha dempende effekt på tigging. Det vil også kunne legge til rette for en bedre kriminalitetsbekjempelse i I de kommuner der man opplever ordensforstyrrelse knyttet til tigging, må man møte utfordringene med gjennomtenkte strategier, der politiet, kommunene og andre offentlige og private aktører må samarbeide tett. Det må settes inn ressurser på flere områder, og lovendringene er ment å være nyttige redskaper for en slik helhetlig strategi. Fordi det er store lokale forskjeller på de ordensmessige er det også naturlig at reguleringstiltak vurderes lokalt av kommunene. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått å etablere en tilskuddsordning på 10 mill. kr, der kommuner og organisasjoner kan søke midler til humanitære tiltak i sommer. Tilskuddsordningen er nå utlyst, og dette er en viktig del av de samlede tiltak regjeringen ønsker å sette inn på området. Det kan gis tilskudd til f.eks. etablering av dusj- og toalettfasiliteter, og enkelte steder vil det også kunne være aktuelt med bistand fra rådgivere med relevante språk- og kulturkunnskaper som kan informere om regelverk personer som tigger, må forholde seg til. Forslagsstillerne bak Representantforslag 96 S for 2012–2013 etterlyser en tiltaksplan mot tiggerrelatert kriminalitet. Jeg viser i denne sammenheng til at regjeringen, samtidig som vi la fram lovforslaget vårt, også redegjorde for andre tiltak som er egnet til å bedre ordenssituasjonen. Det vil bl.a. bli en lavere terskel for å utvise utlendinger som begår mindre tyverier. Det blir replikkordskifte. Det er

inn for et generelt tiggeforbud var at det ville være uhensiktsmessig for politiet i forhold til ressursbruken. Men hva i alle dager kommer tiggefrie soner til å bety for politiets ressursbruk, om man skal fly og passe på at folk ikke går over en gate og tigger et annet sted osv.? Gjør det ikke inntrykk på statsråden i det hele tatt at det politiet har bedt om, faktisk er et generelt tiggeforbud? Gjør det ikke inntrykk i det hele tatt?

og mer helhetlig syn og velge løsninger som ikke fullt ut følger anbefalingene fra politiet. Fra min side har det vært viktig også å vurdere hva som er realistisk. Etter min vurdering framstår det som mer realistisk å kunne håndheve et begrenset forbud enn et nasjonalt forbud. Vi vet også at det er få kommuner som har en situasjon som gjør det nødvendig å forholde seg til denne utfordringen og bl.a. vurdere om det er riktig med

er: Er et slikt forslag innenfor loven, slik det er formulert i proposisjonen, eller er det utenfor loven? Det er verdt å merke seg at det ikke er lenge denne debatten pågår før vi begynner å diskutere konkrete løsninger i hovedstaden. hovedstaden. Det er noe av bakgrunnen for at når vi har utviklet tiltak, også forslaget til lovregulering, har vi vist til at den beste måten å gjøre dette på – noe som også er brukt i mange andre land – er å gi bedre verktøy til lokale myndigheter, som i diskusjon med politiet må vurdere om det er ordensmessige utfordringer som gjør det riktig å regulere tigging.

Til nå har man snakket mye om at man ikke skal forby fattigdom. Arbeiderpartiet i Oslo vil forby fattigdom i de områdene av byen hvor tiggerne kan ha størst håp om å få tak i noen kroner, f.eks. på Frogner og Majorstua. Hva synes egentlig statsråden om at noen vil forby fattigdom først og fremst i de delene av byen hvor det finnes folk som faktisk har noen kroner

at lokale myndigheter i samarbeid med lokalt politi ser det riktig å regulere noen områder og gjøre det vanskelig og ulovlig å tigge der. Det kan også være tider på døgnet som kan betinge det samme. Her vil det være nødvendig for lokale myndigheter å gå i diskusjon med politiet, og så skal vi behandle dette så raskt vi kan i Politidirektoratet.

forbud. Da lurer jeg egentlig på om statsråden er enig med representanten Klinge i at dette er et mulig steg mot et generelt forbud, om hun deler den oppfatningen. Prinsipielt er jeg opptatt av det utgangspunktet som Stortinget hadde i denne sal så sent som i 2005, at tigging ikke påfører den enkelte skader og bør som sådan ikke ulovlig. Jeg er også opptatt av at et nasjonalt forbud kan gi et inntrykk av at det er tilgang på større politiressurser enn hva det virkelig er, og den realistiske tilnærmingen må da være at der det er ordensmessige utfordringer som tilsier en regulering – og det kan være å avgrense steder fra tigging tigging – må det være en pragmatisk løsning. Men, som sagt, la det ikke være tvil om hva som er mitt verdimessige utgangspunkt for denne Vi er ikke i tvil om hva som er utgangspunktet til statsråden, for hun startet sitt innlegg i stad med å si at tigging er uønsket. Det er derfor noen av oss synes det er litt pussig at man likevel legger til rette for det. Representanten Ander B. Werp stilte et meget betimelig spørsmål. Det har kommet på bordet to forslag fra Oslo kommune hvor man nå ser mulighet til å gjøre noe med tanke på den loven som skal vedtas i dag, og den pakken som regjeringen har lagt fram. Disse forslagene fra Oslo er også behørig sendt over til Justisdepartementet og er sikkert godt kjent for statsråden. Mitt spørsmål er egentlig: Er det slik at det som nå skisseres som to løsninger i Oslo, faktisk er innenfor det lokale myndigheter, som statsråden sier man er opptatt av, kan vedta å gjennomføre med regjeringens

uønsket, og det å regulere det med et forbud. Vi må også sørge for å ta vare på menneskeverdet til de personene som tigger i Oslos gater – og ikke bare i Oslo, men over hele landet – og det er bakgrunnen for at vi også har gitt en mulighet for støtte til sosiale tiltak. tiltak. Så har jeg sagt at på dette tidspunktet vil det ikke være riktig å utelukke. Det er heller ikke det samme som å gi en forhåndstillatelse til den løsningen som Oslo har antydet. Replikkordskiftet er omme. Presidenten vil gjøre oppmerksom på at skriftlige spørsmål-instituttet fortsatt eksisterer i noen uker, for den som måtte ha interesse av det. taletid på inntil 3 minutter. På bakgrunn av det siste replikkordskiftet må jeg få lov til å si at det å uttrykke at tigging som fenomen er uønsket, ikke betyr at man ikke ønsker å bistå og hjelpe og sørge for at folk kommer seg ut av denne problematikken. Enklest kan det jo sies at det handler om mennesker. Det er mennesker som står på

med å bruke samfunnets strengeste virkemiddel, nemlig straffen, mot den type sosiale utfordringer som vi her står overfor, og man poengterte veldig sterkt at det var skadefølgingsprinsippet som skulle gjelde i strafferetten. Det er når det oppstår skade at man skal bruke det – skade overfor andre. Det var altså Bondevik-regjeringa med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti som veldig sterkt poengterte at det er sosiale virkemidler man må bruke. bruke. Det er ikke riktig, som det har blitt sagt i debatten, at dette var en tid hvor tiggingen nærmest var helt borte. I Ot.prp. nr. 113 for 2004–2005 står det på side 17: «Den høye levestandarden i Norge har gjort at tigging har vært et lite problem de senere tiår, og løsgjengerloven § 11 har knapt vært brukt. I de siste årene har imidlertid antallet personer som i storbyer ber forbipasserende om penger, økt betraktelig, og politiet har igjen begynt å håndheve løsgjengerloven § 11.» Det var i det klimaet at daværende regjering valgte å gå til det ganske modige skritt å påpeke at strafferettens virkemidler skal vi bruke med varsomhet. Vi skal bruke det der det er hensiktsmessig, der det når fram. Jeg må jo si at jeg syns de samme reglene bør gjelde for fullt i dag, og at man må satse langs andre akser for å kunne komme dette til livs, fordi vi i hvert fall prøver å sette oss inn i hvordan det må være for de menneskene som lever i en slik situasjon. Så må jeg si at jeg alltid har funnet det paradoksalt at de partiene som i dag slåss for å oppheve kriminaliseringen av det å kjøpe sex, er de partier som i dag altså foreslår å kriminalisere det å tigge. Jeg merket meg at foregående taler,

i. De uttaler følgende: «Komiteen viser til at tiggingen framstår som mer organisert enn tidligere, og at den kan oppleves aggressiv og skape utrygghet. Politiet har påvist sammenheng mellom omreisende tiggere og utøvelse av kriminalitet. Dette gjelder lovbrudd som lommetyveri, butikktyveri, innbrudd og alvorlige ran. Dette skaper utrygge lokalsamfunn. Ifølge Europol kan organiserte

Den nåværende justisminister sa nemlig at et forbud ikke vil løse fattigdommen. Men da må jo det naturlige oppfølgingsspørsmålet være: Hva mener justisministeren at tigging løser? Hvis justisministeren kunne bruke ett eller et halvt minutt av sitt neste innlegg til å fortelle hva dette fenomenet løser, kunne vi jo diskutert om det var verdt ulempene. Men hvis vi er enige om at det ikke løser noe,

den. Så må jeg si at jeg blir ganske opprørt når jeg hører at justisministeren flere ganger viser til de gode erfaringene fra Bergen, fordi man har hatt meldeplikt der. I Bergen har man samtidig hatt den største, mest skandaløse menneskehandelsaken, som også involverer å bruke barn til tigging. Formodentlig er det det som har fått statsadvokaten i Hordaland,

som plager folk, men som også plager dem det gjelder, som blir nødt til å fornedre seg i et annet land.

men at desse ikkje talar så høgt om det, fordi kulturen og levesettet til den siste fjerdedelen på eit vis grunnlaust definerer heile gruppa. Denne prosjektleiaren i Romania peikte på nettopp det eg viste til, at det ikkje berre er snakk om manglande moglegheiter, men om at somme av kulturelle årsaker ikkje tek imot dei

for å sette meg inn i situasjonen for enkelte folkegrupper i Europa. Det er klart at den er mangfoldig, men det å begynne å snakke om, og dra inn, fascismen, og indirekte beskylde enkelte i denne sal for nærmest å ha trukket i den retningen, er et lavmål i debatten, og det fortjener heller ikke debatten, i så måte. Så er det sånn, og jeg vil bare presisere det overfor både Chaudhry og Skei Grande, at jeg altså ikke er EU-tilhenger. Jeg blir heller ikke personlig provosert av at noen av ulike årsaker sitter og tigger. Jeg vil også presisere at jeg heller ikke blir skremt av at noen tigger. Men jeg har et ansvar når det gjelder å forebygge en utvikling med bakgrunn i vesentlige bekymringsmeldinger, særlig fra norsk og internasjonalt politi, og internasjonalt politi, som sier at hvis vi ikke griper fatt i disse utfordringene som tigging medfører nå, og alle de utfordringene som kommer i kjølvannet av det, vil vi miste kontrollen. Derfor er jeg tilhenger av et totalforbud – for den løsningen og det forslaget som regjeringen legger fram her nå, greier ikke engang dagens justisminister å svare for. Dagens justisminister må ha forhenværende justisminister til å forklare hva hun mener. Selv da får vi ikke noe svar. Det burde etter min mening være et varsku for dagens justisminister. Det forklarer hvilke problemer et parti har med sine forslag. For det er helt riktig, det som flere har stilt spørsmål ved, man på den ene siden skal forby markedet for disse tiggerne der inntektene er å hente. Da går man til direkte angrep på det som dreier seg om å forby fattigdom. Man kan ikke på noen som helst slags måte definere hva loven vil si at de lokale myndighetene skal gjøre, man greier det ikke. Og så skal POD avklare dette i siste instans. Jeg synes jeg ser det for meg.

nærmere bestemmelse om reguleringens innhold». Og jeg siterer fra proposisjonen: «Dette vil bidra til at reguleringen vil kunne bli et praktisk virkemiddel som på fleksibel måte kan tilpasses lokale forhold, slik de til enhver tid er.» Dette er det jeg kan lese ut av hva regjeringen mener med dette tidsbestemte og områdebestemte forbudet. Jeg vil utfordre justisministeren på om det ligger noen som helst veiledning utover det jeg nå beskrev, i det regjeringen fremmer. Og konkret: Det som representanten Werp tok opp – som jeg tror er et forslag justisministeren kjenner godt, hvor man tar for seg store deler av Oslo, men som er et områdebestemt forslag innebærer det at man er innenfor det som anses som hensiktsmessig? Det er i hvert fall fleksibelt, det tror jeg vi kan være enige om, men er dette sånn noenlunde innenfor det regjeringen har tenkt seg? Det bør vi kunne få et svar på.

men skjønner – med den sosiale nøden mange står i – at det ikke kan utelukkes som et mer attraktivt alternativ enn å forbli hjemme. Vi ønsker ikke tigging, og vi ønsker slettes ikke å se barn som tigger, og har vært veldig tydelige på at dette ikke vil bli akseptert. Politivedtektene har en bestemt prosedyre. Når forslag kommer, skal disse vurderes og godkjennes i Politidirektoratet, og her vil kommunene ha mulighet til å framsende forslag på vanlig måte. Jeg skjønner at det er flere som hadde ønsket et forhåndstilsagn fra justisministeren om hva som er akseptabelt eller ikke. Det må imidlertid bero på en lokal vurdering og vil ikke være riktig å kommentere fra min side nå. Jeg skjønner at representanten Sandberg kanskje ønsker seg en reaksjon på sitt utfall mot meg så vel som mot representanten Storberget. Det vil han ikke få. Men jeg kan forsikre representanten Tetzschner om at jeg selvsagt ikke har abdisert. Regjeringen har nå lagt til rette for et grunnlag som kan hjelpe kommunene til å gjøre gode vurderinger i lys av de utfordringene de ser de har selv. Vi legger til rette for pragmatiske løsninger. At dette kan provosere Høyre, som her i byen samarbeider med Venstre og Kristelig Folkeparti og i det praktiske politiske liv faktisk har fått avdekket at de også har problemer med å innføre et tiggeforbud – om de hadde ønsket det her i byen. Det velger jeg bare å notere og ikke kommentere, utover at det må de finne gode løsninger på også her i byen. Løsningen ligger lokalt. Jeg vi ikke fikk et eneste argument fra justisministeren for hvorfor tigging skulle være et bidrag til å løse noe som helst. Og så vil ikke justisministeren spekulere på de nærmere årsakene til at folk kommer, som formodentlig er at de foretrekker å være her fremfor der. Det kan man si ligger bak all bevegelse, all migrasjon. Det ligger til og med bak den enkleste feriereise eller tur i butikken. butikken. Det står heller ikke i særlig stil med innledningsinnlegget, hvor Stortinget ble belært om at dette var folk i den dypeste nød. Det er nemlig en meget sammensatt gruppe – jeg ser at Skei Grande ikke er til stede her – og den er heller ikke så etnisk ensidig sammensatt som noen av deltakerne i debatten tror. Hvis vi er enige om at tigging ikke løser noe problem, eller man bare har vage forestillinger om hva det eventuelt skulle eventuelt skulle føre til av fordeler for noen, er det i hvert fall dokumentert, ikke minst fra Politidirektoratets og fra de mest berørte politidistriktenes side, at virkningen av dette forbudet er at det åpner opp for misbruk av personlige avhengighetsforhold – typisk barn – og at dette også er til glede for mellommenn. Og det er vel ikke akkurat de som skulle ha sitt menneskeverd helt øverst på agendaen. Når statsråden er så usikker på hvilke fordeler dette medfører, og når det er virkninger som er så godt dokumentert uheldige, både for dem som kommer, og for dem som plages av det i Norge, må det også bekymre statsråden at vi i Norge fastholder retten til å åpne våre plasser og gater og gater for å være arena for menneskehandel og for utnyttelse i kjølvannet av uønsket aktivitet. Det har ikke vært fremme i debatten så langt, men det er jo ikke slik at alle EØS-borgere kan «flyte fritt» innenfor EØS. De kan være turister, de kan studere, de kan søke arbeid, og de kan – mer positivt – få seg arbeid. Men ved at vi opprettholder tigging som en lovlig foreteelse, blir det faktisk i seg selv en legal inngang til det norske samfunnet. Det blir et galt innreisegrunnlag, og det er det innreisegrunnlaget vi som har vært skeptiske til statsrådens lite målrettede forslag, har satt spørsmålstegn ved i denne debatten og hatt alternativer
og tid til debatt. Så

om å få en forklaring på hvordan en lov skal forstås. Det kan ikke komiteen gi, og så står vi her i en debatt hvor kommunene og politiet og andre skal lese forarbeidene etterpå. Så delegerer man altså bort det politiske ansvaret for å rettlede kommunene og rettsapparatet til et direktorat. I all frekkhet – unnskyld uttrykket Så delegerer man altså bort det politiske ansvaret for å rettlede kommunene og rettsapparatet til et direktorat. I all frekkhet – unnskyld uttrykket – greier man å peke på Oslo kommune, som sliter med å forstå hvordan de skal håndtere en lov. Det er vel faktisk fortsatt sånn at det er Stortinget som vedtar landets lover, og det er regjeringen som utøver dem og sørger for at Stortinget har et beslutningsgrunnlag som er bra nok, sånn at rettsapparatet og andre som skal håndtere Dette er en komplett ansvarsfraskrivelse, komplett uklarhet, og det er som representanten Syversen sa, veldig fleksibelt. Hvis dette skal være måten man bedriver lovgivningsvirksomhet på etter hvert, skal det bli interessant. Så jeg foreslår at det neste prosjekt som regjeringen prøver seg på, er å foreslå lov om fred på jord. Så kan man til enhver tid finne ut hvordan man hensiktsmessig skal gjennomføre det. Det

eksistere. Jeg vil gjerne sitere fra et oppslag der dagens justisminister uttaler seg: «Regjeringen vil ha tiggere ut av Norge.» Tigging er uønsket. Da forstår jeg det dithen at man nå prøver seg med et lovforslag som man tror gir det resultatet at tiggerne reiser ut av Norge. Da tror denne regjeringen at man indirekte kan forby fattigdom, selv om dette har ingenting med å forby fattigdom eller sosial nød å gjøre. Det er det det dreier seg om. Det er mulig jeg tar feil, men nå får jeg håpe at dagens justisminister og forhenværende justisminister kanskje klargjør om de er enige eller uenige. Når det gjelder de spørsmål som justisministeren ikke greier å svare på, så får vi POD til å avgjøre. Men det er viktig at dere legger til rette for tiggerne, for ellers får dere ikke godkjenning. Så alt det som ligger i proposisjonen og i argumentasjonen, kolliderer, og det blir ingenting igjen, for man greier ikke å svare på det. Egentlig kan man gjerne konsentrere seg om de store byene våre, der man har disse knutepunktene og hvor man tror at markedet ligger. Men det er mange små steder rundt omkring i Norge i dag som også har en utfordring med tigging. Dette forslaget som ligger her nå, vil faktisk medføre totalforbud i enkelte små kommuner som bare har ett knutepunkt, som har bare én markedsplass, slik at det bare er én plass å sitte med koppen og tigge. Så egentlig innfører man totalforbud enkelte plasser, mens man åpner for soner der det ikke eksisterer noe marked. Det er dette som blir så uklart, særlig når det gjelder det som representanten Tetzschner tar opp i forhold til hva som ligger i EØS-avtalen og i innreisegrunnlaget. Er det slik at vi faktisk åpner for et større innreisegrunnlag ved ikke å få til et totalforbud? På anmodning fra den annonserte neste taler, tror jeg at presidenten må gjøre en endring. Jeg forsto det slik at representanten Syversen ønsket å vente til etter statsråd Faremo? Da sparer vi sikkert tid ved at spørsmålet stilles før det besvares. I tråd med proposisjonen får jeg si takk for fleksibiliteten her. Statsråden vil egentlig ikke svare, og det står henne fritt. Men jeg hadde kanskje forventet når det gjelder spørsmålet om hva det er man har tenkt seg som rammer for denne inngripende reguleringen man nå går inn for, at man i hvert fall kunne sagt noe om et visst samsvar mellom mål og midler, altså at det man foreslår, skal stå i et rimelig forhold til det man ønsker å oppnå med inngrepet, eller for å snakke på jussens språk: forholdsmessighetsprinsippet. Men selv ikke det ville statsråden bekrefte skulle legges til grunn. Så jeg forventer i hvert fall at man har tenkt å forholde seg til de normale rettsprinsipper når man vurderer dette. Eller er det så fleksibelt at også det kan settes til side? Det må ikke herske noen misforståelse. Det jeg kommenterte når det gjaldt utfall, var at

Men vi kan likevel ikke forby fattigdom, og dette er bakgrunnen for at regjeringen gir kommunene økte muligheter for å begrense tigging også, samtidig som vi, som jeg nevnte, vil senke terskelen for utvisning av EØS-borgere som begår kriminalitet. Det har vært nevnt spørsmål om målrettede tiltak. tiltak. Det er viktig å holde tigging atskilt fra kampen mot kriminalitet, selv om vi ser at kriminalitet også forekommer blant tiggere. Der kan vi registrere svært gledelige tall. Vi har en nedgang i vinningskriminaliteten f.eks. i hovedstaden målt i første kvartal i år mot første kvartal i fjor som er bemerkelsesverdig. Vi har nedgang i forskjellige kriminalitetsformer som det er god grunn til å glede seg over, og som viser at politiressursene nyttes til det de skal, nemlig til å bekjempe kriminaliteten, og at et kan utløse krav og ønsker om en ressursbruk i politiet som justisministeren ikke kunne forsvare i forhold til politiets øvrige oppgaver, har vært viktig i drøftingen av hva som er en riktig løsning å foreslå i situasjonen. Jeg er spurt: Hva er det som vil bli tillagt vekt når Politidirektoratet får forslag f.eks. til regulering i politivedtektene fra Oslo kommune? Generelt må det sies selvsagt at det må legges stor vekt på kommunenes vurdering av nettopp de ordensmessige forhold og hvilke steder og tider som bør omfattes av eventuelle begrensninger. Dersom det er en kommune som vurderer det slik at reguleringen bør gjelde hele sentrumsområdet, f.eks. fordi det er vanskelig å avgrense enkeltgater framfor så sier jeg at det må legges stor vekt på hvordan kommunen vurderer nettopp et slikt forhold. Dette er også noe av bakgrunnen for at kollektivtransport, kjøpesentre og f.eks. dør-til-dør-tigging er noe som må vurderes konkret i de kommunene det gjelder.

de er opptatt av, er hvordan loven skal gjennomføres. Ikke en eneste har besvart spørsmålet: Hvordan skal Gina få penger til melken til sin ni måneder gamle baby? Hvordan skal de tiggerne som tjener, eller får, penger til et måltid eller to, komme seg gjennom dagen? Det eneste en ber om, om, er en tiltaksplan mot tiggere som begår kriminalitet. Er det noen som ber om tiltaksplan mot bekjempelse av fattigdom? Ikke en eneste – ikke en eneste fra opposisjonspartiene har bedt om det. Så spørsmålet er: Hvor skal fokuset ligge fra opposisjonspolitikerne? Kun på hvordan vi skal bekjempe tiggerne? Eller skal vi også bekjempe det som er grunnlaget for tiggingen, nemlig fattigdom? fattigdom? Representanten Tetzschner er på en måte i fremste rekke. Representanten Tetzschner må noen ganger prøve å sette seg i et annet menneskes posisjon og spørre: Hvorfor sitter denne kvinnen og nedverdiger seg på Karl Johans gate i dårlig vær, i regnvær osv., og ber om 5 kr? Hvorfor gjør mennesker det hvis de har et alternativ? hvorfor skulle de da nedverdige seg selv? Hvorfor skulle de selge hele selvrespekten? Det er disse partiene – og særlig representanten Tetzschner – som mener at sånn kan vi bekjempe menneskehandel, ved å legge ned forbud. Det er den samme representanten Tetzschner, og som var imot sexkjøpsloven, fordi de mente at på det området kunne ikke en slik lov bekjempe menneskehandel, der hvor det er dokumentert at det er mellommenn, det er dokumentert at mennesker i nød blir utnyttet, stort sett kvinner, og det er mellommenn som tjener penger på det. Menneskehandel er helt klart dokumentert der. Den samme representant Tetzschner er imot den loven. Så er spørsmålet: Hva skal politiet brukes til? De begrensede politiressurser vi har, skal de brukes på bekjempelse av menneskehandel? Skal de brukes på å bekjempe narkotika? Skal de brukes på å bekjempe hvitvasking av penger? Skal de brukes til å bekjempe gjengkriminaliteten? Skal de brukes til å bekjempe vold mot kvinner og barn? Skal de brukes til å bekjempe seksuell trakassering? Eller skal de brukes til å bekjempe tiggere? Er det der debatten er i den norske stortingssalen?

Da vil jeg gjøre representanten oppmerksom på at i representantforslag 96 S, som representanten Chaudhry kommer til å være med på å stemme ned, er et av forslagene at vi ber om en tiltaksplan mot tigging, slik at den etterlysningen vil representanten selv bidra til blir nedstemt i voteringen. Så en refleksjon rundt forrige innlegg. Jeg synes det er riktig å spørre Chaudhry, men for så vidt også de andre regjeringspartiene, om å utdype hva som er forskjellen for den imaginære Gina dersom et kommunestyre i medhold av den lov som i dag blir vedtatt, vedtar at Gina ikke får lov til å tigge i sentrumsområdet i den kommunen, med representanten Akhtar Chaudhrys stemme. Da vil jeg gjerne vite hva er forskjellen, når den praktiske konsekvensen for Gina likevel er den samme

representanten Chaudhrys innlegg klart var preget av at man rett og slett ser tigging som en strategi for nasjonal og internasjonal sosial utjevning: Slik ser ikke jeg det, slik ser ikke Høyre det. Og verre enn det, som jeg også var inne på i mitt forrige innlegg: Dette fastholder folk i stereotype roller. I den grad menneskehandlet, til dette, fastholder det dem i sine offerposisjoner, og så sikrer det selvfølgelig fortsatt inntekter til mellommennene, med stort bifall fra de rød-grønne. Uten å ønske å dra debatten videre vil jeg gjerne bare få fram et par poenger. Det ene er at man har

til. Når statsråden også svarer representanten Werp at det ikke er riktig å utelukke Oslo-forslaget, synes jeg at det naturlige neste steget i denne prosessen er at det kommer forslag om nye politivedtekter fra kommunene som behandles i Politidirektoratet, at vi ser hvilken praksis som utvikler seg, og at vi får et grunnlag for etter hvert å evaluere om den loven vi har laget, fungerer etter hensikten, eller om det trengs forbedringer. Det ligger åpenbart viktige ting å prøve ut der, som det også framgår av debatten, men jeg skulle ønske at de partiene som ønsker reguleringer, også ser at dette gir muligheter til å utvikle en praksis, utvikle tiltak som kan hjelpe på de problemene mange av oss er enige om at finnes, og at vi da har et startpunkt i det vi forhåpentligvis vedtar her i dag. i dag. Det er en vei å gå her, og jeg tror at den veien må gås opp nå i samspill med kommunene, slik som arbeidet med politivedtekter lokalt skal være. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 12 og sak nr. 13. Jeg vil gjerne kort få takke Stortinget for godt samarbeid om å avklare denne lovhjemmelen nå i løpet av en ukes tid. Det er en sak som kommer på kort varsel til

fra FN. Man har også i denne behandlingen sikret seg garantier for at det ikke skal drives med tortur, at menneskerettigheter skal respekteres, og at fanger som overlates til Seychellene, ikke skal kunne overføres til et tredjeland uten at Norge er informert om det. Så det ligger en betryggende ramme rundt lovforslaget om at våre skip som deltar i piratbekjempelse i Adenbukta, skal kunne

Veldig kort: Vi ser i komiteen at det igjen er en positiv utvikling i utvalgene. Selv om sakene blir mer og mer kompliserte, ser vi at dette går i stadig riktig retning. Så er det en oppfordring til statsråden fra komiteen, der komiteen peker på forskjellige ordninger for vanskeligstilte, som man trodde at man skulle rydde opp i på et tidligere tidspunkt, og komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre viser til at vi hadde en merknad i 2009 også. Nå har hele komiteen sluttet seg til at det finnes en generell skjevhet i prosedyrene for erstatning i kommunene, og at dette rettes opp. Vi håper og tror at statsråden følger det opp.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

Representantforslaget går ut på eit ønske om at den nye grensa på 60 G skal ha tilbakeverkande kraft for alle eldre saker, og at staten bør forskottere erstatning for alle valdsoffer, også dei som ikkje blir tilkjende erstatning frå Kontoret for voldsoffererstatning. Det er slik i dette landet at lover normalt ikkje har tilbakeverkande kraft. Da dette blei gjort etter 22. juli 2011, hadde det si årsak i i at ein ikkje skulle behandle terrorofra og andre valdsoffer ulikt. Slik Stortinget da såg det, ville det ha vore uheldig. Derfor fekk denne siste endringa verknad for heile 2011. Tilbakeverkande kraft bør brukast med stor varsemd og med kortast moglege periodar. Det vil også vere i strid med tidlegare lovgjevnadspraksis og vil kunne skape press på mange område i framtida. Den øvre grensa for valdsoffererstatning har blitt endra mange gongar utan at det har gjeve tilbakeverkande kraft. Dette kan nok verke urimeleg for mange, og særleg var det nok merkbart i 2001, da øvre grense auka frå 200 000 kr til 20 G. I 2009 auka den øvre grensa til 40 G, og i 2011 blei den øvre grensa altså auka til 60 G.

Det spørsmålet fekk si breie utgreiing i fjor i samband med behandlinga av Prop. 65 L for 2011–2012. Når det gjeld spørsmålet om at staten bør forskottere erstatning til alle valdsoffer, viser eg til omtalen i innstillinga der også dette blei grundig vurdert i samband med lovendringane etter 22. juli. Dette arbeidet er i god gjenge, og eg viser til brevet frå statsråden og lov 11. januar 2013 nr. 3 om Statens innkrevjingssentral. Eg viser til innstillinga og tilrådinga, og eg reknar med at mindretalet sjølv vil gjere greie for sitt syn i denne saka.

Kari. Kari var utsatt for overgrep og misbruk fra hun var 4 år til hun var 15. Et familiemedlem ble dømt, fikk 7,5 år, og Kari ble tilkjent nesten 2 mill. kr i erstatning. Alle i denne salen vet at den størrelsesorden både på erstatning og på straff betyr at denne jenta har vært utsatt for forferdelige ting. Hun er i dag 100 pst. ufør. Hun går jevnlig til psykolog. Livet er ødelagt. Men i tillegg vil Kari nå måtte leve med at hver måned vil hun gjennom SI-ordningen som nå er vedtatt og blir iverksatt i juni, bli minnet på sin sak gjennom år, flere år. SI-ordningen som prinsipp sånn som den foreligger, er grei nok, og det er veldig bra at den nå blir iverksatt. Men jeg vil henlede oppmerksomheten på Fremskrittspartiets forslag nr. 1. Hvis denne jenta, denne Kari, kunne ha fått utbetalt det beløpet som hun ble tilkjent, på én gang, som staten nå gjennom SI-ordningen sier at de vil ta ansvar for å kreve inn, vil vi for det første få mindre byråkrati og – punkt 2 – hun vil kunne legge saken bak seg. Hun vil kunne starte et nytt liv istedenfor å bli minnet på dette. Nå tar jeg ikke opp hvordan hun gjennom disse årene etter at saken var oppe, har måttet løpe etter pengene, selv har måttet finne ut hvor vedkommende jobber, og på hvilken måte han har ordnet seg svart arbeid for å unngå at det

Alle partier er opptatt av at ofre for vold skal få en bedre situasjon. Selv om noen av oss ikke stemmer for Fremskrittspartiets forslag her i dag, betyr det ikke at vi er for en uverdig voldsoffererstatningsordning. Alle partier har aksjer i både det som er bra, og det som ennå ikke fungerer så godt. Jeg har lyst å si litt om offeromsorg: Jeg kan ikke med min hvorfor ikke regjeringen ennå har fulgt opp Stortingets vedtak om egen offeromsorg, som Høyre og Fremskrittspartiet påpekte i debatten om vold i nære relasjoner, og som vi fremmer forslag om igjen og igjen og igjen. Det er et enstemmig storting som mener at det er viktig. Det er ikke et tema her i dag, først og offeromsorg ville sannsynligvis bidratt til raskere fremdrift av saker og temaer som betyr noe for voldsofre – herunder også voldsoffererstatningen og måten den skal innrettes på. Høyre ønsker at mulighetene utredes for hvorvidt dagens ordning, hvor voldsofferet har krav på inntil 60 G i erstatning, kan gis tilbakevirkende kraft. Det bør også utredes hvorvidt det skal settes en dato tilbake i tid, for når kravet på inntil 60 G i erstatning kan Det trengs også en utredning av hvorvidt staten skal forskuttere erstatning for alle voldsofre – også dem som ikke tilkjennes erstatning av Kontoret for voldsoffererstatning. Jeg har lyst å avslutte med det jeg startet med: Spørsmålet om nasjonal offeromsorg er ikke et lite spørsmål. Det er et stort spørsmål. Tidligere i dag diskuterte vi hvordan man skal få til bedre innhold i soningen. Det har man en hel kriminalomsorg som tenker på. Når det gjelder det at voldsofre skal få et bedre innhold i sine liv, etter at de har vært utsatt for vold i kortere eller lengre tid og blitt skadet for livet, er faktisk spørsmålet om nasjonal offeromsorg et spørsmål om det. Hvis vi fremover kan ha like stort engasjement fra enkelte i salen her knyttet til innholdet i livene til voldsofre, som det de hadde når det gjaldt å prate om innholdet i kriminalomsorgen for dem som hadde begått kriminalitet mot dem, tror jeg vi hadde kommet veldig langt. Og da bør flertallspartiene her sørge for å henge i skjørtekanten til sin egen statsråd og sørge for at det blir fortgang her. Det er et enstemmig storting som ønsker det, og jeg kan ikke med min beste vilje forstå hvorfor man ikke har fått det på plass. Til slutt tar jeg opp Høyres forslag i innstillingen. Representanten André Oktay Dahl har tatt opp de forslagene han refererte til. Jeg har behov for å begynne litt generelt: Ikke så rent sjelden blir det framholdt fra ulike hold at lover og regler mer sikte på å beskytte og hjelpe voldspersonen enn å ivareta rettighetene til det uskyldige offeret for voldshandlingen. Men gjennom voldsoffererstatningen er voldsofferets stilling styrket, og de mer konkrete tiltakene vi diskuterer i dag, ville styrket den for enda flere. Det er også viktig å plassere ansvaret der det hører hjemme når voldshandlingen er begått. Den enkelte voldsutøver må stå til rette og ta straffen for å ha begått en straffbar handling. Og i den grad det er mulig, må det uskyldige offeret få den erstatning og oppreisning som gir offeret livskvaliteten tilbake. Dette er også voldsmannens ansvar, og som vedkommende ikke på noen måte må slippe lettvint unna. Vi vet imidlertid at mange skadevoldere ikke har midler til å betale erstatning, eller vedkommende er ukjent. Derfor er det en statlig oppgave å sørge for at offeret ikke Gjennom trygdeytelser og voldserstatning skal staten sørge for at den som har lidt skade, får gjenopprettet en rimelig god livskvalitet. Det er i denne sammenhengen vi understreker at erstatningen er en

utbetale summen, og så får de heller kreve inn pengebeløpet fra den straffedømte. I dag diskuterer vi forslag som skal gi mer tilbakevirkende krav. Kristelig Folkeparti støtter fullt ut forslag nr. 1, vi stemmer også for forslag nr. 2, og vi ønsker å støtte forslag og vi ønsker å støtte forslag nr. 6. Jeg ønsker å presisere at det ofte ikke er de store beløpene det er snakk om, men som representanten Michaelsen også var inne på, er det personer som blir minnet på ugjerningen, som ofte får det vanskelig med å komme seg videre, fordi de selv må ta seg av innkrevingen. Vi mener det er et godt forslag å utbetale erstatning til dem som har blitt rammet, men som ikke har fått krevd inn Jeg vil bruke det siste halvminuttet til å understreke at Kristelig Folkeparti også støtter fullt opp om dem som har vært inne på det med en nasjonal offeromsorg. Vi mener at offeromsorgen – i likhet med kriminalomsorgen – vil kunne være en viktig bit for nettopp å utarbeide enda bedre rutiner, retningslinjer og forhold for de som har blitt rammet av vold. Vi støtter forslag nr. 1, 2 og 6 i denne

Jeg oppfatter forslag nr. 1 som et ønske om at den øvre grensen på 60 G og alle andre bestemmelser i voldsoffererstatningsloven skal gis ubegrenset tilbakevirkende kraft. Det klare utgangspunktet er at lover ikke gis tilbakevirkende kraft. I forkant av at den øvre grensen ble hevet 30. mars 2012, ble spørsmålet om tilbakevirkende kraft grundig vurdert av Justis- og beredskapsdepartementet og deretter debattert her i Stortinget. Dersom bestemmelsen skulle fått virkning fra 1975, ville svært mange saker måtte gjenopptas. I flertallet av sakene foreligger det ingen dom, og det ville være vanskelig – ofte umulig – å skaffe den nødvendige dokumentasjonen til å foreta erstatningsberegningene. Lovendringene fikk virkning fra 1. januar 2011. Det var ikke behandlet saker etter denne datoen, der den daværende grensen på 40 G hadde fått betydning. Voldsoffererstatningsordningen er blitt endret på en rekke punkter, og det er vanskelig å identifisere saker som endringene har betydning for. Dersom bestemmelsene skulle gis tilbakevirkende kraft, ville jeg tro at samtlige saker behandlet siden 1975 må gjennomgås. En stor andel av pengene staten bruker på voldsofre, ville gått til saksbehandling framfor utbetalinger. Jeg tror ikke det er en utvikling noen er tjent med. Det vil dessuten være vanskelig for ofrene å komme seg videre, dersom sakene gjenåpnes hver gang loven endres. Dersom man ønsker å være offensiv, må man akseptere at det settes en grense for når endringer gjelder fra. Forslag nr. 2, om at staten bør forskuttere erstatning for alle voldsofre, også for dem som ikke tilkjennes voldsoffererstatning, framstår for meg som noe uklart. Voldsoffererstatningsordningen går jo nettopp ut på at staten forskutterer erstatning til ofre og overtar kravet mot skadevolder. Jeg understreker at en person som blir tilkjent erstatning fra gjerningsmannen av en domstol, vil få voldsoffererstatning. Dersom representantene mener at det overhodet ikke skal stilles vilkår for å få voldsoffererstatning,

Og da må jeg rett og slett bare komme til at jeg ikke forstår det helt. Hadde vi hatt denne enigheten for bare et halvt år siden, hadde jeg skjønt at statsråden trenger mer tid, for dette er et vidt felt. Men nå har det nesten gått to år. Og dersom man bare delvis hadde tatt fatt på opprettelsen av f.eks. et offerombud eller et offerfond, tilsvarende det man har i Sverige, kunne i hvert fall statsråden forklart at man er på vei. Men det er ikke så veldig mye som har skjedd. Hva mener statsråden man bør gjøre? Dette er det jobbet med på grundig vis i departementet, og det er Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress som har fått i oppdrag å foreta en kartlegging av tiltak og tilbud til voldsutsatte i Norge. De leverer sin rapport til departementet før sommeren, og vi vurdere om det f.eks. bør etableres en kriminalitetsoffermyndighet. Jeg tar utgangspunkt i ofrenes behov, og også det som fungerer godt i dag. Det er på dette tidspunktet ikke gitt at den beste løsningen vil være å opprette et eget organ, men jeg vil på ingen måte konkludere på motsatt vis

saken og forslagene. Jeg regner med at Fremskrittspartiets representanter vil begrunne sine forslag nå straks. Som medlem av Sosialistisk Venstreparti, og representant for det partiet, finner jeg det likevel riktig å kommentere forslagene. La meg først si at jeg er glad for at en enstemmig justiskomité, selvsagt unntatt Fremskrittspartiet, og jeg regner med et enstemmig storting, igjen unntatt Fremskrittspartiet, vil avvise forslagene. Komiteen finner det ikke engang riktig å legge forslagene ved protokollen. Det er et signal som jeg håper Fremskrittspartiet tar. La meg gjøre det klart: Som SV-er og muslim finner jeg det malplassert at heldekkende plagg, slik som niqab og burka, brukes i vårt åpne, tolerante og inkluderende samfunn. Dersom det ligger en tvang bak denne bruken, må det bekjempes, og jeg vet at det også gjøres. Fra Stortingets talerstol vil jeg sende følgende beskjed til de mennene som tvinger sine kvinner til å oppgi sin rett til å kle seg slik de ønsker: Dette er en tapt strategi. Verken kvinnene, vårt åpne, demokratiske samfunn eller islam stiller seg bak dette. Det er en tradisjon som er dømt til å dø. Når det er sagt, er et forslag om å forby hvordan enkeltmennesker skal kle seg, et brudd med vår demokratiske tankegang. Å tvinge mennesker til å kle seg i en gitt stil, å nekte dem å kle seg som de vil, og å lage retningslinjer og lover som hindrer mennesker i å realisere seg selv, hører til samfunn som vi slett ikke ønsker å sammenlikne oss med eller kopiere. En slik tanke er udemokratisk, inkonsekvent og gammeldags. Fremskrittspartiet bør innse at færre og færre nordmenn er opptatt av denne trangsynte politikken og heller vil bruke samtale og samkvem for å fremme likestilling og likeverd for kvinner med minoritetsbakgrunn. Jeg er glad for at et enstemmig storting, alle unntatt Fremskrittspartiet, vil avvise forslagene – og her er på linje med befolkningen generelt.

I spørsmålet om heldekkende plagg må det vektlegges både prinsipielle, sikkerhetsmessige, solidariske, integreringsmessige og religiøse spørsmål, ettersom dette kan ses på som flere sider av samme sak. Vi har vurdert dette grundig når vi har falt ned på det vi her har gjort. Så registrerer jeg at komiteen på en rekke områder er enig med forslagsstillerne når det gjelder de utfordringene vi ser i hverdagen. Vi registrerer også at det ikke bare er Fremskrittspartiet i Norge som har tatt tak i denne debatten. Denne debatten går i en rekke land i Europa, og det er også en rekke land

institusjoner. Hvis det er sånn at et totalforbud skulle bryte med EMK, vil jeg i hvert fall tenke at de enkeltforbud som er gjort, enten det er i Danmark, i Frankrike eller i Tyrkia, eller på institusjoner i Norge, også måtte være like mye brudd på EMK. Vi registrerer at vi nok engang taper denne kampen, men jeg tror ikke debatten er over av den grunn. Jeg tror debatten vil dukke opp igjen med jevne mellomrom, og at man kanskje til syvende og sist vil se at man av integreringsmessige hensyn og av hensyn til arbeidet mot undertrykkelse av kvinner vil falle ned på Fremskrittspartiets forslag. Jeg fremmer de forslagene som ligger i innstillingen. Representanten Per Sandberg har tatt opp det forslagene han refererte til. Et lovverk som regulerer den enkeltes antrekk, vil innebære noe nytt i norsk lovgivning. Hvis man skal vedta noe så pass vidtrekkende, er noe så pass vidtrekkende, er det kanskje greit å se på det i forhold til omfanget av problemet man prøver å løse. Antallet kvinner vi snakker om her, er veldig lavt. Eksisterende lovverk har de nødvendige virkemidlene for kontroll av identitet, og og i tilfelle tvang blir brukt, er det altså straffbart innenfor gjeldende lovverk. I tillegg viser de lokale eksemplene vi har sett, at dette greier man også å håndtere lokalt. Når det gjelder integrering, er det viktig å huske at forbud kan ha den motsatte effekt, nemlig at man får mindre integrering og mer segregering. Hvis hensikten er å hindre tvang og press og undertrykking av kvinner, må inngrepene rettes mot dem som undertrykker, mot dem som presser, og mot dem som tvinger. Dette kan fort bli en debatt om Fremskrittspartiet. Det synes jeg egentlig er en ganske uinteressant debatt. Desto mer interessant er det å diskutere hva som vil være det viktigste for å hjelpe dem det er snakk om, uavhengig av om man mener å være for eller mot forbud mot burka eller heldekkende plagg. I tidligere debatter – ikke til nå – har flertallet blitt anklaget for nærmest passivt å lene seg på EMK og på Grunnloven. Men EMK og Grunnloven er egentlig ganske kjekke å ha, for de er jo laget ved en rimelig ettertanke og ro, og det var ganske mange lure mennesker som satt sammen og tenkte seg om, bl.a. på hva som ville bli konsekvensen hvis man ikke hadde en viss type regulering som beskyttet minoriteter. Det man vet, er at hvis man begynner å lempe på den holdningen, og vekslende flertall i affekt fatter vedtak etter vedtak om enkeltminoriteter,

Hvis noen kaller det kultur, tar de feil. Det er det ikke kultur, det er ukultur. Det har ingen rett, og det har ingen plass i det norske samfunnet. Jeg har lyst til å si at i morgen skal vi feire stemmerettsjubileet, og jeg synes det er litt trist at av alle de kvinnene som går opp og ned på Karl Johan og i andre deler av byen 8. mars, er veldig mange ekstremt tause når det gjelder de kvinnene som utsettes for de verst tenkelige overgrep dag etter dag. Jeg synes det er veldig mye luksusfeminisme ute og går. Jeg håper at vi fremover kan få en debatt der alle deltar, og at man ikke bare er fornøyd med det man har fått, og jobber for kvotering f.eks. En av bærebjelkene i rettsstaten er

koblet tett til religionsfriheten, som jeg mener er vel så viktig i et demokratisk samfunn. Derfor mener vi i Kristelig Folkeparti at de forslagene som foreligger her i dag, er feil. Som flere har vært inne på, mener vi at en i stedet må ta sterkt avstand fra den kvinneundertrykkingen som en ser eksempler på ved tvang – eller indirekte tvang – til å bruke heldekkende plagg. En må finne virkemidler som kan bidra til å unngå at det skjer. Dette er egentlig et forslag som føyer seg inn i rekken av forslag som jeg mener bommer litt. Det har vært forslag om å forby hijab, det har vært forslag om å forby religiøse symboler, det har vært forslag om å forby religiøse symboler, det har vært forslag om å forby religiøse skoler, det har vært forslag om å forby prangende kors, osv., osv. Et viktig element i disse spørsmålene er, som sagt, koblet til religionsfrihet. For Kristelig Folkepartis del er trosfriheten, det å få uttrykke sin tro, viktig. Dermed er det ikke sagt at jeg anerkjenner at bruk av burka eller er religion. Men det interessante når en diskuterer ytringsfrihet og menneskerettigheter, er at det faktisk dreier seg om å løfte fram et mindretalls rettigheter – så er det sagt. Men jeg er glad for at det er så mange som velger å ta sterkt avstand fra den tvangen, eller indirekte tvangen, det er å pålegge noen å gå med heldekkende plagg. Det er et problem knyttet til likestilling, og rettslige virkemidler er noe som bør brukes for å løse dette. Det er interessant å løfte fram Voltaire i en sånn sammenheng, når han sier: Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det du sier. Det er egentlig et viktig poeng at en kan være grunnleggende uenig i noe og ta sterkt avstand fra det, men en trenger ikke å forby alt. I representantforslaget ser jeg at det argumenteres med sikkerhet i det offentlige rom, og så viser en til et ran i Paris i februar 2010. Jeg synes det et ran i Paris i februar 2010. Jeg synes det er en interessant argumentasjonsmetode, for en kan finne mye annet som er blitt brukt i et ran, uten at en nødvendigvis må forby det. det. Når jeg først er inne på den mindre prinsipielle argumentasjonen, ser jeg at man antar at det i Frankrike er om lag 1 900 kvinner som bruker heldekkende plagg, i Danmark er det tre, og i Nederland sa de at det er femti av en million. Hvis en overfører det til norske forhold, er det kanskje en håndfull eller to her. Det er ikke dermed sagt at det ikke er viktig for dem, men det betyr at man må ha andre tiltak først – før en diskuterer

Jeg mener imidlertid at et forbud ikke er den rette veien å gå for å motarbeide bruken av slike plagg og for å unngå at kvinner tvinges til å bruke dem. Et generelt forbud vil kunne komme i konflikt med våre forpliktelser etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen og andre internasjonale konvensjoner, slik flere talere har vært inne på. Uansett er det etter mitt syn ikke noe påtrengende behov for et forbud. For det første synes spørsmålet å berøre slik representanten Ropstad var inne på – svært få personer. For det andre har vi et lovverk som legger til rette for praktiske løsninger der det er behov for å se personers ansikt for å identifisere dem. Videre har vi mulighet til å forby slike plagg i bestemte situasjoner, f.eks. i undervisningssituasjoner, og i de tilfellene der kvinner tvinges til å bruke heldekkende plagg, vil dette rammes av Jeg mener det viktigste vi kan gjøre for å unngå at kvinner presses til å bruke heldekkende plagg, eller selv velger å bruke dem, er å legge til rette for at de inkluderes i samfunnslivet på alle områder. Samlet sett har vi i dag et regelverk som åpner for forbud i bestemte situasjoner, som legger til rette for gjennomføring av nødvendig ID-kontroll, og som i større grad enn et generelt forbud lar oss finne løsninger basert på gjensidig toleranse og respekt.

lønnstakerne. Det er likevel en samlet komité som går imot forslaget om å innføre bindende aksjonæravstemninger om lederlønninger i aksjeselskap. Gjennom de siste årene er det gjennomført en betydelig forenkling for norsk næringsliv gjennom fjerning av revisjonsplikten, reduksjon av krav til aksjekapital for små og mellomstore bedrifter og forenklinger i aksjeloven. Det er viktig, når vi pålegger næringslivet nye lover eller oppgaver, at vi spør oss: Vil dette by på mer arbeid, mer byråkrati, og vil dette ha store kostnader for næringslivet? Når det gjelder disse forslagene, mener jeg at svaret på begge disse spørsmålene er ja. I tillegg til kostnad og merarbeid vil det by på praktiske utfordringer knyttet til For selskaper med mange aksjeeiere vil det være upraktisk å innkalle generalforsamlingen hver gang en skal ansette en person som skal ha en ledende stilling i selskapet. Komiteen mener at forslaget går for langt i å begrense selskapets handlefrihet. Det er viktig at styret har nødvendig handlingsrom og fleksibilitet til å kunne framforhandle lønns- og ansettelsesvilkår som anses som nødvendig for å få rett person på plass, og at ansettelsesprosessen ikke tar for lang tid. I aksjeloven § 6-2 annet ledd går det fram at daglig leder ansettes av styret, så fremt ikke vedtektene til selskapet sier at dette skal gjøres av generalforsamlingen. Forslaget fra Kristelig Folkeparti reiser et prinsipielt spørsmål om kompetanse- og ansvarsforholdet mellom styret og generalforsamlingen. Styret har ansvar for forvaltningen av selskapet og etter loven ansvar for å sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten. kan fastsette generelle retningslinjer ved ansettelse, og den skal kunne gi instrukser om lønnsvilkår. Aksjeloven har videre ikke særskilte regler om tilsetting av andre ledende ansatte. Det reguleres av lovens alminnelige organisatoriske regler. Dette er bakgrunnen for at vi ikke kan støtte forslaget, selv om det i seg selv har gode intensjoner.

Pensjonsfond blir pålagt å stemme i sine medlemmers interesse og offentliggjøre det de stemmer. Bakgrunnen for forslaget er trenden i retning av stadig høyere lederlønninger. Disse lønnsnivåene har stadig mindre legitimitet i befolkningen, både i Sveits og internasjonalt. Oppslutningen om Minders forslag ble ikke mindre av at legemiddelfirmaet Novartis i vinter besluttet å gi styreformann Daniel Vasella en sluttpakke på 430

lederlønningene: De steg dobbelt så raskt som vanlige lønnsinntekter i tiåret fram til 2007, ifølge førsteamanuensis Iver Bragelien ved Norges Handelshøyskole. Den andre store trenden de siste 20 årene, også i Norge, er en stadig mer utbredt bruk av variable lønnskomponenter som bonuser. Veksten i lederlønningene er bekymringsfull for alle som ønsker Vi har et stadig økende lønnsgap mellom arbeidstakere i Norge og utlandet på grunn av vår petroleumsdrevne økonomi. Derfor er det viktigere enn noen gang å unngå en sterk vekst i lederlønninger som kan undergrave tanken om moderate lønnsoppgjør og svekke norske bedrifters konkurranseevne med utlandet. I dag bestemmes godtgjørelse av styremedlemmer i norske aksjeselskaper av generalforsamlingen, mens lønn og godtgjørelse for topplederne bestemmes av styret. Forslagsstillerne mener at aksjonærene også bør gis direkte innflytelse over toppledernes lønninger og godtgjørelse. Ved å flytte den endelige godkjenningen av lønningene ut av den engere kretsen i styrene og over i generalforsamlingene får aksjonærene økt innflytelse, og veksten i Å styrke aksjonærmakten er også riktig rent prinsipielt. Aksjonærene eier selskapet. Selskapets styre og administrative ledelse skal tjene dem, ikke motsatt. Det britiske nyhetsmagasinet The Economist støtter forslaget og mener det er fornuftig, nettopp fordi det Så her er de selverklærte liberalistene i The Economist mer progressive enn de rød-grønne partiene i denne salen, som toer sine hender og synes å være fornøyd med lederlønnsgaloppen. Det burde gi de rød-grønne representantene grunn til ettertanke. Jeg må kanskje ta opp forslagene. Da har representanten Kjell Ingolf Ropstad på vegne av Kristelig Folkeparti tatt opp de to forslagene som foreligger omdelt på representantenes plasser i salen.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

Komiteen er enig om et viktig premiss, nemlig at vi har et høyt kostnadsnivå, at vi må kompensere ved å øke vår produktivitet, og at økt bruk av IKT er et av de sentrale virkemidlene. Men premisset følges ikke tilstrekkelig opp i selve meldingen. Den adresserer ikke det store uutnyttede potensialet som finnes i norsk næringsliv – ikke minst i norsk offentlig innovasjon, økt produktivitet, økt konkurransekraft og økt verdiskaping ved riktig bruk av IKT. Meldingen burde istedenfor bare å beskrive den eksisterende situasjonen, vært mer offensiv for hvordan en samordnet IKT-politikk kunne gitt effektiviseringsgevinster i det offentlige og dermed positive ringvirkninger for næringslivet ellers. Det er nettopp dette Riksrevisjonen har påpekt. Slike samordningstiltak vil være det som har mest virkning for å effektivisere offentlig sektor, først og fremst i den sektorovergripende samhandling mellom forvaltningsnivåene. For det videre forenklingsarbeidet i Norge – som allerede ligger på etterskudd – og for en mer brukervennlig offentlig sektor er dette helt sentralt. Opposisjonen har fremmet en rekke forslag de senere årene om forenklinger som nettopp betinger en bedre bruk av IKT. Sammen med en sentralisering av innrapporteringen ville dette bidratt sterkt til ytterligere forenkling. Så vil jeg understreke hvor viktig det er at videre bruk av rådata er tilgjengelig, uten restriksjoner på informasjon og uten tidkrevende og kompliserte prosedyrer i forbindelse med rettighetene. Dette gjelder spesielt geodata og eiendomsinformasjon. Her ligger det et betydelig potensial for økt verdiskaping og – ikke minst – for bedre publikumstjenester. Men meldingen har ingen planer om eller vurderinger av hvordan eller når rådata fra Statens kartverk og statistikk fra SSB eksempelvis kan bli gjort tilgjengelig for alle, og ikke minst til et prisnivå som er lavt og forutsigbart. Mange har påpekt dette, ikke minst i høringene i forkant av arbeidet med meldingen. IKT-løsninger i helsesektoren er dernest den største oppgaven vi står overfor. Sektoren er preget av lokale løsninger, manglende standardisering og liten kompatibilitet med andre løsninger i helsesektoren. Jeg tar opp det forslaget som vi fremmer i

Et av de viktigste bidragene til forenklingsarbeidet er omlegging til elektronisk rapportering og utvikling av gode elektroniske tjenester rettet mot næringslivet. Et konkret tiltak er elektronisk dialog med arbeidsgiver, EDAG, som er en omfattende satsing på videreutvikling av Altinn. I et land med høyt kostnadsnivå er dette en viktig fokusering og en

Det er bra at regjeringen nå leter etter særskilte hinder knyttet til rekruttering til IKT-utdannelsen her hjemme. Utdanning, kompetanse og forskning er viktige byggeklosser for at Norge skal styrke sin konkurransekraft og befeste sin posisjon som en av de best utviklede, kunnskapsbaserte og konkurransedyktige økonomiene i verden.

– at vi kanskje ikke har vært dyktige nok til det vi holder på med. Vi ser at det er store muligheter innenfor helse- og omsorgsteknologi, men ting går forferdelig sent. For å ta et eksempel: Det er litt underlig at mens man diskuterer hvilken informasjonsteknologi og hvilken løsning man skal velge,

i bruk den framtidige teknologien i omsorgssektoren, den som f.eks. Safehouse-teknologien åpner for. Da er man avhengig av bredbånd, man er avhengig av toveiskommunikasjon mellom aktørene for å skape den tryggheten som skal til. Jeg tror at det også innenfor offentlig sektor har blitt slik at man snakker og snakker om alle de flotte digitale løsningene man skal velge – og den effektiviteten man skal oppnå ved å velge de løsningene. Det eneste det medfører, er enda flere ansatte, og vi det medfører, er enda flere ansatte, og vi mangler den effektiviteten. Jeg tror det man faktisk trenger i disse situasjonene, er et bedre og reelt planverk som gir oss resultater, og måleindikatorer som sørger for at man faktisk kan komme fram til et mål der framme. Vi trenger men vi er nødt til å begynne helt nede på basisnivået, særlig innenfor helse- og omsorgsområdet – nettopp fordi det er så mye upløyd mark. Og det er, som sagt, underlig at vi i Norge i dag sender røntgenbilder med drosje i Oslo. IKT er det er så mye upløyd mark. Og det er, som sagt, underlig at vi i Norge i dag sender røntgenbilder med drosje i Oslo. IKT er eit verktøy for vekst og verdiskaping. Noreg er i verdstoppen når det gjeld bruk av Internett. 86 pst. av oss brukar nettbank, medan gjennomsnittet for EU er 37 pst. Regjeringa vil leggje til rette for at For å få til det er det viktig å skaffe seg god oversikt over bruken av Internett blant dei eldre – for å leggje til rette for at også denne gruppa skal få god bruk av Internett. IKT er viktig for verdiskapinga i Noreg. Vi har ein sterk IKT-bransje, samtidig som IKT er eit viktig verktøy for alle bransjar. Regjeringa støttar opp under denne utviklinga med ei offensiv satsing på elektroniske tenester retta mot næringslivet. Sentralt her står Altinn og elektronisk dialog med arbeidsgivar, EDAG. Regjeringa vil stimulere til at mest mogeleg offentlege data blir gjort tilgjengeleg gratis eller til ein låg pris. Kartdata er eit viktig grunnlag for mange applikasjonar, både for offentlege og for private aktørar. Regjeringa har starta arbeidet med å frigi sentrale kartdata. I revidert nasjonalbudsjett blir det foreslått å løyve 10 mill. kr til dette formålet. Det blir bl.a. foreslått å frigi data frå hovudkartserien for landområda og vegdata og adressedata. Sikkerheit er eit sentralt element i IKT-politikken. Det er viktig å merke seg at fagdepartementa har eit overordna ansvar for IKT-sikkerheita i eigen sektor. Enkelte departement har eit særskilt ansvar. Regjeringa overfører ansvaret for førebyggjande informasjonssikkerhet i sivil sektor frå Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet. Noreg ligg langt framme når det gjeld å levere digitale tenester til næringslivet. ID-porten gir tilgang til nettenester frå over 280 offentlege verksemder. Regjeringa samarbeider også med kommunane om gode Det er eit politisk ansvar å leggje til rette for digitalisering i offentleg sektor for å ta ut potensial for vekst og verdiskaping. Men det er også eit offentleg ansvar å leggje til rette for at marknadsaktørane kan bidra til vekst og verdiskaping. Det er ikkje minst viktig i ein bransje som er sterkt avhengig av infrastruktur, og der stor samhandling med det offentlege er viktig. Det undrar meg at opposisjonen faktisk legg vekt på at marknaden skal fungere åleine, og ikkje legg opp til at det offentlege har eit ansvar for at marknaden også på IKT-sektoren fungerer så godt som mogleg, med dei støttefunksjonane for det offentlege som er

Venstre slutter seg derfor til komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkepartis kritikk av at meldingen i stedet for å beskrive den nåværende situasjon for IKT-utvikling i det offentlige, burde vært langt mer offensiv på hvordan en samordnet IKT-politikk kunne utløst effektiviseringsgevinst i offentlig forvaltning og gitt positive ringvirkninger for næringslivet ellers. Etter Venstres mening tar heller ikke meldingen inn over seg hvilket potensial Telecom og resten av IKT-næringen har for norsk verdiskaping. For det første er det en direkte sammenheng mellom bredbåndspenetrasjon og bredbåndkvalitet og vekst i et lands BNP. For det andre er dette et av de områdene der Norge har unike forutsetninger for å trygge og videreutvikle næringer og velferden for fremtiden. Å ha ambisjon om «et bredbåndstilbud av grunnleggende god kvalitet» – som det står i meldingen – er for svakt. Hva hadde våre beste skiløpere oppnådd om målet var å bli «grunnleggende god» på ski?

pst. i 2020. Likeledes må det være en prioritert oppgave å få realisert et reelt landsdekkende bakkenett nummer to. I dag vet vi at alt vi har av tele-, mobil-, og nødnett, til syvende og sist hviler på Telenors bakkenett. Selv om vi heldigvis har flere aktører som har egne bakkenett, er det ingen i dag som ikke er avhengige av

Skal et potent norsk bredbåndsnett få full uttelling, må det kombineres med stor kapasitet til utlandet. Utenlandskabler kombinert med tilgang på kortreist fornybar energi og et kaldt klima gir oss f.eks. et godt utgangspunkt for å skape vekst og industri basert på skyteknologien, i tillegg til å styrke konkurransekraften til eksisterende næringer. Venstre mener også at Norge med fordel burde realisere en egen transatlantisk sjøkabel. Det ville gi oss en dedikert tilgang til det internasjonale stamnettet og være en vesentlig infrastrukturinvestering for nasjonen og næringslivet. Med dette tar jeg opp Venstres forslag som er omdelt i salen.

Jeg er også glad for det vi oppfatter som en bred tilslutning til regjeringens bredbåndspolitikk. I komitéinnstillingen påpekes det at det i stor grad er markedsaktørene som driver fram utviklingen. Det er også jeg helt enig i, og slik skal det være. Samtidig er det vår oppgave å legge til rette for at markedet fungerer best mulig, at det er sunn konkurranse, og at knappe ressurser – som frekvenser – utnyttes på en måte som gir mest uttelling for samfunnet. Vi har også brukt godt over en milliard kroner for å sikre dekning der markedet ikke strekker til, og dette vil vi fortsette med. Jeg har merket meg mindretallets kommentarer om behovet for mer statlig styring og koordinering av IKT i offentlig sektor, og om behovet for mer samarbeid på tvers av forvaltningsområder og forvaltningsnivåer. Det har denne regjeringen arbeidet systematisk med. Vi har etablert Difi, som er statens samordner på feltet. Vi har utviklet viktige fellesløsninger, som elektronisk ID og Altinn. Vi jobber med digital postkasse til alle innbyggere. Vi stiller nå krav, som standarder og arkitekturprinsipper, som alle etater må følge. Hvert år sender vi ut de felles kravene som skal stilles til statlige IKT-prosjekter. Vi har etablert SKATE. SKATE består av og har som mandat å koordinere IKT-utviklingen i offentlig sektor. Gjennom SKATE blir arbeidet med de nasjonale felleskomponentene samordnet. Vi har fremmet en egen lovproposisjon for Stortinget om nødvendige endringer i forvaltningsloven. Denne ble vedtatt i Stortinget 3. juni. Vi har kort og godt lagt til rette for digital kommunikasjon med forvaltningen som hovedregel. Dette har gitt resultater, men det er mer å gjøre, og det skal vi følge opp. Vi har bl.a. bidratt til den positive utviklingen i kommunesektoren gjennom etablering av et eget program, KommIT, som vil være en viktig samarbeidspartner for staten i tiden framover.

spesialisthelsetjenesten, man har kommunesektoren, man har kanskje Nav-systemet. Alle disse etatene ville kunne ha positiv effekt av det, ikke minst brukeren. Spørsmålet mitt til statsråden er: Vil statsråden foreta en gjennomgang av hvorvidt man bør se på tildelingskriterier fra Husbanken for å legge til rette for opplegg av infrastruktur knyttet til Safe House-teknologi – altså digitalt – i

så veldig lenge siden, sånn at vi kan legge til rette for at det er teknologiske løsninger i de enkelte omsorgsboligene som bygges i tiden framover. De aller fleste omsorgsboliger bygges i forholdsvis tettbebygde strøk. Der er det nå rimelig god bredbåndsdekning, sånn at man kan bruke digitale løsninger også i omsorgsboligene. Hvis ikke ville det

Det ene forslaget som opposisjonen har fremmet, går nettopp på markedsaktørene som bruker bl.a. geodata og eiendomsinformasjon på rådatanivå. Statsråden har vært fornøyd med tilslutningen til meldingen, og opposisjonen har jo stort sett sluttet seg til det meste når det gjelder intensjonene, selv om vi synes at en del av dette er passivt og kunne hatt en mer offensiv holdning. Men til dette med rådata: Hva vil statsråden gjøre for at dette skal bli bedre for markedsaktørene? Det er uten tvil et sentralt problem at man ikke får dette frem, og det var grunnen til at vi var nødt til å fremme et forslag

organisasjoner og næringsliv– det er viktig. Noen data er allerede omfattet av et nytt gratisprinsipp dersom Stortinget nå gir sin tilslutning til de forslagene som ligger i revidert nasjonalbudsjett. Det er vel formelt sett ikke behandlet her i salen Det jobbes også fra Kartverkets side med en enklere prismodell. Det er jo sånn at en del av kartdataene er et spleiselag mellom kommersielle aktører, og vi må i alle fall finne løsninger sånn at det ikke er de kommersielle aktørene som betaler data for de andre. Så har jeg en gledelig nyhet som jeg kan meddele representanten Flåtten: Fra desember og fram til dags dato har antallet datasett på data.norge.no økt med

øyeblikkelig behov for at det offentlige skal gå inn og gjøre store investeringer i et nytt landsdekkende bakkenett. Når det gjelder behovet for utenlandskabler, kommer det opp fra tid til annen. Det er veldig varierende hva markedsaktørene svarer på de spørsmålsstillingene, men jeg er kjent med at flere markedsaktører har snust på mer utenlandskapasitet. Hvis de markedsaktørene finner det formålstjenlig, er jeg enig i at man bør kunne legge til rette for det. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 19. Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 20 og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

Helt siden den første spede tilflyttingen begynte for vel 10 000 år siden, har tilpassing til marine ressurser, særlig fiske, vært bestemmende for bosettingsmønsteret, sysselsetting og økonomisk utvikling langs kysten. Fiskeriene har i så måte tilpasset seg tidvis kraftige naturlige svingninger, men med den massive teknologiske utviklingen innen fiskeflåten nasjonalt og internasjonalt etter 1900-tallet ble snart hovedutfordringen å tilpasse og regulere fangstuttaket i forhold til de naturgitte ressursene. Dette har vært, og er fremdeles, svært krevende og kompliserte prosesser. Jeg vil understreke at fiskeressursene og andre marine ressurser er fellesskapets eiendom, og havressursloven slår fast viktigheten av å sikre en bærekraftig og samfunnsøkonomisk forvaltning, som igjen skal sikre sysselsetting og bosetting langs kysten. Med våre hav- og kystområder har Norge særlig naturgitte fortrinn sammenlignet med andre nasjoner. De naturgitte fortrinnene gir oss spesielt ansvar for å produsere mat, fôr til oppdrett og andre viktige innsatsfaktorer basert på marine biologiske ressurser. I tillegg har Norge med sin sterke posisjon innen de store havnæringene, fiskeri, skipsfart, olje og gass en helt unik posisjon og mulighet til å være verdensledende innen teknologi, kompetanse og verdiskaping fra havet. Norge skal ha ambisjoner om å være en verdensledende havnasjon, og vi politikere skal legge til rette for dette gjennom gode rammebetingelser og sikre at vi forvalter ressursene på en bærekraftig måte. Vi er veldig fornøyd med at vår fiskeri- og kystminister tidlig annonserte at hun ville fremme en sjømatmelding for Stortinget, og at Norge som verdens fremste sjømatnasjon ikke bare er en visjon, men en realistisk og riktig målsetting. Det 2013 er året da regjeringen gjorde opp status og staket ut kursen framover. Vi vedtar i dag en langsiktig politikk som legger rammene for norsk sjømatnæring i årene som kommer. Stortingsmeldingen beskriver hvordan Norge kan utvikle seg som sjømatnasjon. Norske fjord- og havområder er utrolige skattkamre. Det finnes en rekke ressurser som i liten grad utnyttes, og som kan gi opphav til ny marin verdiskaping. Jeg er fornøyd med at det i behandlingen synes å være stor enighet om å legge til rette for ny marin vekst. På flere områder er Norge allerede en av verdens fremste sjømatnasjoner. Vi er verdens nest største eksportør av sjømat. Vår forvaltning av fiskeri og havbruk er blant det fremste i verden når det gjelder kompetanse og forvaltning. Mange land ser til oss med undring Flere sentrale rapporter og strategier peker på den industrielle styrken og vekstpotensialet i de marine næringene. Felles for flere av rapportene er synet på at norsk sjømatnæring vil spille en viktig nasjonal og internasjonal rolle. Sjømatindustrien spiller en viktig rolle i arbeidet med å utvikle Norge som verdens fremste sjømatnasjon. Men lønnsomheten i landindustrien har over lang tid vært svak, særlig innenfor filetindustrien. Det kan være mange årsaker til det. Produksjon av konsumferdige produkter og direkte kontakt med markedet er avgjørende for en dynamisk sjømatnæring som skal oppnå høyest mulig verdiskaping basert på våre marine ressurser. Samtidig opererer sjømatindustrien i markeder som preges av sterk konkurranse både i råvare- og ferdigmarkedet. Derfor er vi glad for at industrien har fått en sentral rolle i sjømatmeldingen. Jeg vil spesielt nevne et par av tiltakene. Det ene er at det skal nedsettes et offentlig utvalg som innen utgangen av 2014 skal gjennomgå sjømatindustriens rammevilkår. Det andre er at forskningsmidlene skal målrettes mot markeds-, teknologi- og produktutvikling samt bedre utnyttelse

Markedsrettet arbeid er veldig viktig for at norsk sjømatnæring skal ha stabile rammevilkår, og for å sikre at næringen kan møte etterspørselen etter sjømat fra Norge. Norsk sjømatindustri har et godt utgangspunkt med nærhet til store fiskeressurser fra fiskeri og havbruk kombinert med kort vei til et godt betalende marked i Europa og dersom Norge skal bli best på sjømat, må kvaliteten på råstoffet være i verdensklasse. Slik er det ikke i dag. Fiskerne må her ta et mye større ansvar selv for kvalitet på råstoffet. Vi støtter forslaget om å styrke tilsynet med råstoffkvalitet og råstoffbehandling i regi av fiskesalgslagene. Jeg merker meg for øvrig at Fremskrittspartiet går imot dette, dessverre. Investeringer i innovasjon og teknologiutvikling er viktig for å sikre lønnsom landindustri i framtiden. Det næringspolitiske virkemiddelapparatet spiller en viktig rolle i den forbindelse, og det samme gjør ordninger som SkatteFUNN, som Regjeringen styrker i revidert nasjonalbudsjett. Det er et politisk mål å opprettholde en variert fiskeflåte langs kysten og å legge til rette for en kontrollert strukturering i tråd med behovet for Tilpasningene skal være innenfor rammen av en styrt strukturpolitikk som skal gjøre det mulig å ivareta fiskeripolitiske målsettinger. Regjeringen foreslår i sjømatmeldingen å justere kvotetaket for flåten over 11 meter, og at det legges til rette for en større grad av spesialisering. Vi fikk tydelige tilbakemeldinger i høringen om at fiskerne selv ønsket valgfrihet når det gjaldt kvotesammensetning ved strukturering. Dette har vi lyttet til og i lag med Fiskeri- og kystdepartementet kommet fram til en omforent løsning, som jeg registrerer at næringen nå er godt fornøyd med. Ut fra en helhetsvurdering innføres ikke strukturkvoteordning for flåten under 11 meter. Spørsmålet om kvotetilgang og lønnsomhet vil bli utredet. Imens vil den midlertidige samfiskeordningen bli videreført. Vi støtter om ikke å endre kvoteåret, og at spørsmålet om kvotefleksibilitet skal vurderes. Dette kan være et godt tiltak for å sikre råvarer til industrien. Det er også veldig bra at helseperspektivet løftes fram, og at det fokuseres på å sikre forbrukerne trygg og god mat av høy kvalitet. Investeringer i kunnskap er en rød tråd i hele meldingen. Regjeringen vil styrke den offentlig finansierte marineforskningen, og jeg merker meg at dette er noe det noe det synes å være tverrpolitisk enighet om. Vi støtter regjeringens overordnede målsetting om videre vekst i havbruksnæringen innenfor bærekraftige rammer. Det er ingen tvil om at næringens viktigste miljøutfordringer på kort sikt er knyttet til rømming og lakselus, og den påvirkningen dette kan ha på villaksen. Det foreslås derfor å etablere metoder for å overvåke og måle påvirkning fra rømming og lakselus. Når grenseverdier overskrides, skal tiltak vurderes. Dette skal gi forvaltningen bedre muligheter for å regulere havbruksnæringen på en miljømessig bærekraftig måte. På lang sikt vil det trolig være arealdisponering som blir den største utfordringen for næringen. Det er derfor bra at en sonebasert arealstruktur i havbruksnæringen skal utvikles. Det er viktig at hensynet til små- og mellomstore aktører ivaretas på en god måte.

Så registrerer jeg også at Høyres fiskeripolitiske talsmann, Frank Bakke-Jensen, var tidlig ute og kritiserte vår sjømatmelding. Faktisk var han ute samme dag som den ble lansert, og ga tydelig uttrykk for at han var dypt skuffet, og at Høyre ville komme tilbake med en motmelding. Og siden har vi ventet. Høyre burde ha klarlagt for lenge siden hvilken fiskeripolitikk de vil føre i tiden framover. Vi har de siste åtte årene ført en ansvarlig og god fiskeripolitikk som har gitt

Mitt spørsmål til representanten er: Hvis dette etter en tid ikke lenger blir overholdt, hva vil da skje? Her snakker vi om store internasjonale konsern. Hva vil skje hvis de ikke overholder bearbeidingsplikten? Det vi har vært tydelige på i i merknadene til sjømatmeldingen, er at hvis det ligger krav til plikten, og den ikke overholdes, så skal den For åtte år siden førte Arbeiderpartiet en valgkamp der de på fiskerisiden ga klar beskjed om at strukturmodellen skulle stoppes, den skulle reverseres og den skulle oppheves. Så tok man 18 måneders strukturpause, og så kom man man på banen med en modell som man har fortsatt med, og i dag er vi omtrent tilbake der Svein Ludvigsen var da han var fiskeriminister for åtte år siden. Representanten Hansen sier at man ikke er tilbake der Svein Ludvigsen var, men at man tvert imot har ført en ansvarlig fiskeripolitikk i disse åtte årene. For Høyre er forutsigbarhet for næringsutøvere en viktig verdi. Hvordan kan representanten Hansen forklare meg det at man frøs strukturordningen, og så har man sluppet opp litt og litt og er nå tilbake der man var for åtte år siden? Hvor ligger ansvarlighetselementet i den politiske jobben regjeringen har gjort her? Først har jeg lyst til å si at Høyre først må få bestemt seg for om det er negativt eller positivt at man går tilbake til Ludvigsen-tiden. Det er er usikkerhet rundt akkurat det. Akkurat nå oppfattet jeg det slik at det var negativt, men det er mulig at jeg misforsto. Som jeg sa i mitt innlegg, har vi landet på en strukturkvoteordning som vi er kommet fram til etter å ha lyttet til fiskerinæringen. Fiskerinæringen var veldig tydelig, og har vært tydelig i mange år, på at de

Ved indikasjoner skal en vurdere tiltak, og det synes vi også høres fornuftig ut, men så står det videre nedover i figuren: Ved «verifisering av tilstand» gjennom «direkte metode som måler faktisk påvirkning», kan en da komme fram med en stor grad av vitenskapelig verifisering om tilstanden for miljøet er god, middels eller dårlig. Og i alle tre tilfeller står det fortsatt at en skal «vurdere tiltak» og Er ikke representanten enig i at hvis en har vitenskapelige fakta som viser en dårlig miljøtilstand, kan det være på tide å iverksette tiltak? Jeg merket meg nå at Kristelig Folkeparti langt på vei insinuerer at vi i Arbeiderpartiet mener at hensynet til havbruksnæringen skal veie tyngre enn miljø. Det er feil. Vi tar grep, og hvis jeg ikke har misforstått Kristelig Folkeparti nå, så er det bra at også Kristelig Folkeparti støtter de tiltakene som ligger i meldingen og for så vidt også i akvakulturloven. Så må vi erkjenne at all oppdrett – som all annen matproduksjon

neste

har også kommet med en til dels betydelig endring i politikk. Noen av områdene dreier seg ikke nødvendigvis om vedtak som vil kunne få konsekvenser i dag, fordi teknologien ennå ikke er på plass. Det dreier seg bl.a. om åpning for å kunne kreve merking av Teknologien er ikke i bruk i dag, men fra regjeringens side åpner man for å få på plass en hjemmel. Man åpner også for å kunne kreve en solidarisk ordning der oppdretterne dekker kostnadene for utfisking av rømt oppdrettsfisk i prioriterte vassdrag. Der finnes det allerede en ordning i dag, en ordning som oppdretterne selv har iverksatt, som de finansierer, og som fungerer veldig bra. Videre legges det opp til innkreving av statlig avgift fra oppdretterne til miljøovervåking. Det legges opp til strengere sanksjonsregler. Det gjelder da særlig overtredelsesgebyret, som nå vil kunne medføre at man i stedet for å måtte gå i rettsapparatet, vil kunne få et rent forvaltningsmessig gebyr Dette mener i hvert fall et mindretall i komiteen er svært problematisk rettssikkerhetsmessig. Det foreligger også en betenkning fra et advokatkontor som påpeker det samme. Så har et mindretall fremmet et forslag i innstillingen om at dette gebyret skal begrenses til å gjelde opptil 15 ganger folketrygdens grunnbeløp. Utover det skal det kunne anmeldes og kjøres som en vanlig straffesak i rettsapparatet. Videre åpner man for at Fiskeridirektoratet lettere skal kunne utveksle opplysninger med andre myndigheter som fører tilsyn med akvakulturnæringen. Det er et fornuftig tiltak. Det skulle bare mangle at man ikke skal kunne utveksle informasjon mellom etatene. Det er også et mulig fremtidig krav til bruk av steril fisk. Heller ikke der er vi på plass med den teknologiske biten. Det er vi heller ikke når det gjelder merking, der man vel fortsatt ikke har tatt en beslutning om bl.a. det veterinær- og fiskehelsemessige, knyttet til beslutning om bl.a. det veterinær- og fiskehelsemessige, knyttet til bl.a. fettfinneklipping, som har vært et av de alternativene som ligger der. Innstillingene og posisjonen til flertallskonstellasjonen har vi allerede fått i disse sakene. Nå har vi fått mer av det, så jeg vil gå over til mitt eget innlegg knyttet til den politiske delen av disse knyttet til den politiske delen av disse sakene. I den forbindelse må jeg få lov til å si følgende: I replikkordskiftet vi nettopp har hatt, framkom det et oppsiktsvekkende svar fra representanten Lillian Hansen. På mitt spørsmål til representanten om hva som skjer hvis et selskap får en større eierskapsandel enn 25 pst., i henhold til bl.a. det høringsutkastet som statsråden har sendt ut; ut; hvis man f.eks. kjøper seg opp i et selskap til 35 pst. – børsnoterte selskap, store internasjonale konserner – og man da etter en stund ser at det ikke er økonomi til å klare å overholde de nye kravene som foreligger, sier altså representanten i denne forsamling at da skal dette inndras. Da er spørsmålet: Hva skal inndras? Aksjene er allerede kjøpt. Selskapet er allerede etablert. Da er spørsmålet man ikke får svar på: Skal man da tvangsselge de aksjene? Det forventer jeg at representanter fra regjeringspartiene i denne sal klargjør, nettopp fordi det er en meget alvorlig situasjon dersom dette skulle inntreffe. Men jeg regner med at statsråden, når hun er ferdig med høringsutkastet, og man skal fatte det endelige regelverket til den saken, har et helt annet utgangspunkt enn det som representanten Lillian Hansen, som fiskeripolitisk talsperson på vegne av regjeringspartiene, nettopp hadde i sitt svar. Jeg skal nå gå over til det som har med sjømatmeldingen å gjøre, og jeg vil ta punkt for punkt innenfor en del forskjellige områder. Jeg vil begynne med oppdrettsnæringen, havbruk. Norge har et enormt potensial, og vi har så sent som i dag sett at det er betydelig interesse for norske oppdrettsselskaper. Vi har fulgt med på nyhetene så sent som i ettermiddag, der statsråd Trond Giske bl.a. har varslet mulige endringer i eierkonstellasjoner – den nest siste uken i Stortinget. Så får vi oss forelagt en proposisjon i morgen tidlig,

Men det som er viktig, er at vi nettopp sørger for å gi den muligheten til kommunene. Gjennom meldingen sier man nettopp det, at nå skal man begynne å se på om ikke kommunene skal få en større del av den kaken. Det mener jeg også man burde gjort for lenge siden. Sanksjonsmuligheter har jeg allerede vært inne på, og en del av de andre begrepene skal jeg ta hvis jeg får tid til det til slutt, men jeg tar herved opp alle de forslag vi er med på i alle sakene vi skal behandle nå, slik at det er gjort. Det gjelder i alle tre sakene, også fiskesalgslagsloven, så vi har gjort det under ett. Når det gjelder fiskeriflåten, er det også her store muligheter og stort potensial. Vi har allerede hørt regjeringens standpunkt om hva som er valgfrihet innenfor kystflåten, knyttet til det som har med kvotene å gjøre, i forbindelse med at man er fullstrukturert og skal kunne velge mellom torskesektor om bord i båten eller pelagisk sektor når det gjelder disse fordelingene. Fremskrittspartiet ønsker at det skal være full valgfrihet i den sammenhengen. Det må være opp til å kunne profesjonalisere og effektivisere sitt eget fiske, noe som nettopp gjør dette til et lønnsomt fiskeri. Glem ikke én ting: Det er ikke bare rederne som eier fangsten om bord i båten. Gjennom det lottsystemet man har i Norge i dag, er også den aktive fisker om bord i båten medeier i fangsten. La dem selv få lov til å være med å treffe beslutninger som optimaliserer den fangsten de skal levere til et eller annet mottak. Videre, når det gjelder filetindustrien: De aller fleste av oss som sitter her i salen, leser Fiskeribladet Fiskaren. Denne uken har vi bl.a. fått presentert årsregnskapet fra fjoråret for Nergård-konsernet – betydelig minus. Vi har fått oss forelagt regnskapet knyttet til Norway Det er altså den næringen vi må sørge for skal være oppebærende i dette landet, som skal sørge for at det flotte råstoffet vi gjennom fiskeflåten vår bringer til lands, skal bearbeides og sendes ut til et marked som forhåpentligvis er villig til å betale høy pris for god kvalitet. Men da er vi nødt til å ha noen fiskesalgslag som på en bedre måte enn det som er tilfellet i dag,

der arbeidskraftkostnaden er betydelig lavere enn det vi har i Norge. I dag sender man mye fisk fra Norge til Kina. Fisken fileteres i Kina, sendes tilbake til Norge og selges ut til markedet som norsk fisk. Det måtte da ha vært bedre å sørge for at industrien vår hadde hatt den økonomiske ryggraden til å kunne foreta investeringer i det beste utstyret og fått videreutviklet nytt utstyr, som både kunne ha lest fiskens størrelse og filettype og samtidig skåret ut buklister uten at det måtte gjøres for hånd – som vi gjør i industrien i dag som følge av forskjellig størrelse på fisken – og sørge for at vi skal kunne få et godt utbytte av den fisken vi skal produsere. Men hva er tilsvaret? Jo, tilsvaret er å opprettholde alle de løsningene som har ligget der, som ikke er noen løsning, men noe som har blitt sementert over tid og ikke tar hensyn til det å kunne effektivisere, rasjonalisere og bli konkurransedyktig, men utelukkende har vært knyttet opp til det man har snakket om som ren leveringsplikt, i en spesifikk kommune – og dit skal fisken, enten man vil ha den eller ikke. Det er ikke bare leveringsplikt man har på disse anleggene. Det ligger også en kjøpsplikt i dette systemet. Tiden er overmoden for å se på disse ordningene, men la meg få slå fast fra denne talerstolen en gang for alle – så kan kanskje en del bruke tiden sin i replikkordskiftet på noe annet enn akkurat dette: Leveringsforpliktelsene som de foreligger, er inngåtte avtaler. inngåtte avtaler. Inngåtte avtaler skal respekteres og overholdes – punktum. Det er nå klarert fra vår og fra andres side. De avtaleverkene skal respekteres og holdes. Videre vil jeg også gå inn på noen få andre områder innenfor fiskerinæringen. Det gjelder bl.a. ressursene våre i havet. Jeg vil gi regjeringen honnør når det gjelder feltet som er knyttet til fiskeriforvaltning. Vi har vært flinke i

vil denne næringen kunne bruke en større del av investeringene knyttet til innovasjon, nytenkning, produktutvikling og andre ting i nye produksjonslinjer, ved selv å investere i det de faktisk medvirker til. Da er SkatteFUNN-ordningen eller direkte skattefradrag knyttet til de investeringene man gjør innenfor innovasjon, den beste ordningen vi har. Det samme gjelder innovasjonsarena. Det gir fantastiske muligheter. Men vi må ha et økonomisk fundament som gjør oss i stand til å kunne bruke disse ordningene. Da er igjen økonomi et nøkkelord. Vi må sørge for at næringene våre er robuste. Når det gjelder næringskjeden, både innenfor havbruk og hvitfisk og pelagisk fisk, og hva det måtte være, må vi hele veien tenke markedet. Det hjelper ikke at vi har gode tanker i Norge hvis markedet vil det annerledes. Hvis det er for dyrt å produsere fisken i Norge, kjøper markedet tilapia og pangasius ute i verden. Vi må sørge for at vi er konkurransedyktige. Prisen på torsk har blitt fryktelig lav. Jeg synes det er trist at torsken har fått så lav pris. Derfor vil jeg utfordre statsråden på gjelder også ombordfrysing i båtene. I dag har Norge tre fabrikktrålere igjen som produserer frossenfilet om bord. Det er ingen som skal fortelle meg at fisken ikke er av god kvalitet. Man må sørge for større frihet for de mindre båtene,

Man ønsker ikke å se distriktspolitikk i sammenheng med fiskeripolitikk. Man ønsker større regioner, flere fabrikktrålere, mer ombordfrysing, mer kjøp og salg av kvoter – noe som vil ha konsekvenser for bosetting og sysselsetting i distriktene. Ser ikke Fremskrittspartiet dette? Det er åpenbart at jeg må gi representanten Lillian Hansen lesehjelp. Når det gjelder leveringsplikten, har Fremskrittspartiet sagt klart fra at vi sier nei til å utvide den. Vi sier nei til å gjøre det enda verre for både industrien og dem som skal levere. Det vi har sagt – jeg får gjenta det, så representanten Lillian Hansen får det med seg – er at inngåtte avtaler skal respekteres. Det betyr at i samband med de avtalene som allerede er skrevet under på – når man har fått kvoter til redusert pris – skal man forholde seg til den rabatten man faktisk har fått. Vi har ikke sagt at vi ikke skal ta distriktsmessige hensyn. Men i stedet for å se på leveringsplikten for en spesifikk kai, en spesifikk kommune, har vi sagt: La oss se dette i sammenheng med en større region, slik at man får økt lønnsomhet, mulighet til å investere og mulighet til å bo ute i distriktene i stedet for å leve i en fantasiverden.

I Fiskeribladet Fiskaren 5. juni uttaler imidlertid Nesvik at Fremskrittspartiet ønsker omkamp om hele loven etter valget. Mitt spørsmål til Nesvik blir derfor følgende: Når Fremskrittspartiet i forslag til denne saken sier at de vil be regjeringen om å foreta en helhetlig gjennomgang av førstehåndsomsetningen og revidering av ordningen med fastsetting av minstepris, spør jeg om dette er i tråd med det Øyvind Korsberg sa på møtet i Råfisklaget i Tromsø 30. mai, eller om det innebærer at Fremskrittspartiet vil ha omkamp om hele loven, slik at industrien får økt innflytelse. Vi forholder oss til det som foreligger i dag. Svaret på om jeg og Korsberg er enige om framstillingen av ansvaret, er ja. Vi stemmer nemlig for hele loven i dag. Vi har sagt at når det kommer til stykket, vil vi revurdere dette. Det er fordi vi vil se dette i en total gjennomgang for å se om det kan være andre måter å gjøre ting på. En av de tingene kan gjelde pelagisk sektor, som i stor utstrekning bruker auksjonsprinsippet for sine fangster, men for fangster under 50 tonn bruker man i større grad minsteprissystemet. Dette er én ting som kan ses på. Noe annet som kan ses på, er selve regelverket, den monopolistiske biten av dette. Men vi slår fast i innstillingen – og det har representanten også lest – at vi støtter opp om disse tingene. Vi støtter opp om det som foreligger. Vi har ingen alternative forslag til Så enkelt er det dog ikke. Representanten Øyvind Korsberg sa på møtet i Tromsø at han var helt enig med de rød-grønne. Det Harald T. Nesvik fra Fremskrittspartiet nå sier, er stikk i strid med det de rød-grønne sier. Vi hører her uttalelser om en monopolist som skal fastsette pris. Vi hører hvordan Fremskrittspartiet har tenkt Med respekt å melde er ikke dette det de rød-grønne legger fram i dag om ny fiskesalgslagslov. Det er på tide at Fremskrittspartiet er tydelig og klar overfor fiskerne og kysten på hva de faktisk mener, og ikke farer med løgn og snur kappen etter vinden avhengig av hvilket møte de befinner seg på. Flere ganger i denne salen de siste tre årene vi har debattert, har de rød-grønne politikerne kategorisk sagt at det ikke aktuelt å endre råfiskloven. I dag ligger det på bordet revidert utkast, endring av loven, endring av strukturen, til og med endring av lovens navn og ny formålsparagraf. Jeg synes representanten Lange Nordahl skal gå tilbake til sine egne referater og se at det ikke er alt man sier, som er hogd i stein. Det gjelder også lovsaker: Ting må revideres underveis. Vi stemmer for prinsippet som foreligger her i dag. Vi stemmer for loven. Men på sikt vil vi revidere for å se – når vi eventuelt har et apparat rundt oss og kan bruke eksterne personer – hva som vil være det mest lønnsomme for næringen selv, og se hvordan vi kan få opp prisnivået og gjøre dette bedre for alle. Da vil vi komme tilbake til dette, og da skal Stortinget få lov til å treffe sine beslutninger på det feltet. Replikkordskiftet er

forankre politiske ideer. For mineralnæringen og reiselivet fikk vi regjeringens strategier. Grundige prosesser ligger nok også bak disse arbeidene, men de har etter min mening et lite minus ved seg. De er faktisk ikke tilstrekkelig forankret i Stortinget. Statsråd Berg-Hansen skal ha honnør for å ta næringen så på alvor at hun fremmer en stortingsmelding om saken. Det fører med sin komitébehandling, involvering av alle partier og ekstra høringsrunder til en mye grundigere prosess. den brede involveringen fører etter min mening også til den økte statusen vi ønsker næringen skal få i den politiske debatten. Vi har tidligere omtalt de fiskeripolitiske debattene som debatter for nerdene. Ved å fremme stortingsmeldingen tar statsråden et viktig grep i arbeidet med å øke sjømatnæringens politiske status. Det synes jeg statsråden bør ha honnør for, i tillegg til at andre rød-grønne statsråder faktisk kan ha noe å lære her. I Høyre var vi tidlig ute og varslet at vi ville fremme en motmelding. Det ble av posisjonen oppfattet som om vi var i mot regjeringens stortingsmelding. Det er selvfølgelig ikke så enkelt. Men vi har andre ideer og bedre løsninger på deler av meldingen som statsråden har presentert for oss. Disse forskjellene synes vi det er viktig å få fram, ikke primært fordi vi tror at det har gått posisjonspolitikerne hus forbi. Vi har jo registrert at regjeringen kommer oss i møte på en rekke av de områdene som de har stemt oss ned i denne salen i de siste fire årene. Posisjonen kan derfor smykke seg med at de har lært mye av Høyres politikk. Allikevel er det ennå felter der vi er uenige med regjeringen. Vi fremmer vår motmelding for å synliggjøre ute i næringen hva som er vår politikk. Jeg må bruke noen ekstra oppklarende ord om dette. De rød-grønne har hatt to innfallsvinklinger når de skal kritisere at vi varsler en motmelding. For det første så mente de at vi ikke kunne varsle en melding før vi hadde sett hva regjeringen kom med. Til det er det å si at vi ikke har sovet de siste årene når vi har vært i denne salen, vi har jobbet. Vi vet derfor at det er nok temaer hvor vi har forskjellig politikk. Den andre finurlige måten å kritisere oss på, er å påstå at vi skal si én ting i merknadene og deretter noe annet i vår egen melding. Det skal vi selvfølgelig ikke gjøre. Overraskende for noen er det kanskje, men det er ikke veldig mange ute i næringen som setter seg ned og leser merknader til stortingsmeldinger. Vi har derfor gode erfaringer i Høyre med å fremme egne motmeldinger til viktige saker, det er en god måte å kommunisere ut hva som er vår politikk. Sist gjorde vi dette med landbruksmeldingen. Denne ble veldig godt mottatt i landbruket da den på en bedre måte tydeliggjorde hva politikken til Høyre innebar. Slik skal det også bli med Høyres sjømatmelding. Åpenhet om politikk er et gode, mener vi i Høyre. Jeg registrerer at man mener at vi er sene, og at man i posisjonen er utålmodig etter å se hva vi kommer med. Det tar jeg som et godt tegn. Det er en sunn interesse, og meldingen vår skal komme. Hva mener så Høyre om regjeringens melding? Vi mener at det er en melding som inneholder viktige beskrivelser av den totale sjømatnæringen. Den strekker begrepet sjømatnæring til også å inkludere nye felt der vi ennå ikke er helt oppe i verdenstoppen, men der potensialet er stort. Det er bra. I Høyre mener vi at det er et viktig poeng at man nå i større grad ser på dette som én næring, selv om den er fragmentert i flere lag – med kystfiskerlag, fiskerlag, Pelagisk Forening og Fiskebåt på sjøsiden, og med FHL og NSL på land. Dette er nok riktig sett fra et demokratisk ståsted – og organisasjonsfrihet er en verdi det er viktig å slåss for – men for næringens del er det viktig at den blir oppfattet samlet utad. En samlet sjømatnæring, og sjømatnæringen som begrep, blir det

hvis seismikkskytingen tar seg til rette på bekostning av sjømatnæringen, enn om det skulle være et problem for fem flyndrefiskere. Sjømatmeldingen skal altså kort oppsummert gi oss en politikk som legger til rette for sjømatnæringens utvikling nasjonalt. En av våre tre viktigste kunnskapsklynger skal vokse flere ganger, for at Norge som nasjon skal nå visjonen om «verdens fremste sjømatnasjon». Hvor skilles våre veier?

industri og havbruk? På alle disse områdene vil det være viktig med forutsigbare rammebetingelser hvis næringen skal vokse så mye som vi ønsker at den skal. Høyre mener at sjømatnæringen, som den globale næringen vi beskriver den som, i større grad må ha markedet som rettesnor. Eksisterende markeder må pleies, og nye markeder skal opparbeides. For å lykkes med dette, må man ha tilgjengelig råstoff av rett kvalitet når markedet krever det. Dette gjelder både hvitfisk, havbruk og pelagisk næring. Det er altså slik at politikken må legge opp til at dette blir mulig. De foreslåtte endringene i høringsnotatet om leveringsforpliktelsene for eksempel, kan dessverre heller føre til en forverring enn en forbedring da man overhode ikke tar hensyn til hva markedet vil ha, men legger opp til en regulering som fort kan føre til en forsterkning av problemet med for mye fisk på land i de fire første månedene av året. Slik kan man foreta en gjennomgang av en rekke reguleringer innenfor sjømatnæringen – man regulerer seg bort fra markedsrettet drift istedenfor å pleie markedet når det er der.

Den kan komme til høsten. Den var varslet i forskningsmeldingen og den varsles i denne meldingen, men man har ikke levert. Det er erfaringsmessig greit å vente til ting blir levert før man jubler. I Høyre mener vi at mer av verdiskapningen må tilfalle lokalsamfunnene direkte. Dette for å gi incentiv til å tilrettelegge for næringsaktivitet. Vi har derfor foreslått at en større del av selskapsskatten bør tilfalle kommunene direkte. I tillegg bør konsesjonsavgift og avgift på MTB tilfalle aktuelle kommuner.

Langsiktighet og forutsigbare rammer gir robuste vekstvilkår, noe som vil være nødvendig hvis vi skal nå visjonen om å bli verdens fremste sjømatnasjon. Jeg antar at representanten skal ta opp forslag. Jeg tar opp de forslagene som foreligger fra Høyre. Representanten Bakke-Jensen har tatt opp de forslagene han refererte til. Det blir replikkordskifte. Jeg registrerte at representanten Bakke-Jensen sa at deres alternative landbruksmelding ble tatt godt i mot av næringen. Jeg vil si det slik at dette er

Hva mener Høyre egentlig? Kan vi forvente at den varslede motmeldingen kommer med en ny politikk som ikke framgår av denne innstillingen? Da er det vel kanskje på sin plass i dag å fortelle mer om det og hvilken kurs Høyre ser ut til å stake for fiskeripolitikken i årene som kommer.

Høyre mener at det bør være mulighet for strukturering også for dem under 11 meter. Samtidig har det i en del av de lokale fiskerlagene og fylkeslagene kommet opp et argument mot struktureringen som går på at det kan bli problematisk for rekrutteringens del,

Mitt spørsmål til Høyre er derfor: Hvilke omkamper kan vi forvente når det gjelder råfiskloven, den nye fiskesalgslagsloven, leveringsforpliktelser og eierskap i havbruksnæringen når Høyres motmelding legges fram? Det er nesten sånn at det ikke burde være lov å skrive spørsmål til replikkrunden før man har hørt innlegget til taleren. Nå redegjorde jeg forholdsvis klart

av representanten. For det første sier hun at landbruksmeldingen ikke ble godt mottatt. Den ble veldig godt mottatt. Hvis den ikke hadde blitt godt mottatt, hadde ikke Høyre vært det nest største partiet blant bøndene på meningsmålingene. Vel er vi slått dyktig ned i støvlene av Senterpartiet – det lever vi godt med – men det er faktisk sånn at Høyre er et parti å regne med også blant bøndene. Det vil være sånn at Høyre virkelig er å regne med når vi har levert meldingen om sjømatpolitikken vår til

så vær så god.

Fiskeressursane og andre marine ressursar er fellesskapet sin eigedom. Fiskeressursane er fornybare ressursar når vi forvaltar dei berekraftig. Ein samla komité legg derfor vekt på føre-var-prinsippet og økosystemtilnærming i fiskeriforvaltinga. Reine, rike og produktive økosystem er ein føresetnad for å nå måla om å bli verdas fremste sjømatnasjon. Havressurslova slår fast at marine viltlevande ressursar skal bidra til å sikre sysselsetting og busetting i kystsamfunna. SV er opptatt av å føre ein politikk som tar omsyn til denne målsettinga. Kystfiskeflåten, og ikkje minst den minste flåten, er viktig for mange lokalsamfunn, noko også Høgre nettopp innrømte. Gruppa under 11 meter er viktig for busetnaden langs kysten. Ho er også viktig for Derfor foreslår ikkje regjeringa strukturering i gruppa under 11 meter. Det er ulike syn på økonomien i denne gruppa. Derfor er SV glad for at det blir foreslått å utgreie økonomien i gruppa. SV er opptatt av å styrke økonomien utan strukturering. Verdas fremste sjømatnasjon må også ligge i front når det gjeld marin forsking. Dette er eit område som regjeringa prioriterer både i sjømatmeldinga og i forskingsmeldinga. Etter kvart som vi utviklar betre fangstmetodar, er det viktig å ha god kunnskap om økosystema. Vi treng også forsking som kan få ned kostnadene både i fiskeria og i fiskeindustrien, og som kan auke prisane i marknaden. Oppdrettsnæringa har vakse raskt, og næringa står overfor utfordringar når det gjeld miljømessig berekraft. Det kan få store konsekvensar for villaksen og andre deler av økosystemet dersom vi ikkje tar desse utfordringane på alvor. Det kan også øydelegge den økonomiske berekrafta til næringa. Derfor er det positivt at ein samla komité konstaterer at vidare vekst i næringa er avhengig av at ein løyser dei miljømessige utfordringane, og at ein også løyser utfordringane med fôr på ein berekraftig måte. Dette er jo eit forhold som har blitt aktualisert etter dagens oppslag i media. Her er det naturleg å gå over til å snakke om akvakulturlova. Skal vi nå måla i sjømatmeldinga, er det viktig å ha lover og reglar som kan bidra til miljømessig berekraft i oppdrettsnæringa. Det er viktig for miljøet og for næringa sjølv. All erfaring frå andre næringar viser at strenge miljøkrav skaper innovasjon som er til gagn for næringa. Akvakulturlova trådde i Det er no aktuelt å gjere ein del oppdateringar av lova basert på erfaringar så langt. Her, som ofte elles, er førebygging det beste. Regjeringa har foreslått å endre § 10 andre ledd slik at kravet til å drive førebyggande miljøarbeid kjem klarare fram. Det er noko som SV er opptatt av. Førebygging er alltid det beste miljøarbeidet – betre enn reparasjon i etterkant. Regjeringa foreslår også å endre § 10 andre ledd slik at departementet får heimel til å innføre krav om merking av fisk. Formålet er å få betre kontroll med innblanding av rømt oppdrettsfisk i elvane, og å kunne spore dei tilbake til oppdrettsanlegget – når vi får tilstrekkelege metodar for det. Det er viktig at ein i det vidare arbeidet med merking legg vekt på dyrehelse og god kontakt med næringa, som ein samla komité har lagt vekt på. Regjeringa foreslår også å endre § 11, slik at ein får heimel til å krevje at oppdrettarane utfører eller finansierer nødvendig miljøundersøking innanfor lokaliteten sitt influensområde. Regjeringa foreslår også å innføre eit økonomisk fellesansvar for å fjerne rømt oppdrettslaks i elvane. Det er viktig og riktig at næringa ryddar opp etter seg. Kristeleg Folkeparti foreslår å gjere innbetalinga avhengig av rømmingsrisikoen i anlegget. Intensjonen kan vere god, men det kan vere vanskeleg å finne ei rettferdig praktisering av ei slik differensiering. Til slutt: Målet om å bli verdas fremste sjømatnasjon er ambisiøst, men realistisk. Vi kan nå det ved å satse på kunnskap og forvalting – for miljømessig og ressursmessig berekraft. Det blir replikkordskifte. Mitt spørsmål er knyttet til akvakulturloven. Fremskrittspartiet mener at det er

Dette kommer til å medføre at man ikke får den effekten man ønsker, nemlig det å spore tilbake til det enkelte anlegg – det er faktisk teknologisk mulig i dag. Hvorfor stemmer SV imot både forslaget om sporbarhet innen 2015, og det at den enkelte forurenser skal betale? For det første vil eg seie at vi er for at vi skal ha system som vi er for at vi skal ha system som gir sporbarheit tilbake til oppdrettsanlegga, men vi må vere sikre på at vi har ordningar som fungerer godt, som tar alle nødvendige dyrehelseomsyn, og som er kvalitetssikra på ein god måte. Vi meiner at tida ikkje er moden for å slå fast at det finst system som vi kan innføre i dag. Inntil vi får på plass system som kan gi sporbarheit tilbake til den riktige årsaka, er det Inntil vi får på plass system som kan gi sporbarheit tilbake til den riktige årsaka, er det mogleg å gi solidarisk ansvar ut frå dei prinsippa som ligg i meldinga, og som departementets drøfting viser er i samsvar med grunnloven og menneskerettskonvensjonen. Jeg skal ikke bruke det billige retoriske poenget om dobbeltkommunikasjon, men jeg skal gi representanten

SV er veldig fornøgd med i denne meldinga, er for så vidt det same som også Høgre har blitt einig i, nemleg at det er uheldig for den minste flåten, med fartøy som er under 11 meter, å strukturere. Det har Høgre argumentert veldig sterkt for diverse gonger her i salen, og også i andre samanhengar. Nå har SV og regjeringa kome fram til at vi ikkje skal ha strukturering under 11 meter, og det ser ut til at også Høgre begynner å hamne på den linja. Når det gjeld strukturering for fartøy over 11 meter, er det framleis ein diskusjon i partiet vårt. Det står ting i vårt partiprogram som ikkje har gjennomslag i regjeringa på det noverande tidspunktet. SV ønsker å framstå som et miljøparti. Det har de greid flere ganger når det gjelder hensynet til rent hav og fiskerinæringen i SV ønsker å framstå som et miljøparti. Det har de greid flere ganger når det gjelder hensynet til rent hav og fiskerinæringen i Lofoten og Vesterålen, såpass at det har knaket i sammenføyningene i regjeringen mer enn én gang. Men når det kommer til miljøproblematikken knyttet til oppdrettsnæringen, mener vi i Kristelig Folkeparti at SV har vært påfallende fraværende. Vi stilte bl.a. spørsmål ved hvorfor de grønne konsesjonene ble utlyst som teknologinøytrale. Vi har skrevet merknader om det, og vi ser ikke noe til SV når det gjelder støtte i den saken. Vi ber om å få fortgang i merking av oppdrettslaks, når vi vet at det allerede foreligger moden merketeknologi. Føler ikke representanten Holmelid seg noe ubekvem med at SV er så til de grader fraværende når det gjelder miljøspørsmål knyttet til oppdrettsnæringen? Eg er veldig stolt over det SV har fått til når det gjeld oppdrettsnæringa. motsetning til Kristeleg Folkeparti har vi fått gjennomslag for grøne konsesjonar, som er eit verkeleg løft. For første gong får vi verkeleg trykk på at vi skal forbetre teknologien for oppdrettsnæringa. Eg er 110 pst. sikker på – det var kanskje litt sterkt sagt for ein matematikar, men eg er lukka teknologien er så god at når det blir utlyst konsesjonar, kjem vi heilt sikkert til å få søknader baserte på lukka teknologi. Eg er òg overtydd om at den teknologien kjem til å vinne fram med dei premissane som nå er lagde for dei grøne konsesjonane, så eg ønsker verkeleg at Kristeleg Folkeparti kan vere offensive og få til handling, og ikkje berre

så vær så god.

Eksportverdien utgjorde i 2012 hele 51,6 mrd. kr, og dette er Norges tredje største eksportnæring. Dette er en næring for framtiden, og de veivalg vi nå gjør, vil være avgjørende for både næringen og våre livskraftige kystsamfunn. Senterpartiet er derfor fornøyd med regjeringens store visjon i sjømatmeldingen om at Norge skal være verdens fremste Senterpartiet er opptatt av å legge til rette for en framtidsrettet sjømatnæring – en næring med et stort potensial for utvikling langs hele kysten. Det er derfor viktig at meldingen omfatter hele verdikjeden, fra primærledd til marked. Regjeringen er opptatt av å styrke Norges allerede sterke posisjon som sjømatnasjon på det globale markedet, og på den måten ta ansvar for å øke mattilførselen og styrke matsikkerheten i en verden med stor befolkningsvekst. For å klare dette må vi ligge kunnskapsmessig i front på områder som bærekraftig ressursbruk, havmiljø, klima, produktutvikling, kvalitet og marked. I tiden framover blir særlig fokus på marked og markedsføring viktig. Samtidig er Senterpartiet og regjeringen opptatt av at sjømatnæringen skal komme kysten og kystbefolkningen til gode og bidra til å skape livskraftige kystsamfunn. For Senterpartiet er dette

Senterpartiet er tilfreds med at sjømatmeldingen slår fast at det skal legges til rette for vekst i havbruksnæringen. Denne næringen har et stort potensial for vekst og kan bli Norges nye eventyr til havs. Vi er også svært opptatt av at det skal legges til rette for en variert struktur i næringen. Senterpartiet er særlig opptatt av de lokalt forankrede selskapene, med mange små og mellomstore bedrifter – dette fordi det særlig er disse bedriftene som er viktige samfunnsbyggere i sine lokalsamfunn. Senterpartiet er også tilfreds med at det i meldingen varsles at kommunene skal få en del av det økonomiske vederlaget fra nye konsesjoner i havbruksnæringen. Med dette tiltaket får kommunene mer tilbake for å stille sine arealer til disposisjon for havbruksnæringen. Senterpartiet er fornøyd med at det i meldingen legges opp til en framtidig arealstruktur som ivaretar hensynet til små og mellomstore aktører i oppdrettsnæringen, og tar opp i seg de erfaringene som finnes fra lokalt og frivillig arbeid. Senterpartiet vil understreke betydningen av dette arbeidet når det nå skal utarbeides videre opplegg for produksjonsområder, soner og branngater. Dette innebærer at den modellen som ble lansert i Arealutvalget, eller det såkalte Gullestad-utvalget, ikke blir gjennomført. Senterpartiet vil understreke at det allerede gjøres viktig og koordinert arbeid i næringen – med synkronisert utsett og brakklegging – og at det er viktig å bygge videre på de erfaringene som er gjort. Vi vil også understreke betydningen av lokal og regional kystsoneplanlegging. Det er i denne sammenhengen svært viktig med et godt samspill mellom kommunene i de ulike regionene og fylkeskommunen. Bærekraftig utvikling er viktig for havbruksnæringen, og det er derfor av stor betydning at næringen arbeider videre med de utfordringer den har med lus og rømming. Dette er områder som de må vie stor oppmerksomhet i tiden framover.

dette for å rydde opp i de ulike ordningene vi har i næringen i dag for fartøygruppene over 11 meter, slik at vi sikrer mest mulig like forhold. Derfor er vi veldig fornøyd med at vi nå får en valgfri strukturordning for flåten over 11 meter. Fartøygruppen under 11 meter får fortsette som før – uten struktur – inkludert samfiskeordningen. Det er vi i Senterpartiet fornøyd med. Det skal også lages en egen utredning om La meg også understreke at vi slår ring om prinsippene i råfiskloven og deltakerloven, som vi kommer tilbake til. Sjømatindustrien skal få en egen utredning framover. Det er særdeles viktig. Sjømatmeldingen har blitt særdeles godt mottatt langs kysten. Det viser at den rød-grønne regjeringen satser offensivt for å nå visjonen om Norge som verdens fremste sjømatnasjon. Det blir replikkordskifte. Jeg vil sitere fra forslag til
og deretter

Det er særdeles viktig at næringen får bukt med utfordringene med lus og rømning. Her er det viktig at næringen ikke minst utvikler teknologi som sikrer at man ikke får rømning. Når det gjelder influensområdet – det er et viktig spørsmål som representanten tar opp – er det først og fremst vesentlig at vi sikrer anleggene, slik at vi ikke får denne situasjonen. situasjonen. Når det gjelder det som jeg oppfatter at representanten tar opp, ansvarsforholdene – jeg oppfatter det slik at det er det representanten egentlig er ute etter – er det viktig at vi legger opp til en forvaltning som ikke er urimelig for de enkelte aktørene. Leveringsforpliktelsene har i månedsvis vært et viktig og hett tema nordpå. Formålet med leveringsforpliktelsene er

av bl.a. torsk, slik at man kan strekke produksjonen og ha råstoff tilgjengelig når markedet vil ha det – mener representanten at det å vurdere om kystflåten kunne få en del av de rettighetene som det i dag er knyttet leveringsforpliktelser til, kunne egne seg til å oppfylle flere av regjeringens visjoner? Kystflåten kan fiske levende fisk, kystflåten kan levere fersk fisk av Kystflåten kan fiske levende fisk, kystflåten kan levere fersk fisk av ypperlig kvalitet, og kystflåten er faktisk også såpass liten at den kan levere til alle de kaiene som i dag påberoper seg leveringsplikt. Senterpartiet er veldig klar på at leveringsforpliktelsene skal var også på dette grunnlaget disse konsesjonene ble gitt. Kystflåten er i dag særdeles viktig for å forsyne veldig mange anlegg med fersk fisk. Hvis leveringsforpliktelsene framover ikke blir overholdt, må man ha en ny diskusjon om hvem rettighetene skal gå til. Hvis det er dette representanten her tar opp, at man da til. Hvis det er dette representanten her tar opp, at man da skal flytte grunnlaget over til kystflåten, får man ta det opp dersom leveringsforpliktelsene ikke blir opprettholdt – når kravene nå blir innskjerpet. Vi er fra Senterpartiets side opptatt av at kystflåten skal ha en sterk rolle. Det skal den fortsatt ha. Samtidig vet vi at veldig mange landanlegg var tuftet på at leveringsforpliktelsene skulle bli opprettholdt. Det må vi

Høringsnotatet viser også at leveringsplikten ikke er oppfylt i Finnmark. En innstramming her er på sin plass. En av de tingene som regjeringen ba om å få tilbakemelding